har du

Videre vil presidenten vil gjøre oppmerksom på at i dag blir en svært lang dag hvis vi tar hensyn til den foreliggende dagsordenen og debattoppleggene. Det er fordelt mye taletid, og presidenten vil derfor oppfordre representantene til måtehold når det gjelder å ta ordet. Det kan jeg også allerede nå bebude gjelder til uken.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

anses vedtatt. La meg få begynne med å takke komiteen for godt samarbeid under behandlingen av denne saken. Når ting begynner å gå litt fort og gæli, som vi sier i Trøndelag, er det en fordel med fleksible komitémedlemmer og en positiv grunnstemning. Sånn sett er kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i en heldig situasjon, med mange muntre komitémedlemmer og en dyktig og oppegående komitésekretær. Norge og verden står overfor store endringer og omstillinger når det gjelder både økonomi, arbeidsplasser, bosettingsmønster, energi- og matbehov, for å nevne noe. Er det én ting historien har lært oss, så er det at forskning og utvikling samt høyere utdanning er blant de aller viktigste nøklene for å få løst disse utfordringene og for å gjøre verden til et bedre sted å leve. Mye er bra med norsk forskning og høyere utdanning i dag. I løpet av de siste årene har antall publikasjoner gått kraftig opp, avlagte doktorgrader er doblet de siste ti årene, og internasjonaliseringen er økt både ved at flere norske studenter og forskere drar ut, og ved at flere utenlandske kommer inn. Vi, det vil egentlig si ekteparet Moser, har til og med hentet hjem en nobelpris til landet. Til tross for at Norge er et lite land med få innbyggere, har vi en svært åpen økonomi, der handel og samarbeid med andre land er avgjørende for vår og andres velstand. Vi er et høykostland, som aldri kan bli billigst på alt. Vi kan heller ikke bli best i alt, men vi kan bli best i noe, slik vi alltid har vært – i alle fall de siste 1 000 årene. Derfor må vi klare å kombinere det å satse på de fagene og miljøene vi har best forutsetning for å lykkes i, med å styrke kvaliteten i velferdsproduksjonen gjennom de viktige profesjonsutdanningene, særlig de som er knyttet til helse og utdanning. Norske høyere utdanningsinstitusjoner konkurrerer i hovedsak ikke med hverandre i kampen om forskningsmidler, forskere og studenter, men med institusjoner i hele verden. Dagens struktur i høyere utdanning tar ikke høyde for dette, og man er ikke godt nok organisert for å møte disse utfordringene. Det er et stort og bredt flertall i Stortinget som står bak hovedpunktene i meldingen. Bare Senterpartiet har stilt seg utenfor dette brede flertallet. jeg kan allerede nå avsløre at ryktene om høyskoleoppdragets og profesjonsutdanningenes død er betydelig overdrevet. Målene for strukturmeldingen er utdanning og forskning av høy kvalitet, robuste fagmiljøer, god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, regional utvikling, verdensledende fagmiljøer og effektiv ressursbruk.

I 2008 kom Stjernø-utvalget med sin innstilling. De viste til at mange institusjoner hadde svak rekruttering og sviktende kvalitet i sentrale utdanninger, at prosesser trakk i retning av spredning av utdanninger og fagmiljøer, og at det ble opprettet for mange små og smale doktorgradsutdanninger. Den gang var det ikke politisk vilje til reell oppfølging. For fem år siden kom SAK-midlene – samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon – inn på statsbudsjettet. Der har de vært siden, støttet av hele Stortinget. Disse midlene kan ha ført til noen sammenslåinger, og det har helt sikkert ført til en del samarbeid, men ganske lite arbeidsdeling og konsentrasjon. Opposisjonen har forsøkt å kritisere prosessen forut for framleggelsen av uten helt å få fram hvorfor, i alle fall har ikke jeg oppfattet det. La meg i den sammenheng få lov til å trekke fram institusjonene i sektoren og hvordan de har møtt denne utfordringen. Før jeg kom inn på Stortinget, var det mange som sa at denne sektoren er preget av erkekonservative og – for å si det forsiktig – lite endringsvillige aktører. Det er ikke mitt inntrykk etter to år her på huset og i De aller fleste har behandlet dette på en forbilledlig måte – de har hatt gode samtaler internt og med hverandre, tatt med ansatte og studenter på råd, staket ut en kurs og funnet én eller flere partnere de ønsker å slå seg sammen med eller føre samtaler med, med sikte på sammenslåing. Flertallet i komiteen er veldig opptatt av at de sammenslåingene som nå kommer, ikke bare må skje på det administrative plan på den enkelte institusjon. Det har ikke veldig stor verdi i seg selv. Det har også studentene og Norsk studentorganisasjon vært svært opptatt av. For eksempel tilbys det i dag fag i økonomi og administrasjon ved 25 institusjoner, og lærerutdanningen tilbys ved 19 institusjoner. Institusjoner må få mulighet til å utvikle sin egenart og spisse profilen sin mot det man har forutsetninger for å lykkes med. Det avgjørende med sammenslåingene er å få til mer reell arbeidsdeling og mer reell konsentrasjon og at fagmiljøene knyttes nærmere hverandre, samt at vi får til den tverrfagligheten arbeids- og næringslivet etterspør. Studentaktiv forskning er også et uttalt mål. Det vil være vanskelig å få til uten at gode utdanningsmiljøer knyttes tett opp til Et av virkemidlene for å få til arbeidsdeling, konsentrasjon og sterkere fagmiljøer, og som er beskrevet i meldingen, er strengere krav til oppretting av master- og PhD-programmer. De siste årene har vi sett en stor økning i antallet utdanningsprogrammer innenfor disse to kategoriene, uten at disse nødvendigvis har vært knyttet opp til eksisterende Derfor er det positivt at dette ikke bare skal gjelde nye programmer, men også omfatte de eksisterende utdanningene etter en overgangsperiode. Det vil føre til at alle institusjoner må gå igjennom porteføljen sin med kritisk blikk og stille seg spørsmålet om det er riktig at man driver på med det, eller om det er andre institusjoner som har bedre forutsetninger for å lykkes. Finansieringen av de høyere utdanningsinstitusjonene er av svært stor betydning for hvordan resultatet blir. I Norge har vi en stabil, forutsigbar og relativt stor grunnbevilgning og basisbevilgning. Det skal vi fortsette å ha. Likevel mener et stort flertall på Stortinget at åpne konkurransearenaer bidrar til å premiere kvalitet, og at det derfor er naturlig at konkurranseandelen av grunnbevilgningen økes noe. En forutsetning for at dette skal lykkes, er at midlene lyses ut til miljøer, ikke til institusjoner. Jeg viser videre til at man kommer tilbake mer detaljert til finansieringssystemet i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Noe som også er viktig for institusjonene, er ledelse. Regjeringen foreslår i meldingen at tilsatt rektor og ekstern styreleder skal være hovedmodellen i framtiden, kontra dagens hovedmodell med valgt rektor. Dette støttes av de fleste partiene i Stortinget. Det er kanskje dette som har fått mest oppmerksomhet utenfor dette huset i det siste. Det har noen ganger virket på debatten som om det nå skal bli umulig å velge rektor, og at rektor skal utpekes fra et mørkt kontor i KDs kjeller eller fra Stortingets kjeller. Også her er ryktene betydelig overdrevet. Det er styrene som skal bestemme om man ønsker å tilsette rektor, eller om man skal ha valgt rektor. Forskjellen nå er at valget blir mer reelt, ved at det er alminnelig flertall, altså mer enn 50 pst. av styret, som bestemmer. Slik er det ikke i dag. Ordningen blir altså mer demokratisk, ikke mindre. Ansatte og studenter har, og skal fortsatt ha, flertall i styrene. De sitter med nøkkelen, uansett om man velger valgt rektor eller velger å tilsette rektor. Dette er ikke slutten, det er starten. Nå får vi gjennomført det vi har snakket om i flere år, det som et stort flertall er enig om, og det som vil gjøre sektoren mer rustet for den konkurransen de er i hver eneste dag. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

fortsettelsen. Det faller helt naturlig å starte med å takke saksordføreren, Sivert Bjørnstad, for ansvaret med å sy sammen denne innstillingen. Det er kompliserte temaer som ligger under strukturdebatten i universitets- og høyskolesektoren, og det er mange kryssende interesser, også geografiske. Og også i denne saken er det en fordel med et så bredt flertall som mulig – så takk til Sivert Bjørnstad. En samlet komité er enig i store deler av virkelighetsbeskrivelsen, at utdanning og satsing på FoU er avgjørende for norsk konkurransekraft og for å løse utfordrende oppgaver i samfunnet på en god måte. Vi peker på at UH-sektoren har et sammensatt samfunnsoppdrag: å bidra i den vitenskapelige dugnaden i jakten på ny kunnskap og å utdanne kandidater som skal fungere godt med sin kompetanse. Og det er nettopp kvalitetsmessig god forskning i godt samspill med utdanningsoppdraget vi mener oppnår de beste resultatene. Det er også en samlet komité som mener at vi trenger institusjoner med spissere profil og sterkere fagmiljøer, og at SAK – samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon – har vært nødvendig, men at vi ikke har kommet i mål med bare det. Arbeiderpartiet støtter fusjoner som et virkemiddel for å få til sterkere institusjoner. De institusjonene som sliter med å få nok studenter og å rekruttere kompetente fagfolk til stillingene, må gjøre noe. For noen institusjoner vil sammenslåing være et riktig grep, for andre er forpliktende samarbeid bedre. Derfor er det bra at en samlet komité også understreker nettopp dette grepet. Men strukturendringer er ikke nok til å oppnå bedre kvalitet. Arbeidsdeling på fag har vært mye framme i debatten, og vi etterlyser også en debatt om arbeidsdeling på oppgaver. Alle institusjonene skal være forskningsbasert – det er det ingen tvil om. Men hva betyr det? At alle skal være verdensledende? At hovedoppgaven skal være å drive FoU med lokalt eller nasjonalt næringsliv? Å stimulere forskeren til selv å bli gründer eller å samarbeide med gründere? Eller å være på toppen i å utdanne ingeniører eller sykepleiere samt være fremragende på museumsutvikling og annen forskningsformidling? En del institusjoner i Norge klarer dette på noen fag, men ikke alle institusjoner på alle fag. Vi finner dessuten få institusjoner på verdensbasis som sjonglerer med høy kvalitet med alle disse ballene like godt samtidig. Kvalitet er regjeringens mantra i utdannings- og forskningspolitikken – ikke veldig kontroversielt, for vi er jo alle for kvalitet. Men vi ser i denne stortingsmeldingen, som vi så det i langtidsplanen for forskning, en tro på at satsing på verdensledende forskning nærmest automatisk skal gi bedre utdanningskvalitet og mer forskningsbasert utvikling. Jeg ser ingen automatikk i dette. Topp kvalitet i forskningen vil være et viktig premiss for det å skape nye arbeidsplasser basert på ny teknologi f.eks. – og et viktig premiss for å lage gode utdanninger. Men veien fra en oppdagelse til en suksessrik bedrift som tjener penger, er lang og broket og handler om langt mer enn å være verdensledende på forskning. På samme måte er det ikke gitt at det må en nobelprisvinner til for å heve kvaliteten på undervisningen. Studenter som var så heldige å oppleve to nobelforelesere samtidig ved Økonomisk institutt på Blindern, har fortalt om to fantastiske økonomer, hvor den ene var en glitrende formidler, mens den andres budskap var mer utilgjengelig. Sektorens samfunnsoppdrag er sammensatt. Da hadde Arbeiderpartiet forventet en bredere og grundigere diskusjon omkring hva som menes med kvalitet. Noe så vesentlig som å utrede hva utdanningskvalitet er, skyves til 2017. Da er jo mange institusjoner slått sammen allerede. Her gjøres ting i feil rekkefølge. Det gjelder også framtidig finansiering. Jeg finner det skuffende at ikke vi vedtar et nytt finansieringssystem i dag. I stedet har vi fått en oversikt over mulige indikatorer som regjeringen vurderer, samt et signal om at den resultatbaserte delen vil øke. Vi får ikke vite hvor mye eller hvordan. I stedet skal dette komme i budsjettet til høsten, ikke akkurat sted og rom for de store prinsipielle avveininger. De passer best inn i stortingsmeldinger som den vi behandler i dag. Når det er sagt, er Arbeiderpartiet godt fornøyd med at regjeringspartiene på Stortinget har sett nødvendigheten av mer åpenhet og transparens om grunnbevilgningene i sektoren. Alle partiene ber derfor regjeringen komme tilbake til dette med hvordan grunnbevilgningene fungerer i forbindelse med nytt finansieringssystem. Vi tror dette er nødvendig for å få mer ro i sektoren omkring denne grunnbevilgningen, og vi imøteser regjeringens svar på dette. Regjeringen og flertallet går inn for å øke kravene for å akkrediteres som universitet eller høyskole. Arbeiderpartiet er imot å gjøre det – en avgjørelse av mer prinsipiell karakter. Det er i dag en glidende overgang mellom høyskoler, vitenskapelige høyskoler og universitet. Det tydelige skillet vi hadde før mellom høyskoler og universitet, er i ferd med å viskes ut. Dette har pågått over tid og henger også sammen med debatten om finansiering. Fusjonene som nå vil komme, gjør dette bildet enda mer sammensatt. Små høyskoler blir ved et pennestrøk en del av et universitet, mens institusjoner som er veldig nær ved å oppfylle dagens krav til å bli universitet, vil oppleve at lista legges høyere midt i spranget. Det skjer neppe under Bislett Games, for å si det sånn. Arbeiderpartiet mener det er på tide med en helhetlig gjennomgang av kategorisystemet og fremmer forslag om dette. Samtidig kan vi konstatere at mange institusjoner har løftet seg kraftig faglig nettopp fordi de har hatt universitetsambisjoner, hvilket er bra. Men det som bekymrer, er hvis det tradisjonelle høyskoleoppdraget svekkes. For Norge er avhengig av gode profesjonsutdanninger i hele landet. Vi vil trenge mange nyutdannede lærere, sykepleiere, vernepleiere, økonomer, barnevernspedagoger osv. framover. Da må vi utdanne nok, og vi må utdanne kandidater som har relevant, forskningsbasert kompetanse på et høyt nivå. At komiteen understreker nettopp hvor viktig dette oppdraget er, er Arbeiderpartiet veldig godt fornøyd med, og jeg håper at statsråden merker seg akkurat dette. En måte å kvittere den forståelsen ut på, er å opprette et eget forskningsprogram for profesjonsfagene. Det vil bidra til et nødvendig kvalitetsløft og sikre balanse mellom gode profesjonsutdanninger på den ene siden og miljøer som ønsker å bli verdensledende på den andre siden. Vi applauderer begge deler. Jeg er spesielt glad for at denne meldingen forsiktig nærmer seg debatten om lederskap i akademia. Ledelse er viktig, noe en enstemmig komité tydelig gir uttrykk for. Om man skal ha valgt eller ansatt rektor, blir nå opp til styret å bestemme, slik saksordføreren, Sivert Bjørnstad, godt beskrev. Og debatten går. For det er dette vedtaket i innstillingen som har ført til mest debatt. Og jeg synes det er helt strålende, særlig når ansatte og studenter i sektoren diskuterer med hverandre. Kort vil jeg bemerke at det finnes gode argumenter for begge modeller, og at vi har fremragende rektorer i Norge som både er valgt og ansatt. Men for meg har det vært avgjørende at med disse fusjonene blir den gamle modellen med valgt rektor vanskeligere, rett og slett fordi kandidater fra en mindre institusjon opplagt vil ha mindre sjanse til å bli valgt enn kandidater fra en større institusjon. Vi ser nå eksempler på fusjoner hvor den store institusjonen ønsker seg valgt ledelse, den mindre vil ha ansatt. Jeg er ikke veldig overrasket over at de tar nettopp disse posisjonene. Helt til sist noen ord om instituttsektoren. Denne delen av Forsknings-Norge har en viktig rolle som vi ønsker at den fortsatt skal ha: mer vekt på anvendt forskning og en viktig rolle i verdiskapingen. Samtidig er SAK for instituttene noe som i høyeste grad bør vurderes. Det samme gjelder virkemidler for bedre samarbeid med universitet og høyskoler. Men også her handler det om å sikre en god oppgavefordeling og ha ulike roller, slik at det brede og svært komplekse samfunnsoppdraget som forskning, utvikling og høyere utdanning er, blir best mulig ivaretatt. til sist vil jeg kommentere noe til sluttreplikken til saksordføreren, Sivert Bjørnstad, om at vi er ved starten. Vel, starten på dette med fusjoner var vel egentlig da statsråd Gudmund Hernes startet med Norgesnettet og fusjonerte svært mange mindre institusjoner. Det vi ser nå, er fortsettelsen av SAK, som statsråd Kristin Halvorsen startet, og fikk gjennom sju institusjoner som slo seg sammen. Så dette er et skritt på veien videre til et litt annet universitets- og høyskolesystem, og jeg tror faktisk at vi nærmer oss mer slutten enn at vi er i starten. Så skal jeg ta opp forslaget fra Arbeiderpartiet og forslagene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV står sammen om. Representanten Marianne Aasen har tatt opp de til. Jeg vil også få lov til å takke saksordføreren og komiteen for et godt samarbeid i denne saken. Universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene våre utgjør et stort og viktig samfunnsområde. Måten vi velger å forvalte vår humankapital på, har store konsekvenser for samfunnet og for kommende generasjoner. Mye fungerer godt i norsk universitets- og høyskolesektor, men sektoren som helhet er ikke organisert for å møte framtidas krav til kvalitet i utdanning og forskning. I forbindelse med framleggelsen av Produktivitetskommisjonens arbeid i vinter ga Jørn Rattsø, leder av kommisjonen, uttrykk for en sterk bekymring for flere sider ved norsk utdanningssektor. Han stilte spørsmål ved ambisjonene våre og spurte om det er godt nok å være midt på treet. Rattsø refererte til at vi internasjonalt sett har middels prestasjoner i utdanning, forskning, innovasjon og offentlig sektor. Er det godt nok? Nei, denne regjeringa mener vi ikke skal slå oss til tåls med det. I perioden 2000 til 2012 har internasjonale fagpaneler gjennomført hele 27 evalueringer av norske forskningsmiljøer i regi av

Vi har mange sårbare fagmiljøer med spredte, små utdanningstilbud. Flere opplever sviktende rekruttering. Noen av institusjonene har problemer med å tiltrekke seg fagfolk, andre studenter. Forsknings- og publiseringsinnsatsen varierer sterkt. Det samme gjør evnen til å hente inn ekstern finansiering og mulighetene til å delta i internasjonalt samarbeid. Dette er utfordringer vi kjenner igjen fra Stjernø-utvalgets rapport

Men skal universitetene og høyskolene våre fylle sin rolle i framtida, må de tilby utdanning og forskning av høy kvalitet og ha et utstrakt samarbeid med samfunns- og næringslivet. Våre studenter fortjener utdanning av høy kvalitet på alle studiestedene landet over. De skal løse morgendagens utfordringer. Samtidig trenger vi forskere som kan hevde seg på den nasjonale og internasjonale arenaen. arenaen. De trenger tunge og solide fagmiljøer å arbeide i. Dette er bakgrunnen for at vi i dag behandler en stortingsmelding som ikke bare får bred oppslutning om situasjonsbeskrivelsen, men også om målene og om tiltakssiden. Meldingen vi debatterer, må sees i en bred kontekst. Regjeringa gjennomfører nå en stor satsing på kunnskap for å styrke norsk konkurransekraft og ruste Norge for Vi har allerede vedtatt en langtidsplan for forskning og høyere utdanning som skal styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer. Regjeringa har også utviklet en strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU, der ambisjonene for norsk deltagelse i Horisont 2020 er fastsatt. I statsbudsjettene har kunnskapssatsingen vært fulgt opp både utdanning og forskning. Det er syretesten på hel ved. Ser vi til våre naboland i Europa, har flere andre land vært nødt til å konsentrere ressursene og modernisere og effektivisere universitets- og høyskolesektoren for å oppnå bedre kvalitet. Målene for denne strukturreformen er klare. Det dreier seg om å legge til rette for utdanning og forskning av høy kvalitet. Det dreier seg om å utvikle mer solide og robuste fagmiljøer. Det handler om å gi tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet og bidra til regionalutvikling og effektiv ressursbruk. Ikke minst handler det om å legge til rette for å utvikle gode fagmiljøer som kan konkurrere internasjonalt i verdensklasse. Det er i dette perspektivet vi må se strukturmeldingen. Ekspertgruppen for finansering har vurdert hvordan finansieringssystemet for sektoren kan innrettes, og kunnskapsministeren har allerede varslet at det neste skrittet vil være en ny stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Her legges stein på stein. I forbindelse med produktivitetsanalysene sa Rattsø: «Oppmerksomheten i politikken må forskyves fra konkurranse om bevilgninger til evaluering av resultater og kostnader.» Vi har i dag godt belegg for at resultatene i sektoren varierer – ikke bare mellom de ulike institusjonene, men også innenfor en og samme institusjon. Det er store kvalitetsforskjeller mellom ulike fagmiljøer. Derfor er det etter mitt syn en styrke ved denne meldingen at den identifiserer ni klare kvalitetskriterier som skal gjelde for hele sektoren, uavhengig av institusjonenes art og størrelse. I debatten som har vært så langt etter framleggelsen av meldingen, er det særlig tre områder som har vært drøftet. Det er strukturelle endringer – fusjonsprosessene – det er finansieringen av sektoren, og det er spørsmålet om valgt versus ansatt ledelse av institusjonene. Når det gjelder fusjonsprosessene som er nevnt i meldingen, har det vært tett dialog mellom Kunnskapsdepartementet og de enkelte institusjonene. Vedtakene skal gjøres av Kongen i statsråd. Jeg er glad for at hele komiteen har sluttet seg til regjeringas mål for strukturreformen i fellesmerknadene i innstillingen. Det er verdt å merke seg at satsingen på verdensledende fagmiljøer skal knyttes opp til de områder hvor vi som nasjon har best forutsetninger for å lykkes. Arbeidet med å utvikle slike miljøer må omhandle både utdanning, forskning og innovasjon. Disse må sees i sammenheng. Det er et viktig signal i meldingen. En enstemmig komité peker på at det er viktig å fortsette satsingen på virkemidler som Sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI, Sentre for fremragende forskning, SFF, og ikke minst Sentre for fremragende utdanning, SFU. Dette vil etter mitt skjønn være et av suksesskriteriene for at reformen skal lykkes. Universitets- og høyskolesektoren er en stor samfunnssektor. En god finansiering er avgjørende for mulighetene til å lykkes med å øke kvaliteten. Jeg er glad for at det var en samlet komité som i innstillingen påpeker at det vil være en styrke for sektoren med mer åpenhet og transparens om grunnbevilgningen. Komiteen ber regjeringa komme tilbake til dette i forbindelse med endringene i finansieringssystemet i budsjettprosessen. Finansiering skal fremme kvalitet i hele bredden av sektoren, for disiplinfagene og for profesjonsstudiene.

og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte. Det er bra. Avslutningsvis vil jeg gjerne kommentere ledelsesmodellene som er drøftet i meldingen. Våre universiteter og høyskoler forvalter store ressurser for fellesskapet. Det er krevende. Endringer i sektoren har ført til større konkurranse, også internasjonalt. I tillegg blir institusjonene større og mer komplekse. Dette krever god gjennomføringskraft, styring og ledelse. Selv om regjeringa nå i meldingen legger opp til en ny hovedmodell med ansatt rektor og ekstern styreleder, ligger det fast at det er institusjonene selv som tar valget for sitt universitet eller sin høyskole. Det er styret som er det øverste organet ved institusjonen, og som må ta stilling til hvordan de best kan sikre at de lederne som rekrutteres, er de best kvalifiserte til å ta oppgaven. Jeg støtter beslutningen om ny hovedmodell, men jeg er glad for at det understrekes så tydelig at det er styrene som tar den endelige beslutningen. Dette er viktig for å sikre institusjonenes autonomi. Gode målsettinger og strategier er viktig, men det er i gjennomføringen at resultater skapes. «The proof of the pudding is in the eating.» En god plan må nå implementeres med engasjement og forpliktelse. Landet vårt er forpliktelse. Landet vårt er avhengig av gode utdanningstilbud og forskning av høy kvalitet, og vi skal ha høye ambisjoner for norsk universitets- og høyskolesektor. Stortinget har vedtatt den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Der ble vi enige om noen langsiktige satsinger og tydelige prioriteringer for framtiden. Vi forplikter oss til å trappe opp forskningsinnsatsen. Vi tidfestet et mål om at FoU skal utgjøre 3 pst. av BNP innen 2030. Vi ble enige om å satse på felt som marin og maritim forskning, på klima, miljø og miljøvennlig energi og på muliggjørende teknologier, og vi ble enige om et mål om å utvikle flere fagmiljøer av fremragende kvalitet. Samtidig som vi trenger spydspissene,

Flere rapporter peker på at vi har for mange små og sårbare fagmiljøer i Norge, og vi har kanskje ikke innrettet UH-sektoren optimalt for å få mest mulig igjen for de investeringene vi gjør i sektoren. Jeg synes derfor det er bra at det nå er en rekke positive prosesser på gang. Jeg tror ikke at fusjoner er det eneste saliggjørende, men jeg tror at det mange steder vil være nødvendig og positivt. Jeg vil derfor rose regjeringen for å ha satt i gang dette arbeidet, og ikke minst de ulike institusjonene som har tatt utfordringen på alvor, og satt i gang et omfattende arbeid. Samtidig har jeg ved flere anledninger advart mot å fusjonere institusjoner mot deres vilje. Jeg tror en fusjon vil ha best forutsetninger for å bli vellykket dersom partene ser en gjensidig nytte av fusjonen og ønsker seg en slik prosess. Jeg er derfor glad for at komiteen uttrykker at departementet ikke skal utelukke at institusjoner som kan oppfylle framtidige krav til kvalitet som selvstendige institusjoner gjennom et forpliktende samarbeid med andre, skal få muligheten til det. Jeg er også glad for at det skal foretas en helhetsvurdering av institusjonene, og at også forhold som studentinvolvering i forskningen, studenttilfredshet og oppfølging av studentene skal tillegges vekt. Nå åpner Stortinget for at institusjoner igjen skal kunne skifte kategori. Det betyr at flere av dagens høyskoler skal kunne søke om å få bli universiteter. Samtidig skjerper vi akkrediteringskravene noe. Jeg mener dette er fornuftige grep. Det er ikke lenger kategoritilhørigheten som er det naturlige skillet i arbeidsdelingen mellom ulike institusjoner. Både universiteter og høyskoler tilbyr i dag både profesjonsutdanninger og disiplinstudier. De er underlagt samme lovverk og samme finansieringssystem. Jeg tror også at en universitetsstatus for de institusjonene som oppfyller kvalitetskravene, kan bidra til å styrke rekrutteringen av både gode studenter og gode forskere fra utlandet og dermed bidra til at vi når noen av de nasjonale målsettingene som vi har satt oss for sektoren. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal ha en arbeidsdeling i sektoren. Alle må ikke prøve å bli som Universitetet i Oslo eller NTNU. Ulike institusjoner har ulike oppgaver og ulike roller. Derfor trenger vi et finansieringssystem som legger til rette for dette, og som bidrar til faglig og profilmessig spissing ved institusjonene. Jeg er også opptatt av at vi skal ha et gjennomsiktig finansieringssystem. Det er storting og regjering som bevilger ressurser til institusjonene, og det er disse bevilgningene som i stor grad har bidratt til eventuelle skjevheter i systemet, men vi trenger nå bedre innsikt i hvordan basiskomponenten er sammensatt. Mer åpenhet og gjennomsiktighet vil være en styrke for sektoren, og komiteen ber nå derfor departementet komme tilbake til dette i forbindelse med endringene i finansieringssystemet. Helt til slutt noen få ord om styring og ledelse: Spørsmålet om valgt eller ansatt rektor har skapt offentlig debatt. Jeg mener det finnes gode argumenter for begge deler. Derfor er jeg tilfreds med at det fremdeles skal være opp til den enkelte institusjon å velge dette, og at valgfriheten faktisk blir mer reell etter den endringen som nå foretas.

foretas. Ønsket om å utvikle og forbedre universitets- og høgskolesektoren er ikke noe nytt ønske. Over mange år har det vært misnøye med at våre universitet ligger for langt nede på rankinglistene internasjonalt, også i Europa. Lav uttelling på institusjonenes arbeid med å dra hjem europeiske forskningsmidler har også vært gjenstand for frustrasjon. En kan gjerne unnskylde seg med mange men, men det ligger til oss at vi ikke ønsker å være middels gode, sjøl om de fleste av oss er det. Det ligger mye positiv driv, imidlertid, i ønsket om forbedring. Det har også vært misnøye med at kvaliteten i høgskolesektoren ikke har vært god nok. Flere har pekt på at små enheter gjør miljøer sårbare og gir mindre mulighet Kvalitetsreformen ble igangsatt i 2004, men etter ti år ser ikke endringene som ble gjort den gangen, ut til å ha hatt den effekten man ønsket seg, sjøl om mange har vist god utvikling. Enkeltinstitusjoner har blitt bedre, men studentene generelt er ikke blitt mer fornøyde. Men når en del av bakteppet for denne saken er misnøye med høgskolene, er det interessant å notere seg at høgskolestudenter faktisk ser ut til å være mer fornøyde enn universitetsstudenter. I I 2008 ble Stjernø-rapporten lagt fram. Den skulle se på om strukturen i sektoren var framtidsrettet for bl.a. økt internasjonalisering. Svaret fra utvalget var: sammenslåing av institusjoner. Svaret fra de rød-grønne var: mer forpliktende samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. Sektoren har tatt til seg SAK, men i mindre grad klart å oppfylle intensjonene. Dermed skrur den blå-blå regjeringa, med Venstre og Kristelig Folkeparti, skruen til: Institusjonene skal fusjoneres. Jeg har tidligere sagt at jeg mener regjeringa og statsråden har begynt arbeidet med å heve kvaliteten i UH-sektoren bak fram. Vi ønsker høgere kvalitet, at universitetene skal klatre høgere på internasjonale rankinglister og bli mer internasjonaliserte, og at høgskolesektoren skal forske mer og utdanne lærere, sykepleiere og ingeniører til det brede arbeidslivet regionalt. Men for å heve kvaliteten i sektoren må vi nødvendigvis mene noe om hva kvalitet i høgere utdanning er. Jeg kan ikke annet enn å se på deler av denne diskusjonen som noe schizofren. På den ene siden hauses eksellense og spissing opp som hovedmålsetting. Samtidig skal institusjonene fortsatt ivareta regionalt arbeidslivs behov for kompetanse og næringslivets behov for innovasjon og samarbeid med akademia. Dette til tross: Den grunnleggende diskusjonen om de ulike institusjonenes oppdrag har vært fraværende i meldinga og i den politiske diskusjonen. Flertallet har i merknad vist til at NIFU og IPED i 2013 ble gitt i oppdrag å evaluere kvalitet i høgere utdanning. Deres arbeid skal foreligge i 2016. Saksordføreren var også inne på det samme. Det var et godt grep. Problemet er at oppdragsgiveren – regjering og statsråd ikke ser poenget i å vente på dette arbeidet før de gjør strukturelle endringer. Regjeringa mener at svaret på økt kvalitet er at institusjoner fusjoneres og får felles styre. Regjeringa tar seg ikke tid til å gjennomgå og analysere kvalitetsdriverne. De har laget seg et sett på ni kriterier som er deres definisjon av kvalitet. Når svaret er gitt på forhånd, er vi i Senterpartiet veldig bekymret for at hele prosessen vil føre til en storstilt sanering av gode og at både kvalitet på utdanning og forskning og geografisk tilgang til høgere utdanning vil svekkes. Vi er derfor kritisk til utgangspunktet og premissene for prosessen som regjeringa har satt i gang. Senterpartiet mener meldinga for ensidig vektlegger enkelte svakheter ved dagens universitets- og høgskolesystem uten at det balanseres opp mot det norske UH-institusjoner faktisk oppnår av fremragende utdanning og forskning.

Og alle skal være «eksellente». Det er et fromt mål, men høgskolene har et bredere mål enn å svare på verdenssamfunnets store spørsmål. De skal også sørge for lik tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet. Siden regjeringa i praksis mener universitet er det eneste svaret, frykter Senterpartiet at resultatet vil kunne bli lavere kvalitet i de brede profesjonsutdanningene og en nedprioritering av institusjonenes oppgave med å dekke behovet for arbeidskraft regionalt. Vi står foran den store «høgskoledøden». Landets høgskoler og universiteter er satt under et sterkt press i halvannet år for å finne fusjonspartnere. Sjøl om enkelte institusjoner ønsker å inngå i en større enhet, er det flere av UH-institusjonene som underveis i prosessen har konkludert med at de vil være best tjent med å Til tross for grundige utredninger ved institusjonene har regjeringa likevel valgt å overprøve disse faglige og strategiske vurderingene ved å pålegge dem å gå nye runder. Vi mener en slik overprøving er uklok og vil heller kritisere regjeringa for ikke å åpne for å vurdere alternativer til fusjoner i de innledende rundene, men vi er sjølsagt glade for at komiteen pålegger regjeringa å gjøre dette nå framover. framover. Det er viktig at utdanningstilbudet er fordelt slik at det imøtekommer behovene i alle deler av landet. Regjeringa foreslår ikke reduksjon i antall studiesteder. Likevel er Senterpartiet bekymret for at konsekvensen på sikt kan bli akkurat sentralisering av studietilbud. Regjeringa kan ikke garantere at fusjonerte og sjølstendige institusjoner etter hvert vil foreta endringer i tilbudsstrukturen for å samle fagmiljøer som vil kunne føre til sentralisering av Det vil være opp til styret ved den enkelte institusjon å avgjøre plassering av campus og opprettelse og nedleggelse av studietilbud. Senterpartiet frykter campusfilialer uten faglige fullmakter som fullt ut er underlagt fakulteter ved andre studiesteder. Når beslutningsmyndigheten flyttes lenger unna dagens studiesteder, vil det på sikt kunne svekke den lokale og regionale styringa av

og ender opp med å se på hva som er kvalitet. Det er virkelig bak fram! Det er fullt forståelig at flere høgskoler er lokket av muligheten til en bedre finansiering, større autonomi og høgere status ved å bli en del av et universitet. Tilgang til mer fagkompetanse er sjølsagt svært viktig, men fusjon kan ikke være en forutsetning for å få til det. Samarbeid mellom institusjoner er helt nødvendig og må ikke begrenses til å skje innenfor en region eller begrenses nasjonalt. Vi trenger både nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Senterpartiet er bekymret for at noen forregner seg på gevinstene de ser at de nå skal oppnå. Vi har eksempler på dette da de nye universitetene ble kategorisert fra høgskole til universitet. Hvordan vi finansierer universitetene og høgskolene, har stor betydning for hvordan UH-sektoren organiserer seg, og hvordan de har mulighet til å utvikle seg. Basiskomponenten er et tilbakevendende tema når institusjonene tar opp sine utfordringer og behov. Dagens beregning av basisbevilgninga hviler på gamle og utdaterte politiske prioriteringer. Basiskomponenten må være mer gjennomsiktig og mer rettferdig, og jeg viser i den forbindelse til forslagene som Senterpartiet har lagt inn i innstillinga, og fremmer disse. Vi er også kritiske til at resultatkomponenten skal økes. Det er ikke feil i seg sjøl, men dersom dette skal være et kriterium, må det følges opp med tydelige kriterier for premiering også av de institusjonene som utdanner for det brede arbeidslivet. Senterpartiet mener det er skuffende og oppsiktsvekkende at skjevhetene foreslås videreført. Vi ønsker ikke en situasjon der institusjoner med lav basisbevilgning vil få et svakere strategisk handlingsrom og dårligere muligheter for å skåre optimalt på kvalitetsindikatorene enn institusjonene som av historiske årsaker er tildelt en høy basiskomponent. Vi forventer at regjeringa retter opp i dette når de behandler finansieringa i statsbudsjettet. Vi er også bekymret for at kostnadene ved sjølve fusjonsprosessene og en vekting av kvalitetskrav i favør av fremragende forskning vil trekke ressurser bort fra undervisninga. I dette ligger også en bekymring for at det er studentene som må betale regninga for regjeringas ambisjoner. Det er overraskende at verken regjeringa eller komiteen ser ut til å være særlig opptatt av dette. Det merkes allerede med fusjonsprosessen ved NTNU, og i Forskerforum sier også en representant fra Universitetet i Tromsø, som allerede er i denne prosessen, at byråkratiet har økt, og at system og regler er blitt mer rigide. Vi ser at det er et flertall for tvangsfusjonering av universiteter og høgskoler, men mener regjeringa også her starter arbeidet bak fram: Sentralisering er viktigst, uavhengig av hva man mener man får ut av det.
viste til. La meg begynne med å takke komiteen for godt samarbeid i denne saken – og ikke minst saksordføreren, Sivert Bjørnstad, for godt utført arbeid med å lede oss igjennom denne ganske store og til dels kompliserte saken. Det er bred politisk enighet om at vi må fokusere på kvalitet i

Men så handler det også om at vi skal ha gode utdanninger. Vi må sørge for at studentene, uansett hvor de studerer, får en solid og god utdannelse. Jeg opplever at sektoren har opptrådt konstruktivt i den runden som har vært til nå. Jeg opplever at de har vært konstruktive, både med tanke på på å utrede ulike sammenslåinger og med tanke på å se på ulike typer samarbeid. Jeg oppfatter det slik at det er en felles interesse for at den enkelte institusjon styrkes. Jeg er veldig glad for at en samlet komité står bak ønsket om å be regjeringen ikke utelukke at institusjoner kan samarbeide for å oppnå de kvalitetskriteriene som vi setter. Jeg tenker at kanskje er det Bergen – gjerne sammen med Høgskulen i Sogn og Fjordane – som har vært tydeligst på at samarbeid kan være en god måte å oppnå kvalitetskriteriene på. på. Det er ikke alltid størrelsen det kommer an på når det gjelder kvalitet i denne sektoren. Ofte blir NHH trukket fram som en ikke veldig stor høyskole, men en som er veldig spisset og god i det den holder på med. med. Vi har en utfordring når vi skal slå sammen. Enten det blir sammenslåinger, eller det blir forpliktende samarbeid, kan vi ikke bare slå oss til ro med at nå har vi slått oss sammen, vi har opprettholdt campusen og fortsetter som før. Poenget med sammenslåingen må være at man styrker det faglige innholdet. Det er en krevende prosess for de institusjonene som skal igjennom dette. Jeg tror det også blir en oppgave for regjeringen å følge opp at når man slår sammen institusjoner, får man noe igjen for det, både på forskningssiden og, ikke minst, på undervisningssiden – at det medfører en kvalitetsheving. Så er det dette, som flere har vært inne på, med valgt eller ansatt rektor. Det har blitt en stor debatt. Det er veldig ulike meninger om dette, både i Det som har vært viktig for Venstre, er at institusjonene selv skal få velge hvilken styreform de vil ha. Noen institusjoner har valgt å ha ansatt rektor – de trives godt med det og synes det fungerer godt – mens andre ønsker å fortsette med valgt rektor, noe jeg er glad for at de nå skal få lov til. Men det blir jo en endring når vi får en sammenslåing, som flere også har vært inne på. Det skaper en annen dynamikk. Er man fra den minste institusjonen, er sjansene for at man får en valgt rektor derfra, betydelig mindre enn at man får en valgt rektor fra den store institusjonen. Det er

Det har vært en av de store debattene i kjølvannet av denne stortingsmeldingen. Jeg er enig med dem som sier at finansieringen burde vært en del av denne meldingen, for det er to sider av samme sak. Vi må se dette litt i sammenheng. Men det er ikke en del av denne meldingen. Vi vet at det kommer i budsjettet til høsten. Derfor må vi fortsatt fokusere på dette framover. Vi må lage et finansieringssystem som er transparent og gjennomsiktig. Det Vi må lage et finansieringssystem som er transparent og gjennomsiktig. Det er jeg glad for at komiteen understreker. Vi som storting må kunne stå for de bevilgningene som er gitt. gitt. Da må vi også vite hva de går til. Det håper jeg vil skape ro i sektoren framover. Vi må lage et finansieringssystem som gjør at de ulike institusjonene kan bli bedre i det de er gode i, og slik at ikke alle er nødt til å ha bredde, som de store breddeuniversitetene våre har. Jeg er glad for at regjeringen nå skal adressere den problemstillingen som går på de tradisjonelle universitetene og de nye universitetene og høyskolene. Komiteen er og høyskolene. Komiteen er einig om mykje i denne sektoren. Det står også i innstillinga. Samtidig er det i ferd med å vise seg ei større og djupare ueinigheit om kva som faktisk skaper god forsking og høgare utdanning. Regjeringa byggjer sin politikk på ei tru på at større er best, meir konkurranse fører til høgare kvalitet, og at byane er staden der forskinga primært skal skje. Det som bekymrar mest i forslaget til nytt finansieringssystem frå regjeringa, er at dei varslar at grunnløyvinga skal utgjere ein mindre del av finansieringa til institusjonane, at konkurranse skal bety meir.

Kari Melby, prorektor ved NTNU, skreiv dette i rektorbloggen i fjor haust: «Men det er et viktig poeng at vår evne til å få fram verdensledende miljøer, ikke først og fremst kan basere seg på et slikt målrettet virkemiddel. Det fremste virkemiddelet er grunnbevilgningen. Lang erfaring har lært oss at dersom vi skal kunne støtte opp under miljøer med potensial for å bli verdensledende, trenger vi en rammebevilgning hvor ikke alle mulige formål er øremerket.» Noko liknande seier Edvard Moser, som i fjor mottok Noregs første nobelpris i medisin. I ein debatt i Morgenbladet sa han: «Problemet er at å publisere store mengder er uforenlig med å publisere så bra som mulig.» Vi burde ha gått motsett veg, slik SV føreslo i budsjettprosessen i fjor, mot større basisfinansiering. Det vil vi gjere fordi vi ønskjer autonome, uavhengige institusjonar innan høgare utdanning, ikkje fordi høgare utdanning skal vere frakopla samfunnet, men fordi autonome institusjonar er betre for samfunnet. Universitet og høgskular er ikkje produsentar av studiepoeng eller forskingsartiklar; dei er viktige samfunnsaktørar med kritiske oppdrag. Med denne meldinga tar vi eit Med denne meldinga tar vi eit skritt mot ein meir marknadsorientert businessmodell innan høgare utdanning. Han byggjer på ideen om at konkurranse gjev den beste forskinga, på at større einingar gjev den beste forskinga, og på at meir måling, fleire kvalitetsindikatorar og rapportering gjev fleire vitskapelege gjennombrot. Det trur ikkje vi, og det trur heller ikkje Edvard Moser. ikkje Edvard Moser. Telleproblemet som Moser påpeikar, kjem også til uttrykk i dei andre kvalitetskriterium som stortingsmeldinga legg opp til. Kategorien «søking til studieprogram» kan bli ein drivar for marknadsføring som ikkje samsvarar med studiets faktiske innhald. Kategorien «høg gjennomføring» er sjølvsagt bra, men ikkje dersom det blir ein drivar for mindre ambisiøse studium og lågare krav. Kategorien «storleik på doktorgradsutdanninga» er ikkje eit gunstig kriterium dersom det medfører at institusjonane gjer programma stadig større utan at oppfølginga av stipendiatane blir forbetra. Ny kunnskap og forsking utviklar seg best gjennom ein løpande, open og demokratisk debatt. Det er gjennom denne openheita og forskingas indre demokrati at ny kunnskap blir diskutert og ofte blir krangla fram. Fundamentalt for denne openheita og dette demokratiet ligg forskingas autonomi – at ho ikkje skal bli styrt for mykje av andre, ytre forhold. Difor er det så viktig for SV å styrkje basisfinansieringa. Difor er vi skeptiske til samanslåingar med tvang og nedlegging av små fag fordi dei er små. Difor går vi imot å endre modellen der vald rektor er utgangspunktet i akademia. Det er ei for stor tru på at struktur er svaret på utfordringane i UH-sektoren. Samanslåingar kan ha god effekt, men det er ingen mirakelkur. Det er ikkje slik at studentane på Gjøvik plutseleg vaknar opp til ein heilt ny studiekvardag den dagen dei går på NTNU og rektoren sit i Trondheim. Stort behøver ikkje vere godt, smått behøver dårleg. SV meiner dette systemet ikkje fører til varierte institusjonar tilpassa sitt oppdrag, og vi er difor kritiske til store delar av forslaget til regjeringa. Eg vil ta opp det forslaget vi fremjar i innstillinga. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har tatt opp det forslaget
Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, og vi har tatt utgangspunkt i noen store utfordringer som både vi som samfunn står overfor, og som verden står overfor: klimaendringer, kombinasjonen av at vi skal løfte millioner av mennesker ut av fattigdom samtidig som vi skal gjøre det på en bærekraftig måte, behovet for endret energibruk, og her hjemme utfordringer knyttet til alderssammensetningen i befolkningen, sprekker i velferdssamfunnet – ja selve behovet for at vi fortsatt skal ha et sterkt velferdssamfunn og høy verdiskaping. Det er ikke noe nytt at verden endrer seg, men tempoet er kanskje raskere enn tidligere, og det vil alltid være usikkert hva den endrer seg til. Universiteter og høyskoler spiller en nøkkelrolle i samfunnet vårt. De er bærebjelker i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet for å gi utdannelse og for å gi dannelse.

Det er mange små og sårbare fagmiljøer, som også andre talere har vært innom, og mange spredte, små utdanningstilbud med sviktende rekruttering. Det er ikke en diagnose som dukket opp med den nye regjeringen. I 2008 presenterte Stjernø-utvalget en utredning som sa det samme. Også evalueringer foretatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, viser bekymringen for at ressursene spres for mye. I regi av Norges forskningsråd har internasjonale fagpaneler gjennomført nesten 30 evalueringer av norske forskningsmiljøer. Et gjennomgangstema er at mange fagmiljøer er for små til å forfølge viktige forskningsspørsmål, også innen profesjonsfagene, og til å kunne hevde seg i internasjonal konkurranse. Det er det viktige utgangspunktet for meldingen og for de endringene vi mener det er behov for. Diskusjonen om struktur i universitets- og høyskolesektoren er ikke ny. Jeg har nevnt Stjernø-utvalget. I kjølvannet av det oppfordret forrige regjering institusjonene til å finne sammen og fusjonere. Stortinget bevilget penger til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon, og det ga noen resultater, men ikke nok. Regjeringen har ansvaret for den samlede strukturen i universitets- og høyskolesektoren, og det er behov for større endringer enn det vi har sett hittil. Derfor tar vi ansvaret for det og gjennomfører endringer, og vi gjør det gjennom en prosess som er involverende. Dette innebærer god dialog med institusjonene selv, selv om ikke alle institusjonene nødvendigvis får den løsningen de har øverst på ønskelisten hvis de bare ser på egen institusjon. En god prosess innebærer også politisk forankring. Politikken for høyere utdanning og forskning, i hvert fall de store strukturgrepene, har vært preget av stor enighet. Det er viktig, fordi vi ønsker løsninger som står seg over tid, og som Stortinget slutter opp om. Det er også en viktig bakgrunn for at denne meldingen blir lagt frem nå. Kvalitet er det overordnede målet for regjeringens kunnskapspolitikk, og strukturmeldingen uttrykker tydelige mål om utdanning og forskning av høy kvalitet. Vi skal ha robuste fagmiljøer. En styrke med det norske systemet er at vi har god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, og det skal vi fortsatt ha. Institusjonene skal bli bedre i stand til å ta en aktiv rolle i regional utvikling. Vi ønsker god utdanning på alle nivåer og på alle studiesteder, men vi ønsker også miljøer som hevder seg helt i verdenstoppen. Større fagmiljøer og større institusjoner legger til rette for det. Vi vil også legge vekt på effektiv ressursbruk, uten at vi dermed tror at større alltid vil være bedre, og det har vært nevnt gode eksempler her på institusjoner som ikke er store i betydningen mange studenter, men som allikevel er fremragende innenfor sine fagfelt. Det er også viktig å understreke at sammenslåinger ikke er et mål i seg selv, det er et virkemiddel for å fremme kvalitet. Det betyr også at verken institusjonene eller regjeringen eller Stortinget er når sammenslåinger er gjennomført. Kvalitet er et mål vi hele tiden må jobbe for, og et viktig ledd i det arbeidet blir en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning i 2017. I strukturmeldingen peker vi på noen kriterier som sier noe om kvalitet eller hvor robust en institusjon er: antall årsverk med førstestillingskompetanse, studentrekruttering, studentenes tidsbruk og fullføring, publisering av ny forskning, eksterne inntekter, størrelsen på doktorgradsprogram, samspill med samfunnet og internasjonal orientering. Dette er ikke nye kriterier, det er kjente kriterier som over tid har vært brukt både av sektoren, av politikere og andre for å diskutere kvalitet. Det er også de kriteriene som er mest relevante for å vurdere struktur. Derfor er det fornuftig å bruke dem som et utgangspunkt for å vurdere om en institusjon er solid nok til å stå alene. Men det er ingen formel for kvalitet, og det finnes heller ingen formel for struktur. Med andre ord setter vi ikke noen absolutte minstekrav eller vurderer utelukkende etter kriteriene. Vi må gjøre en samlet vurdering av institusjonene og hvilke alternativer som foreligger. Men når noen gjennomgående scorer lavt, tilsier det etter vår vurdering at de bør slås sammen med andre. Mer forskningsbaserte profesjonsutdanninger og innføring av femårige lærerutdanninger er også en viktig bakgrunn for strukturendringene. Mange institusjoner vil ikke ha faglige forutsetninger for f.eks. å kunne tilby en femårig lærerutdanning alene. Nye opptakskrav kan også påvirke rekrutteringen. I meldingen skisserer vi noen institusjoner som kan slås sammen ganske raskt. Disse vurderingene er et resultat av en ganske lang og veldig åpen prosess. prosess. Vi peker også på en del institusjoner som ennå ikke har funnet sin plass. Disse institusjonene vil vi ha videre dialog med gjennom en fortsatt åpen prosess. Det er altså ikke noe hemmelig kart som nå dras opp av skuffen. Andre institusjoner igjen vil klare seg fint alene, men har en viktig jobb å gjøre med å prioritere, konsolidere og utvikle Atter andre kan det være behov for å fortsette prosessen med når de ser hvordan sektoren utvikler seg, og hvordan det vil påvirke dem. Som sagt er sammenslåing bare ett virkemiddel for kvalitet. I meldingen presenterer vi også noen andre virkemidler som virker sammen med strukturendringer, f.eks. nye krav til master- og doktorgradsprogrammer for å sikre at de er forankret i sterkere fagmiljøer. Det skal fortsatt være mulig for en institusjon, for en høyskole, å bli vitenskapelig høyskole eller universitet, og den dynamikken har også ført mye bra med seg. Men det har også ført til at det har blitt etablert noen i overkant smale doktorgradsprogrammer med få kandidater. Derfor strammer vi til kriteriene for å endre institusjonskategori. God styring og ledelse er avgjørende for å få utdanning og forskning av høy kvalitet. I dag kan institusjonene velge om de skal ha valgt rektor som styrets leder eller ekstern styreleder og ansatt rektor. Den valgmuligheten vil være der fortsatt, men regjeringen mener at modellen med ekstern styreleder legger best til rette for både ryddighet og for rekruttering av den best kvalifiserte ledelsen, og at den gir styret en tydeligere og mer uavhengig rolle overfor den daglige ledelsen av institusjonen. Ikke dermed sagt at det ikke er flere veldig gode rektorer som er valgt, men det er altså den politiske, prinsipielle beslutningen og innfallsvinkelen. Hvis institusjonene selv er rykende uenig, vil de fortsatt ha mulighet til å bestemme at de skal ha valgt rektor som styreleder. Endringen i UH-sektoren må ses i sammenheng med regjeringens store satsing på forskning og høyere utdanning. Den må ses i sammenheng med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, den må ses i sammenheng med budsjettene, og den må ses i sammenheng med stortingsmeldingen om kvalitet. Meldingen viser også til andre tiltak, som f.eks. utviklingen av NOKUTs tilsynsmodell. Vi har også varslet endringer i finansieringssystemet, basert på råd fra en ekspertgruppe og på prosessen og dialogen med sektoren. Noen av disse justeringene vil kunne ha budsjetteffekter. Det gjør at jeg mener de hører hjemme i statsbudsjettet. Noen av justeringene har så nær sammenheng med strukturen og institusjonenes rammebetingelser at vi har presentert dem i meldingen. Vi kommer så godt vi kan til å legge opp til en prosess som gjør at Stortinget får god tid til også å diskutere et finansieringssystem. For regjeringen har det vært viktig å gi institusjonene en forutberegnelighet ved allerede nå å si at vi ønsker å videreføre hovedtrekkene i dagens system, og samtidig over tid øke den resultatbaserte finansieringen. Det betyr ikke at basisbevilgningene blir radikalt lagt om, men det betyr at over tid vil mer komme som en følge av konkurranse på åpne arenaer. Størrelsen på den resultatbaserte delen og hvilke indikatorer som skal inngå, innrettingen av styrkeforholdet mellom disse samt spørsmålene om åpen eller lukket ramme har økonomiske konsekvenser og bør derfor behandles i forbindelse med budsjettet.
Det åpnes for replikkordskifte. Jeg har tenkt å stille et spørsmål om finansieringssystemet, som var det statsråden avsluttet sitt innlegg med. Det er riktig at det ble nedsatt et ekspertutvalg som dannet grunnlaget for de vurderingene som skisseres i meldingen. Regjeringen valgte ikke å gå videre på dette med basisbevilgningen, hvordan den er sammensatt og hvordan den fungerer. Samtidig er det en enstemmig komité som ber om at regjeringen kommer tilbake og adresserer denne problemstillingen knyttet til ulike rammebetingelser, og som andre mener har gode forklaringer i sektoren, men som en samlet komité ønsker å gå mer i dybden på. På hvilken måte ser statsråd Røe Isaksen for seg at dette skal skje? Når en samlet komité ber om det, vil vi selvfølgelig gjøre det. det. Det betyr at i forbindelse med nytt finansieringssystem som skal legges frem – dette må jo komme frem før Stortinget vedtar et nytt finansieringssystem – vil vi også legge frem en oversikt over i det store og det hele hvordan basisfinansieringen er bygd opp. Så er det en interessant diskusjon som flere har vært innom her, nemlig for og imot en høy basisandel. Fordelen som SV peker på – og det er jeg helt enig i – er at en stor grunnfinansiering gjør at institusjonene har stor mulighet til å prioritere selv, ha egne prioriteringer. Ulempen, hvis man kan kalle det det, er jo at basisfinansieringen, for at man ikke skal få for radikale endringer i finansieringen til institusjonene fra år til år, reflekterer vedtak. Dermed er det slik at forskjellige institusjoner har vært utsatt for – eller velsignet med – forskjellige politiske vedtak over tid. Vi får nå vite at vi skal få en oversikt over basisbevilgningen, og det er fint. Jeg bare lurer på hvorfor kom ikke den oversikten i denne meldingen?

innspillene som er kommet om at basisfinansiering er en slags svart boks. Man ønsker å vite hva som har drevet utviklingen i basisfinansieringen, og det kommer vi til å komme tilbake til Stortinget med. Vi har ikke gjort det tidligere, for vårt utgangspunkt var at vi skal videreføre hovedtrekkene i dagens modell, og at vi ikke ønsker altfor radikale omlegginger i finansieringen til institusjonene fra et år til et annet. Men det oppfatter jeg heller ikke at komiteen tar til orde for, Men det oppfatter jeg heller ikke at komiteen tar til orde for, men vi skal selvfølgelig gjøre det komiteen har bedt oss om å gjøre. Jeg skulle nesten hatt lyst til å fortsette på det med basiskomponenten, men jeg skal fokusere på noen annet, for i Adresseavisen 19. mai skriver de om første strid mellom fusjonspartnerne, og det går på fusjonen mellom NTNU, Gjøvik, Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det var jo anbefalt at alle skulle sitte i styret, og alle trodde sikkert at alle skulle sitte i det nye styret for fusjonspartnerne, men det ville ikke men det ville ikke styret i NTNU. De sa nei. Men den 21. mai gikk det en e-postrunde der de sa at de kunne vurdere det likevel. De andre skulle få én representant hver, og Gjøvik kunne ligge an til å få én representant fra studentene. Jeg lurer på hvilke grep statsråden vil gjøre for å sikre behovet til nærings- og arbeidslivet lokalt, og om statsråden er fornøyd med hvordan denne prosessen har seg? I det store og det hele er jeg fornøyd med hvordan prosessen har utviklet seg, og så antar jeg også at når det har vært stor lokal oppslutning, både i Gjøvik og Ålesund, om at man skal bli en del av NTNU, skyldes det ikke minst at arbeidsliv og næringsliv ser store fordeler med det. Så mener jeg at det vi skal ta politisk ansvar for, er først og fremst de overordnede strukturrammene. Jeg er ikke for at vi skal gå inn og detaljstyre institusjonene. Det betyr også at også at hvordan man håndterer fusjonsprosesser, hva slags samtaler man har på forhånd, mener jeg at institusjonene og styrene skal ha et stort ansvar for, og at de ikke skal detaljstyres politisk. Så har jeg full tillit til at disse institusjonene, både Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU, Gjøvik og Ålesund, kommer til å komme frem til en god løsning. Hver gang jeg møter dem, er de veldig giret på å få til Norges største universitet, så det tror jeg går bra.

går bra. Vi er alle enige om at denne runden som vi nå går, må medføre høyere kvalitet i sektoren, både på forskningssiden og ikke minst på utdanningssiden. Og det er jo en utfordring for sektoren når man har ulike campuser, som det nå blir, som skal ligge under én institusjon – for det første fordi hvis en høyskole slår seg sammen med et universitet, så vil det også være en utfordring at de har geografisk ulike lokasjoner. Så jeg lurer på om statsråden har noe inntrykk av om UH-sektoren selv har kommet et godt stykke på vei i hvordan de skal sørge for at kvaliteten blir bedre gjennom dette samarbeidet, og hva statsråden ser for seg at han kan gjøre, f.eks. for å løfte de høyskolene som nå slår seg sammen med universiteter, for at de skal komme opp på samme nivå. Det er et veldig stort og godt spørsmål og vanskelig å svare på på 1 minutt, men jeg prøver allikevel. Kvalitetsfordelene ved dette kommer jo ikke av

For en del institusjoner vil det å kunne bli en del av en større enhet, å kunne få tilgang til flere ressurser for f.eks. å kunne svare på et behov i lokalt arbeidsliv eller næringsliv, være en stor fordel. Så er det ikke noe nytt at vi har geografisk spredte campuser. Det har vi allerede i dag. Og det er flere institusjoner som er spredt over opptil flere campuser. Og så mener jeg igjen at institusjonene da må tenke strategisk, langsiktig og systematisk. Men jeg ønsker ikke som statsråd å gå inn og detaljstyre institusjonene når det gjelder hvilket studietilbud de skal ha hvor. Det oppfatter jeg at et ganske enstemmig storting, i hvert fall nesten, ønsker at det skal institusjonene gjøre selv. selv. Det er bred politisk enighet om at det er behov for fusjoner. Det er bred politisk enighet om at det er behov for større fagmiljøer mange steder. Men samtidig er det bred politisk enighet om at dette ikke skal være en reform for å legge ned studiesteder. Vi har behov for gode utdanningstilbud over hele landet. Nå sa statsråden nettopp at han ikke ønsker å gå inn og detaljstyre hvilke studietilbud de ulike institusjonene skal ha ulike steder, men det vil jo nå i stor grad være opp til de fusjonerte universitets- og høyskolestyrene rundt omkring å ta denne avgjørelsen. På hvilken måte ser statsråden for seg at vi som ansvarlige politikere kan være med og ta ansvar for at vi fortsatt vil ha gode utdanningstilbud over hele landet? Det viktigste vi gjør, er å gi – som flertallspartiene også har gjort – gode budsjetter og ha klare satsinger og sikre at det ikke er satsinger som bare kommer ett år, og så blir de borte, men at man har en langsiktighet i det. Så er det helt riktig, som representanten Tyvand sier, at utgangspunktet for dette ikke er en campusdiskusjon. Hvis vi skal ha utdanning over hele landet, trenger vi selvfølgelig sterke regionale institusjoner, men vi trenger også et desentralisert tilbud. Så mitt poeng er at det å gå inn og ha stortingsvedtak på alle studietilbud, og hvor de skal være, som f.eks. Senterpartiet har foreslått, vil være et brudd med hele måten vi har tenkt styringen av universitets- og høyskolesektoren på. Det ligger til institusjonene. Men det er jo en klar forutsetning fra Stortingets side at vi skal ha et desentralisert tilbud. Og – for å si det sånn – grunnen til at f.eks. nye, større NTNU nå ønsker en sammenslåing med Ålesund og Gjøvik, er også for å være i Ålesund og på Gjøvik. Nobelprisvinnar Edvard Moser åtvarar mot ei utvikling mot meir resultatfinansiering av forsking. Kva er på Gjøvik. Nobelprisvinnar Edvard Moser åtvarar mot ei utvikling mot meir resultatfinansiering av forsking. Kva er det kunnskapsministeren har forstått om forsking som Edvard Moser ikkje har forstått? Nå har ikke jeg diskutert de finere nyansene i finansieringssystemet med Edvard Moser, så jeg må egentlig bare ta tolkningen av Edvard Moser via SVs representant. Men jeg mener at vi i det som legges frem her nå, har funnet en god balanse. Jeg synes representanten Knag Fylkesnes på en veldig god måte beskriver viktigheten av at man ikke har en for detaljert styring av grunnfinansieringen – nettopp fordi veldig mye av satsingen til universiteter og høyskoler kan gå til de tingene de selv mener er viktige. Og der er det et godt prinsipp at institusjonene er minst like gode, ofte minst like gode, ofte bedre, til det enn politikerne. På den andre siden er det også slik at basisfinansieringen er der som et resultat av politiske beslutninger gjennom flere tiår. Og det er flere institusjoner, særlig innenfor høyskolesektoren, men også innenfor det som noen kaller de nye universitetene, som mener at det at man har låst basisfinansieringen, gir dem et urimelig utgangspunkt. Nå har vi funnet et godt kompromiss og en god vei videre ved at resultatfinansieringen over tid vil utgjøre en noe større del. Dermed er replikkordskiftet omme. Det er mye positivt i meldinga, og det er enighet om mye. Men likevel er det noen temaer som ikke har fått sin rettmessige plass. Det gjelder definisjonen på kvalitet, det gjelder finansieringsspørsmål, og det gjelder studentene – de som skal studere på institusjonene, som skal møte forskere og undervisere hver dag, de som bor i studentboligene hvis de er så heldige at de har fått en plass, de som sitter over bøker og forelesningsnotater, og som forhåpentligvis også har tid til en øl på studentpuben. Studentenes rolle er undervurdert og underkommunisert i det som er lagt fram av regjeringa så langt. Studiekvalitet er i realiteten plassert i andredivisjon i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og temaet er knapt på banen i strukturmeldinga. Fra studiebarometeret til NOKUT vet vi at oppfølging, veiledning og tilbakemeldinger fra faglærer er det punktet flest studenter er misfornøyde med. Vi vet også at 42 pst. av studentene som startet å studere i 2001, ikke hadde fullført en grad etter ti år. Studiekvalitet må være et krav til alle institusjonene og ett av kriteriene de måles på. Dersom ikke institusjonene jobber med å lage gode studieløp for at studentene skal lykkes, bør de få en kraftig oppstrammer fra storting og regjering. Det må også være en god kobling mellom forskning og utdanning. Regjeringa er opptatt av verdensledende miljøer og bedre forskningskvalitet. Det slutter vi oss til, men det er ikke nok. Ja, forskningskvalitet er et grunnlag for god studiekvalitet, men det er ingen garanti Studentene har liten nytte av å komme til fremragende forskningsmiljøer dersom kunnskapen ikke formidles gjennom gode undervisningsopplegg. Det har rett og slett liten verdi for studenter å ha verdensledende forskere på campus hvis de aldri setter sine bein i en forelesningssal, ikke bryr seg om undervisning eller noensinne snakker med en student. Det er ikke slik at god forskning automatisk blir til god undervisning. Vi ser av både studiebarometeret og frafallsstatistikken at det alene ikke holder. Det vi burde gjøre mer av, er, for å si det enkelt, å sende forskere mer ut blant studenter og studenter mer inn til forskerne. Vi må sikre at studenter får innsikt i FoU-arbeid og at vi utvikler evnen til kritisk og selvstendig tenkning, at de motiveres til å holde seg oppdatert etter fullført grad. Det forutsetter at studentene møter høye krav, men også at de får oppfølging, veiledning og tilbakemelding for å klare kravene. Dette burde ha kommet tydeligere fram i langtidsplanen og strukturmeldinga, mener vi. Som samfunn skal vi stille høye krav til studentene, men vi må gjøre det mulig å leve opp til de kravene også. Det er rimelig at vi gir studenter riktig oppfølging, og at vi gir dem en økonomi som lar dem bruke mer tid på lesesalen og mindre på deltidsjobben. Derfor kommer Arbeiderpartiet til å fortsette å foreslå elleve måneders studiefinansiering og flere studentboliger. Men jeg vil også si helt til slutt at det er smart å bruke pengene sine smart. Derfor vil vi advare mot ekspertgruppas forslag om turbostipend. Selv om det ikke er en del av denne meldinga, kan det være på på trappene. Hvis kunnskapsministeren tar seg råd til å bruke 1,2 mrd. kr på å belønne dem som allerede får det til, så er det fryktelig feilslått bruk av fellesskapets penger. For 1,2 mrd. kr kan man innføre ikke bare elleve, men tolv måneders studiefinansiering. Man kan heve stipendandelen til 1,5 G, eller man kan bygge 4 200 studentboliger til fullkost. For å bruke en sammenlikning norske studenter har lett for å forstå – iallfall alle dem jeg studerte med: Beløpet kunnskapsministeren kanskje vil bruke på dem som allerede har de beste forutsetninger for å fullføre, utgjør det samme som over 20 millioner halvlitere. For øvrig var det først da jeg så det tallet at jeg virkelig forsto hvorfor NSO sa følgende til komiteen om turbostipend: «Vi trenger penger den tiden vi er studenter, ikke etterpå.» De som skal bli framtidas forskere, professorer, ingeniører, leger, sykepleiere og leger, må være kjernen i politikken. Derfor forventer Arbeiderpartiet at kunnskapsministeren og regjeringa inntar en mer offensiv holdning på vegne av studenter og studiekvalitet. De talere som heretter får ordet, har en minutter. Utdanning over hele landet har vært et tema i debatten, og lokale utdanningssentre har vokst fram ut fra lokale behov og representerer i dag et stort mangfold når det gjelder antall, organisering, innhold og størrelse. Alle har bred lokal støtte og samarbeider tett med lokalt næringsliv, kommuner og fylkeskommuner. Her gjøres et imponerende arbeid for å gi Norges befolkning en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. I hele landet er det nå et stort behov for omstilling og kompetanseheving. Vi trenger tiltak som bringer studiene dit folk bor, og som er fleksible, og her har utdanningssentrene en viktig rolle. De tilbyr etterspurt utdanning, som f.eks. sykepleiere og lærere. De sikrer offentlig og privat næringsliv kompetent arbeidskraft samtidig som de bidrar til å høyne befolkningens utdanningsnivå. I tillegg er en satsing på lokale utdanningssentre et utmerket distriktspolitisk virkemiddel og har stor betydning for fortsatt vekst og utvikling. Dette er en kostnadseffektiv modell, og bak hvert eneste produserte studiepoeng finnes det et individ som opplever utvikling, noe som er viktig nok i seg selv. Til et dagsaktuelt tema: Mange kommuner klarer ikke å satse på etterutdanning av lærere. Gunn Marit Helgesen sa i en debatt før påske at pengene som myndighetene har bevilget til etter- og videreutdanning av lærere, går stort sett med til reise og opphold på UH-konferansene rundt omkring i landet. I Finnmark og Sogn og Fjordane kan slike kostnader være på 60 000 kr per lærer, noe som begrenser mulighetene for å benytte seg av tilbudet, dramatisk. KS-lederen viser til at nettverkene av utdanningssentre er spesielt utviklet for å løse denne type utfordringer. De vil fjerne kostnadene, de har spesialtilpassede lokaler og teknologiske løsninger samt personell med lang erfaring fra å tilrettelegge for undervisning og skape et godt læringsmiljø. Og studentvurderinger viser at studentene jevnt over er meget godt fornøyd med den faglige kvaliteten. KS påpeker også at en aktiv bruk av utdanningssentrene vil gi en rekke andre fordeler, ved at f.eks. lærere som av en eller annen grunn ikke har ønske om eller mulighet til hyppig reisevirksomhet, likevel kan benytte seg av tilbudet, og man får fleksibilitet i forhold til sammensetning av elevgrupper og samarbeid. Sentrenes rolle i den norske utdanningsflora er uklar både når det gjelder organisering og økonomi. Det er nå viktig – på nasjonalt initiativ – å anerkjenne utdanningssentrenes rolle, klargjøre ansvarsforholdene og gi forutsigbare rammebetingelser, slik at vi kan benytte oss av det potensialet som ligger i studiesentrene. Det burde denne meldingen ha tatt hensyn til. Det gjør den dessverre ikke. Derfor fremmer mindretallet et forslag om dette, som det er fullt mulig for flere i dag å stemme for. Jeg vil innlede med å reflektere over hvorfor denne strukturendringen i universitets- og høyskolesektoren er

og hvorfor skal vi få til det? Det er fordi vi trenger høyere utdanning og forskning av god kvalitet for å realisere kunnskapssamfunnet og fordi det er viktige drivkrefter og redskaper for de omstillingene Norge og verden står overfor. I vinter fikk vi første del av Produktivitetskommisjonens rapport, som peker på at Norge har en middels plassering blant OECD-land når det gjelder sentrale forhold som innovasjonsevne, nyetablering, næringslivsforskning og skolesystem. Kunnskap er den viktigste kilden til økt produktivitet. Eksplosjonen i antall utdanningstilbud som kom med kvalitetsreformen, har ikke ført til bedre kvalitet. Stjernø-utvalget beskrev en sektor med mange institusjoner der ressursene spres for tynt utover, og dette bildet bekreftes av en rekke internasjonale fagevalueringer de siste årene. Derfor er dette én av flere nødvendige reformer i samfunnet som skal bidra til å styrke oss som nasjon, øke konkurransekraften og sikre nødvendig kompetanse for å ta vare på og videreutvikle velferdssystemet vårt i fremtiden. Det er noe paradoksalt over venstresidens kritikk i denne saken. De kritiserer regjeringen for å begynne i feil ende, eller for å gå for fort frem, eller for å glemme, og å satse på alt og alle. Da får jeg lyst til å si: Hvorfor tok de ikke selv tak i disse utfordringene da de hadde makten? Jeg vil understreke at det har vært en grundig prosess i forkant av fremleggelsen og behandlingen av denne meldingen. Disse problemstillingene har vært diskutert og debattert og drøftet i sektoren i mange år før fremleggelsen av meldingen vi nå behandler. Noen av de utfordringene som beskrives, er at vi har for mange små og sårbare fagmiljøer med sviktende rekruttering. For eksempel tilbys lærerutdanningen i dag på 19 institusjoner, det er store kvalitetsforskjeller, og forutsetningen for å drive kvalifisert forskning er svært varierende. Derfor er det bra at regjeringen nå skal gjøre lærerutdanningen om til en femårig master. master. Det kan bety at ikke alle de institusjonene som tilbyr lærerutdanningen i dag, vil kunne fortsette med det, og derfor er lærerutdanningen ett eksempel på hvorfor det er viktig å gjøre strukturelle endringer. Strukturendringer er selvsagt ikke tilstrekkelig for å sikre kvalitet og bærekraft. Likevel: En rekke utfordringer er knyttet til at flere av våre miljøer er for små, det forskes og publiseres lite, de hevder seg ikke godt nok internasjonalt, og de klarer rett og slett heller ikke heller ikke å tilby den utdanningen landets studenter trenger. Det er krevende å gjennomføre strukturelle endringer, men det er nødvendig, og derfor må vi tåle litt friksjon og være tålmodige. Det er bred enighet om målene. Avslutningsvis vil jeg sitere Bjørnstjerne Bjørnson, som sier: «Det volder litt rabalder, – dog fred er ei det beste, men at man noe vil.» I årene framover vil det være viktig å satse på miljøer hvor Norge har særlige strategiske og konkurransemessige fortrinn. I den sammenheng er

Fremskrittspartiet vil her vise til at flertallspartiene har styrket profesjonsutdanningene gjennom budsjettforlikene i Stortinget de to siste årene, og at dette er en satsing som bør fortsette. Fremskrittspartiet vil peke på at profesjonsutdanninger er viktig, både for å opprettholde et velfungerende velferdstilbud i hele landet og for å sikre Det er særlig viktig å koble utdanning og forskning tettere sammen i disse fagene, da tradisjonen for dette i mange tilfeller er mindre og kortere enn for mange andre fag. Effektive og gode profesjonsstudier er viktig. En endring i strukturen til større og mer slagkraftige enheter vil føre til større kunnskapsmiljøer, som kan bedrive bedre forskning. som kan bedrive bedre forskning. Konsentrasjon om forskning er viktig også for profesjonsstudiene. En historie jeg leste for noen år siden i bladet Bedre Skole, understreker poenget med forskningsbasert undervisning. En høyskolelektor fortalte der at i sin tid som pedagogikkstudent hadde han presset lærerne på pedagogikkstudiet om det forskningsbaserte underlaget for undervisningen deres. deres. Svaret han fikk, var: Sume seier det, og sume seier det, det er uråd å seia noko visst. Vi har flere studier som viser at vi også i dag har undervisningsprogrammer innenfor lærerutdanning som ikke forholder seg til empirisk forskning. Det gir neppe en god profesjonsutdanning. profesjonsutdanning. Fremskrittspartiet mener det må forventes at utdanning bygger på et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag, og mener at de tiltakene som er i gang gjennom strukturreformen, vil bidra til dette. Fremskrittspartiet vil understreke at profesjonsutdanningene bør gis særlig prioritet i utdanningspolitikken de neste årene. Det må være enkelt å velge en profesjonsutdanning og å kombinere jobb med en slik utdanning, også i distriktene. Det må sikres både robuste utdannings- og forskningsmiljøer og nærhet til de ulike arbeidsplassene der praksisutdanningene skal foregå. Profesjonsutdanningenes egenart må gis tydelig legitimitet, og dette må gjenspeiles i organiseringen og ledelsen av institusjonene. Mer praksisnær forskning bør være et særlig mål. Dette ivaretar denne meldingen på en god
Christian Tynning Bjørnø

Vedtak frå styret er neglisjerte, og seinast i eit innlegg i Sogn avis 2. juni er ministeren klar på at Høgskulen i Sogn og Fjordane må slåast saman med ein annan institusjon. I eit tidlegare lesarinnlegg i same avis avslørte kunnskapsministeren store manglar i kunnskapen sin om den nemnde høgskulen. Eg skal difor gi nokre fakta. Høgskulen hadde i 2015 ein auke på 28 pst. i søkjartalet frå 2014. Ein hadde i perioden 2008–2015 ein auke Ein har hatt ein auke på 37 pst. frå 2014 til 2015 når det gjeld eksternt finansiert verksemd, og ein auke på 70 pst. frå 2013 til 2014 når det gjeld publisering. Studentane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er blant dei aller beste i landet når det gjeld å fullføre studiet på normert tid. Statsråden veit frå Kunnskapsdepartementets tilstandsrapportar for høgare utdanning at Høgskulen i Sogn og Fjordane har den beste gjennomføringa på bachelornivå av alle statlege høgskular, universitet og vitskaplege høgskular. Men det kom ikkje eit ord om dette, verken i tidlegare lesarinnlegg eller i det som stod 2. juni, berre gjentaking av behovet for konsolidering og samanslåing, utan eit einaste argument. I eit tidlegare innlegg i Sogn avis valde kunnskapsministeren å trekkje fram fullføringsgraden på masternivå og påsto at masterstudentane i liten grad fullførte på normert tid. Det stemte heller ikkje. ikkje. Det måtte kunnskapsministeren då gå tilbake på i det siste innlegget sitt og seie at han dessverre kanskje ikkje hadde inne den kunnskapen som han burde ha når han driv eit kontinuerleg press for å få lagt ned og slått saman ein institusjon som er inne i ei strålande utvikling, som leverer varene, og som er så viktig for den regionale utviklinga i eit fylke som treng ein høgskule som kan gå i front, ikkje minst når det gjeld den nære kontakten høgskulen har med næringsliv og bedrifter i regionen sin. Kva vil skje med den styrken høgskulen har – om sentralisering og samanslåing held fram i like stort tempo som det regjeringa legg opp til? Viss ein slår saman Høgskulen i Sogn og Fjordane med andre og større institusjonar, fryktar eg at dei kan misse sjølvråderetten sin over studiar og emne. Misser dei den, misser dei òg moglegheita til å tilpasse seg behova i regionen. «If it ain’t broke, don’t fix it» er det noko som heiter. Det er på tide at kunnskapsministeren tek det inn over seg. Eg håpar i dag at Arbeidarpartiet, SV, Venstre og Høgre klart gir beskjed om at dei høgskulane som har ei god utvikling, som er inne i ein god vekst, som har gode søkjartal og strålande resultat, skal få fortsetje som sjølvstendige einingar og utvikle seg – til beste for elevane, studentane og den regionen som dei tener. Ja, nå er tener. Ja, nå er vi i gang, og det er mange spennende prosesser på gang i flere regioner knyttet til framtidens universitets- og høgskolestruktur. En av de aller mest spennende prosessene skjer i en region med nesten 700 000 mennesker – i Buskerud, Telemark og Vestfold. Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark har nylig fattet et fusjonsvedtak, og hvis alt går etter planen, blir den nye høgskolens navn «Høgskolen i Sørøst-Norge». Navnet sier noe om det nasjonale nedslagsfeltet til institusjonen, med et studenttall på ca. 16 500 studenter. Det er heller ingen hemmelighet at Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker å bli et universitet, slik som høgskolene i Agder, Stavanger, Bodø, Tromsø og Finnmark har blitt de siste årene, eller som de åtte høgskolene som etter fusjonsprosessene som blir beskrevet i meldingen, får universitetsstatus – uten at dette vil kreve noen form for akkreditering. Mulighetene til å endre institusjonskategori har bidratt til fornying og utvikling av universitets- og Det mener jeg at også prosessen som har vært gjennomført i Buskerud, Telemark og Vestfold til nå, beviser. Men det er viktig at disse prosessene pågår ryddig og rettferdig, og fra et regionståsted kan det virke noe urettferdig at det nå blir andre kjøreregler og strengere krav til akkreditering, særlig når man tar et blikk på fusjonene som allerede er blitt gjennomført, og de som gjennomføres akkurat nå. nå. Høgskolen i Buskerud, Telemark og Vestfold vil bli en kraftfull utdanningsinstitusjon, en institusjon som kan hevde seg i toppen på både teknologi- og lærerutdanning, og som leverer forskning på høyt nivå. Jeg taler altså ikke for min syke mor – jeg taler for min ambisiøse, høyst oppegående og vitale kusine. Men fusjonsprosesser er krevende, og det er en fare for at det må gjøres en del unødvendig dobbeltarbeid ved å gjennomføre både en fusjonsprosess og en akkrediteringsprosess. Jeg er derfor glad for at en samlet komité sier at man er positive til at flere av de fusjonerte institusjonene ønsker å skifte institusjonskategori, og at man i den sammenheng også understreker at NOKUT og departementet legger til rette for effektive og smidige søknadsprosesser og vurderinger. vurderinger. Jeg tolker det som et positivt signal for ambisjonene til høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark.

bildet forsterkes av en stadig billigere mulighet for å reise hele verden over og av at teknologiens utvikling og økte muligheter for samhandling på tvers av landegrenser blir stadig bedre. Naturlig nok har vi derfor allerede hatt noen strukturelle endringer i universitets- og høgskolesektoren. Og dagens verdensbilde, sammen med framtidige prognoser, bidrar til å styrke behovet ytterligere. Når vi i dag behandler denne stortingsmeldingen og legger klare ambisjoner for sektoren, bidrar vi nå til å bygge videre og styrke kunnskapssamfunnet og dermed Norges omstillingsevne. Det var interessant nå nettopp å høre på representanten Tynning Bjørnø, men desto mer blir jeg overrasket over Arbeiderpartiets mening om at denne prosessen er å begynne i feil spesielt når vi ser på de gode prosessene som er startet opp rundt omkring i landet, og som nå pågår for fullt i min egen landsdel. Når vi ser på side 7 i innstillingen, sier Arbeiderpartiet bl.a.: «Disse medlemmer vil ha en sterkere profilutvikling og arbeidsdeling i sektoren, både hva gjelder fag og hvilke oppgaver som prioriteres. Selv etter de annonserte sammenslåinger vil det fortsatt være fagmiljøer som er små og sårbare.» sårbare.» Da er det vanskelig å få innsikt i hva Arbeiderpartiet egentlig mener i denne saken, for de blir litt «størske» og sprikende, nærmest som om man ikke ønsker å gå inn i litt krevende debatter. Alle endringer skaper debatt, og utgangspunktet for disse endringene er jo ikke annerledes nå enn da den rød-grønne regjeringen styrte Kunnskapsdepartementet. Jeg vil anta at også da var fokuset på kvalitet, samhandling og mer robuste fagmiljø, men kanskje jeg tar feil. Det enkleste er vel egentlig at Arbeiderpartiet oppklarer dette tydeligere selv. Alle institusjoner jeg har vært i kontakt med, har ambisjoner om å utløse større synergier, få styrket fagmiljøene og møte framtiden på en mer offensiv måte. Nylig besøkte jeg Finnmarksfakultetet, tidligere Høgskolen i Finnmark, i det som nå er UiT, Norges arktiske universitet. Bare på et par år etter at fusjonen var et faktum, ser vi nå et styrket fagmiljø, økt kvalitet, flere muligheter og ikke Fra 562 førstevalgsøkere i 2013 har tilbudet ved Finnmarksfakultetet 1 018 søkere i år. Det er nærmere en dobling og et klart signal fra omverdenen om at en fusjon og en slik samhandling kan bidra til positiv utvikling i en spennende region med vekst og muligheter, som Finnmark. Jeg gleder meg på deres vegne og håper vi kan få se mer av slikt.

i komiteen gir også et signal til departementet og NOKUT om at vi ønsker oss en raskest mulig og mest mulig effektiv søknadsprosess når de institusjonene som oppfyller de nye kvalitetskravene, eventuelt ber om et kategoriskifte. Vi kan også glede oss over at de ligger veldig godt an til å bli universitet. Jeg har lyst å si lite grann om private utdanningsinstitusjoner. private utdanningsinstitusjoner. Private utdanningsinstitusjoner er en viktig del av den norske universitets- og høgskolesektoren. Noen av de private er spydspisser innenfor sine fagfelt, mens andre bidrar i stor grad med å utdanne mennesker vi har stort behov for i Norge, som f.eks. framtidens sykepleiere. Men den norske universitets- og høgskolesektoren. Noen av de private er spydspisser innenfor sine fagfelt, mens andre bidrar i stor grad med å utdanne mennesker vi har stort behov for i Norge, som f.eks. framtidens sykepleiere. Men meldingen som vi nå behandler, tar i liten grad for seg de private utdanningsinstitusjonene, og det er egentlig ganske naturlig, for dette er en melding der vi tar for oss de statlige høgskolene og universitetene, som vi har et eierskap til og på ingen måte. De blir i aller høyeste grad berørt av de endringene som foregår, og de må også møte framtidens nye krav, f.eks. når det gjelder lærerutdanningen. Og da er det viktig at de blir i stand til å møte det på en god måte, sånn at også de kan bidra med god forskning og utvikling i Derfor er det viktig at også disse får tilgang til saksmidler. Det har de fått, og jeg er glad for forslaget om at det i revidert skal legges inn penger til en av de store fusjonene i privat utdanningssektor, hvor fire framoverlente, gode private institusjoner ønsker å slå seg sammen for å stå enda sterkere. Så er det viktig, når regjeringen kommer tilbake med endringer i finansieringssystemet, at regjeringen kommer tilbake med endringer i finansieringssystemet, at de private heller ikke blir utelatt der, men at vi, når vi får en oversikt over finansieringssystemet og over hvordan basis er sammensatt, også der får en oversikt over de private, og at det nye finansieringssystemet legger til rette for at de private også i framtiden skal kunne være en god og viktig bidragsyter i norsk
Mange av dagens arbeidsplasser vil forsvinne, og nye vil komme til. For å opprettholde den økonomiske aktiviteten må det skapes nye virksomheter, og aktiviteten vil være avhengig av nyskaping i form av innovasjon og entreprenørskap. Kunnskap om hvordan dette skal gjøres, er en forutsetning for å lykkes. I dette bildet spiller landets høyere utdanningsinstitusjoner en svært viktig rolle. Formålet med strukturreformen er ifølge regjeringen å sikre utdanning og forskning av høy kvalitet i hele landet, robuste fagmiljøer, regional utvikling, verdensledende fagmiljøer og effektiv ressursbruk. Komiteens flertall har understreket at det er viktig også å sikre et desentralisert utdanningstilbud. Det er klokt fordi det er mye kunnskap å finne i hele landet, f.eks. i min egen hjemby, Bodø. Nasjonale kartlegginger viser at miljøet ved økonomiutdanningen ved Universitetet i Nordland er blant landets beste. Det var også den første økonomiutdanningen i landet som underviste i entreprenørskap. Og siden oppstarten av doktorgradsprogrammet i 2000 har mer enn 50 tatt sin doktorgrad ved Handelshøgskolen i Bodø. Miljøet i Bodø har også i stor grad etablert seg internasjonalt, og deres ambisjon er å styrke både sin nasjonale og sin internasjonale posisjon gjennom bl.a. å For å lykkes må de demonstrere og vise at de har kunnskap, potensial, ambisjoner samt tilstrekkelig med ressurser i form av kapital, egen forskningstid og stipendiater. Og deres fremste utfordring er finansieringen. De rammes av at universiteter og høgskoler historisk sett har hatt ulike rammebetingelser, og det finner vi igjen i forskjellig basisfinansiering. igjen i forskjellig basisfinansiering. Mitt anliggende her i dag er å takke komiteen for klokskapen den utviser når den ber regjeringen adressere problemstillingen og komme tilbake til Stortinget på egnet måte for å drøfte hvordan vi skal finansiere dette på en mer transparent måte i framtiden. Vi er et lite land med store ambisjoner. Vi ønsker å hevde oss i verdenstoppen i veldig mange disipliner, ikke minst innenfor forskning og utdanning. Komiteen har pekt på at det vil være vanskelig å si hva som vil styre og forme universitets- og høgskolesektoren i framtiden. Ikke minst vil det være vanskelig å vite hvor viktige nyvinninger finner sted. Vi har en stor ambisjon her i landet om å dra større nytte av våre enorme marine ressurser, hvor vi har et havareal som er seks ganger større enn landarealet. I Nordland har vi 27 pst. av landets kyst, og vi har tunge marine kompetansemiljøer. Da må vi ha et system som legger til rette for at det skal være mulig også for sånne miljøer å realisere de ambisjonene som ligger der. Jeg imøteser statsrådens oppfølging av stortingsflertallets ønske om en gjennomgang av finansieringssystemet for høyere utdanning. Saksordføreren beskrev på en god måte bakteppet for denne diskusjonen, at utdanning og forskning er

Å bygge kunnskap tar generasjoner. Vi har vært gjennom en utdanningseksplosjon i Norge de siste par generasjonene, hvor høyere utdanning var forbeholdt de få og nå har blitt et masseutdanningssystem. Det betyr også at disse endringene som vi gjør i sektoren, tar tid, og da er det godt med bred enighet om store spørsmål. Det er det også i denne

videre ut i stortingsperioden, eller inn i neste. Det er lite eller ingenting om finansiering, mange har etterlyst det. Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning skal komme først i 2017, plan for bygg i sektoren skal komme først i 2019, lærerutdanningen skal komme først i 2017, og det er lite eller ingenting om kultur og ledelse nedover i organisasjonen eller tiltak som kan føre til økt gjennomstrømming av studentene. Særlig har skuffelsen vært stor i de byene som har fått universitetsstatus, og hvor særlig partiet Høyre har lovet at her skulle man gjøre noe med finansieringen. Bent Høie sa vel i valgkampen i både 2009 og 2013 at Universitetet i Stavanger skulle bli finansiert på linje med andre universiteter. Det er det lite av i denne meldingen, selv om et flertall fikk til større gjennomsiktighet i finansieringssystemet. finansieringssystemet. Likevel er det bra at vi er enige. Det er god oppslutning og godt samarbeid i komiteen rundt dette. Litt morsomt blir det likevel når særlig statsråden framstiller det som om det er han som har satt i gang sammenslåingen på sektoren. Da Gudmund Hernes begynte dette på 1990-tallet, var det over 100 høyskoler i Norge. Det reduserte han til 26. I forrige periode slo Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø og Høgskolen i Finnmark seg sammen, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud slo seg sammen, Landbrukshøgskolen og Veterinærhøgskolen slo seg sammen, så antall sammenslåinger og studentene det omfattet, tilsvarer omtrent de sammenslåingene som statsråden beskriver i sin melding. Det er bra at den utviklingen fortsetter, men vi er ikke på begynnelsen av slutten. Vi er heller på slutten av å tegne et kart som kan bli en varig struktur for høyere utdanning i Norge.

Da Arbeiderpartiet selv satt i regjering og skulle legge fram et nytt finansieringssystem i Stoltenberg I-regjeringen, leverte daværende utdanningsminister Giske, nå leder av komiteen, en stortingsmelding som ble kalt Kvalitetsreformen. Den meldingen vi behandler i dag, følger nøyaktig samme mal som den stortingsmeldingen hva gjelder finansiering. Da ble det heller ikke presentert noen fullverdig finansieringsmodell, men det kom i statsbudsjettet for det kommende år. Jeg tror det er bedre at man bruker litt ekstra tid på det som er en innfløkt problemstilling, enn at man forhaster seg og gjør ting halvveis. Nå skal det pågå en prosess fram til statsbudsjettet legges fram, og jeg er sikker på at Stortinget får gode anledninger til å diskutere den når den tiden kommer. Så har jeg lyst til å kommentere litt det andre har sagt. Marianne Aasen sa sa at det å si at man satser på verdensledende miljøer, skaper ikke nødvendigvis verdensledende miljøer eller flere arbeidsplasser. Det er jeg helt enig i. Men første steg er å identifisere de miljøene hvor vi har forutsetninger for å lykkes i verdenstoppen. Det gjorde vi i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og det følger vi opp gjennom strukturreformen. Det er ingen motsetning mellom å satse på kvalitet i bredde og kvalitet på Norge trenger noen fremragende miljøer som kan hevde seg fremst i verden, men vi trenger også høy kvalitet i profesjonsutdanningene. Heller enn å sette disse to opp mot hverandre bør man jobbe for å få til begge deler. Så til Senterpartiet, som ønsker å stoppe eller utsette hele prosessen. Er det da slik at representanten Tingelstad Wøien ønsker å stoppe den prosessen som høyskolen i hennes eget fylke har vært en del av, og som representanter fra Senterpartiet i Oppland og Gjøvik har skrevet positive leserinnlegg om i avisene rundt omkring i Oppland? Er det sånn at representanten Tingelstad Wøien ønsker å stoppe de prosessene som er i gang basert på frivillighet ved Høgskolen i Gjøvik? Det er ikke slik at dette diskuteres for første gang i Stortinget eller i sektoren i dag. Det har vært prosesser som har pågått i årevis, uten at man har fått det resultatet man egentlig har ønsket. Fagevaluering etter fagevaluering, enten det er fra Forskningsrådet eller fra NOKUT, har påpekt at for mange fagmiljøer er for svake og for sårbare. Stjernø-utvalget sa akkurat det samme. Stjernø-utvalget kom da Senterpartiet satt i regjering.

hva som kommer til å skje med det. Det er ikke gitt i det hele tatt. Det finnes også store institusjoner – faktisk de største – som får være helt i fred, hvor det ikke skjer noen ting. De har fagmiljøer som tangerer hverandre, og også små fagmiljøer der det absolutt burde vært gjort mer for at de samarbeidet med andre. Jeg vil også poengtere at spissing og spesialisering går langs to dimensjoner, etter vår oppfatning, som jeg mener ikke adresseres i meldingen. Det og spesialisering går langs to dimensjoner, etter vår oppfatning, som jeg mener ikke adresseres i meldingen. Det ene er fag, og det andre er ulike oppgaver. Nå får NTNU institusjoner som gjør alle tre oppgavene. De har verdensledende, fremragende miljøer, som vi kjenner til, de har store, tunge profesjonsutdanninger, og de vil nå få, med høgskolene i Ålesund og Gjøvik, kanskje de beste miljøene på på tett samarbeid, FoU, med arbeidsliv og næringsliv. Det NTNU skal klare å håndtere – og det håper jeg de lykkes med – er å satse like mye på de tre hovedoppgavene. Det kan være vanskelig å balansere, men vi ønsker lykke til og håper at det går bra. Men at alle institusjonene i sektoren skal klare det like godt, godt, er jeg tvilende til, for det blir ikke målrettet nok. Det blir for mange, store oppgaver, og man klarer ikke å få målrettet ressursene godt nok. Så til representanten Sivert Bjørnstad, som utfordret meg på dette med verdensledende miljøer. Ja, vi er for at det skal være verdensledende miljøer. Vi skal ha veldig gode miljøer, og det må satses hvis det skal bli noe av det. Men det er jo ikke nok, for det er andre oppgaver i sektoren

departementet. Når det gjelder finansieringsordningen, står jeg ved det vi har skrevet i innstillingen, at det kunne vært mye bedre hvis vi hadde hatt alle grunnlagsdokumentene, inklusiv denne gjennomgangen av basisfinansieringen, på plass i denne stortingsbehandlingen. Det hadde vært en bedre måte å håndtere det på enn å legge alt inn i budsjettet til høsten. Det har forundra meg ei stund korleis regjeringa tenkjer i forskingspolitikken, og kor forskjellig dei tenkjer i næringspolitikken. I forskingspolitikken er

ein skal satse på marknaden, osv. Dette er da til Bjørnstad som meiner at det er viktig å peike ut nokre område, som eg jo er heilt einig i. Dette er ein politikk som er ført frå tidlegare regjeringar òg. Ein er einig i at det er nokre område der vi kan lykkast internasjonalt. Kvifor ikkje da overføre også dette til norsk næringspolitikk? Det er ein stor tankekross. Eg føler ikkje at det er gjort nokon forsøk i denne debatten på å om korleis auka resultatbasert finansiering skal føre til betre forsking. Den uroa som vi har blant dei verdsleiande forskarane våre, er at auka teljing, auka resultatbasert finansiering av forskinga, vil kunne redusere kvaliteten i forskinga. Skal ein ikkje da ta desse verdsleiande forskarane på alvor og gje dei eit skikkeleg svar på kvifor ein trur trur at meir resultatbasert forsking skal føre til betre forsking? Eg må seie at eg er forundra over at spesielt Venstre og Kristeleg Folkeparti er med på dette løpet. Og i kvart budsjett, kvar auke som har vore i budsjettet etter at dei blå tok over regjeringsmakta, har auken til høgare utdanning og forsking kome i form av at det er ein auka konkurransepott – altså: Ved kvart høve har ein auka finansieringa gjennom auka konkurransepott. Det er altså ei sterk tru på at det er den resultatbaserte finansieringa som er vegen å gå, utan at ein kan gjere greie for at det faktisk fører til betre forsking. Det forskarane spør etter, er betre rammer, betre føreseielegheit, mindre tid til å søkje, mindre tid til å publisere uferdig datamateriale eller resultat. Det skaper framifrå forsking. Hermed er utfordringa Eg er også overraska over at ein ikkje vil sjå strukturen for høgare utdanning og forsking i samanheng med studiesentra i landet. Viss det verkeleg er ein aktør i norsk utdanningsflora som kan mogleggjere utdanning for alle i heile landet, er det utdanningssentra rundt omkring i heile landet. heile landet. Å satse på dei og trekkje det inn i ein større strategi, kanskje leggje krav på utdanningsinstitusjonane om at dei må tilby utdanningar på dei sentra, det kunne ha vore spennande. Men det er altså eit forslag som det ikkje er fleirtal for i denne

kommentert. Jeg er redd for at det blir sånn som det er i dag, og da vil altså finansieringa dreie seg mot eksellense og videreføre den politisk utadrettede prioriteringa som ble gjort for mange år siden. Det er en utfordring for høyskolene, og det vil være et virkemiddel for å få flere til å fusjonere. Det vil bli dårligere mulighet for å score optimalt på Senterpartiet ønsker kvalitet, men vi ønsker også at det skal være en reell mulighet til å stå alene eller samarbeide med andre. Finansiering bestemmer langt på vei dette. Så må jeg svare på det som saksordfører Bjørnstad var inne på. Han var jo også i sitt innlegg inne på at vi står alene i denne saken. Ja, vi står alene i denne saken i salen, men vi er faktisk ikke alene når vi ser på de røstene som taler ute i de ulike institusjonene. Det synes jeg er bra. Han spør om jeg ønsker å stoppe fusjonen i Gjøvik. Nei, men jeg vil gjerne se hva man legger fram i den stortingsmeldinga som skal komme i 2017, om kvalitet. Jeg mener at det ville være en gevinst for den fusjoneringa som nå skal skje på NTNU, i Gjøvik og Ålesund og ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, at de også fikk se hva det er regjeringa egentlig mener med kvalitet i høyere utdanning. si at de ville få et år ekstra på seg. Jeg kan ikke skjønne at det er noe negativt. Jeg har ikke noe negativt å si om Høgskolen i Gjøvik, og jeg støtter absolutt opp under det som representantene fra Gjøvik Senterparti skriver rundt omkring i aviser i Oppland, som det har vært sagt – der er det én avis, men man skriver i alle fall der. Jeg ønsker Gjøvik og NTNU lykke til, men jeg tror kanskje at den først bøygen, som jeg nevnte så vidt i replikkordskiftet her i stad, er at NTNUs styre sa nei – de replikkordskiftet her i stad, er at NTNUs styre sa nei – de ville ikke ha med noen representanter fra Gjøvik inn i sitt styre. Det er en forsmak på og sier noen ting om at fusjoner ikke er noen quick-fix. Man kan smile og være glad, men man kan faktisk ikke garantere for noen ting, og det kan ikke statsråden når det gjelder hvordan institusjonene organiserer seg fram mot fusjonen. Det er heller ingen garanti for hvordan studiestedstrukturen vil bli i framtida. Representanten Vinje var inne på at det er for mange som driver lærerutdanning. Det blir veldig spennende å se hvordan den organiseringa skal være framover.

Våre studenter har krav på et godt studietilbud over hele landet. Derfor er det både viktig for studentene og et riktig tidspunkt å gjennomføre strukturendringene som foreslås nå. Det er ikke helt lett å forstå hva Arbeiderpartiet egentlig mener, og hvordan de mener man skulle gått fram. Det er lett å kritisere en prosess, men det står ikke helt til troende når man tilsynelatende langt på vei er enig i målet. Spørsmålet som melder seg, er hva Arbeiderpartiet ville gjort annerledes, og – ikke minst – hva de ville gjort for å ta tak i utfordringene sektoren står overfor. For Høyre og regjeringa er ikke Arbeiderpartiets vente-og-se-holdning noe alternativ. Til det er sektorens rolle i kunnskapssamfunnet for viktig. Jeg minner om hva Norsk studentorganisasjons leder, Anders Kvernmo Langset, sa i pressemeldinga 25. mars: «Vi er helt klare på at vi skal ha høyere utdanning over hele landet, men mener det ikke trenger å være egne institusjoner som skal tilby det. Poenget er at fagmiljøene må være solide nok til at studentene som starter å studere, uansett hvor det måtte være, skal være sikret en utdanning av høy kvalitet.» Med denne strukturmeldinga tar vi tak i utfordringene, og vi er på rett vei. Jeg har merket meg i debatten at et av punktene opposisjonen har vært særlig opptatt av, er finansieringsspørsmålet. finansieringsspørsmålet. Det er jeg også. Jeg kommer fra en landsdel der universitetsfinansiering har vært en stor kampsak. Derfor er jeg glad for at komiteen har bedt om større åpenhet og transparens i finansieringssystemet, og jeg er glad for at man har påpekt forskjellen i basisfinansiering av ulike institusjoner, og for at man har bedt regjeringa adressere denne problemstillinga og komme tilbake. For det er gjennom åpenhet og transparens vi bygger tillit, og det er nødvendig for å skape legitimitet rundt økonomiske fordelingsspørsmål. fordelingsspørsmål. Vårt oppdrag er å sørge for en god finansiering for hele sektoren. Jeg har stor tillit til at vi nå er kommet et skritt videre, og at regjeringa kommer tilbake til denne saken, slik Stortinget er forespeilet. Martin Henriksen gjør seg høy og mørk over mangel på satsing på studentene, og det må jeg svare på. Strukturmeldingen er

studiekvalitet. Siden Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen tiltrådte, har vi fått et kraftig løft for forskning og høyere utdanning i alle de budsjettene som er lagt frem. Jeg vil trekke frem at det også spesielt gjelder studentene. For eksempel har vi endret studentsamskipnadsloven, slik at studentene igjen får full medbestemmelse i styring av skipnadene – en rett de ble frarøvet av den rød-grønne regjeringen. Siden den blå regjeringen tiltrådte, har studiestøtten økt kraftig i begge budsjettene – utover forventet prisvekst. Det er veldig mange år siden det sist skjedde, og takten i studentboligbyggingen er giret opp. Det legges opp til å bygge mer enn dobbelt så mange studentboliger enn det som skjedde under den rød-grønne regjeringen. Så jeg føler sterkt behov for å si også til landets studenter at de må merke at det har vært et regjeringsskifte, for det satses på studiekvalitet, det satses på høyere utdanning, og det satses på forskning. Tusen takk for gode poenger og mange gode innlegg, og for god behandling i komiteen. Det er flere som tar opp at komiteen også, som representanten Aasen sier, sender noen signaler. La meg bare si at det er selvfølgelig ting som vi følger opp. Så må jeg allikevel legge til at de viktigste signalene er jo det det store flertallet er enig om, nemlig at det trengs en strukturreform i høyere utdanning. Man er enig om noen endringer på ledelse. Man er enig om, som komitéleder Giske sa, å videreføre grunntrekkene – hovedtrekkene, var det vel han sa – i dagens finansieringssystem. Det er viktige signaler til sektoren, og det er viktig for regjeringen også å få støtte for det i vårt videre arbeid. Så tok representanten Tingelstad Wøien opp dette med basisfinansiering. Hver gang denne salen driver budsjettbehandling, påvirker det, stort sett i hvert fall, basisfinansieringen til institusjonene, for veldig ofte i budsjettbehandlingene kommer det Senter for nordområdelogistikk – Universitetet i Nordland og UiT, Norges arktiske universitet, får noen midler til å drive det – basisfinansiering. Det går inn i deres grunnbevilgning. Jeg har ikke hørt noen ta til orde for at man skal bygge opp hele grunnkomponenten, eller basisfinansieringen, i systemet på nytt ved at man nær sagt kartlegger og båndlegger hver eneste krone av basisfinansieringen.

Samtidig er man opptatt av mer informasjon – opplysninger om hvilke faktorer som har drevet frem utviklingen i basis. Det mener jeg også svarer på representanten Tingelstad Wøiens spørsmål. Én ting er hvis Senterpartiet ønsker det, altså en total – noen har kalt det – dekomponering, hvor man da kartlegger og omfordeler på nytt hver eneste krone. Hvilke konsekvenser det vil få for sektoren, det er ganske ukjent, men vi må anta at det dreier seg om titalls millioner som flyttes fra institusjon A til B – f.eks. fra det ene året til et annet. Jeg oppfatter at komiteen er opptatt av mer informasjon større åpenhet er et ord man bruker – men at man også ønsker å videreføre grunntrekkene og hovedtrekkene i dagens finansieringssystem, og også sier at på sikt skal basis utgjøre en mindre del, og mer skal være i konkurransearenaene. Bare så det er sagt, så er heller ikke konkurransearenamidlene bundet, i ordets strengeste forstand. Det er alltid morsomst å diskutere med Høyre-representanter når de føler seg litt tråkket på tærne. I sitt første innlegg i dag sa representanten

ville satse på alt og alle i våre innlegg. Det å satse på studenter og studiekvalitet og forskningsrelevans for studentene er ikke «alt og alle». Det handler om kjernen i oppdraget for høyere utdanning. Når Høyre-representantene Tveiten Benestad og Vinje først snakket om studenter, var det tydeligvis fordi vi hadde provosert dem litt. Jeg tolker fremdeles det representantene for regjeringspartiene sier sånn at vel, vi nevner kanskje ikke studiekvalitet og studentenes rolle, men det vi gjør, er godt nok. Det er vi uenig i. Det at regjeringa først trakk den varslede stortingsmeldinga om kvalitet da de kom inn i regjeringskontorene, og så varslet en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning i 2017, er ikke godt nok. Det representanten Vinje sa om studentsamskipnader, var feil. Det hun sa om studentboliger, var i beste fall misvisende. Det har vært en veldig positiv trend når det gjelder studentboliger, de siste ti årene fra 2005, da antall nye studentboliger økte til 300 boliger i året, til 2013, da man var oppe i 1 400–1 500 i året, til at det nå har økt videre. Det er positivt. Vi er ikke fornøyd før vi når målet om 3 000 nye studentboliger i året. Likevel er det sånn at det som mangler i langtidsplanen for høyere utdanning og forskning, det som mangler i strukturreformen, er en ordentlig omtale av studiekvalitet, av koblingen mellom forskning og utdanning og av oppfølging av studentene og studentenes rolle. Foreløpig er det i andre divisjon i høyere utdanningspolitikken fra regjeringa. Helt til slutt: Representanten Vinje kalte meg høy og mørk. Jeg vil ha meg frabedt det. Jeg vil i framtida bli kalt høy og

at man er så enig som man er, men også for sektoren som helhet. Det er en styrke ikke minst for dem. Så er det sånn at noen nyanser bør det og skal det være. Det synes jeg har kommet godt fram i debatten, selv om vi er enige om det meste. Nå skal jeg prøve ikke å forlenge debatten. Jeg har bare lyst til å kommentere noe, og det går særlig på dette med rekkefølge.

Gjeldende unntaksbestemmelse skyldes som kjent at lærere som er uteksaminert etter ny ordning, automatisk er kvalifisert i henhold til de kompetansekravene. Forslaget innebærer at kompetanseforskriften gis tilbakevirkende kraft, slik at alle lærere som er utdannet før 2014, må ta tilleggsutdanning for å få full undervisningskompetanse.

Samtidig mener vi det er en fare for at lovendringene vil få uheldige konsekvenser, som vi mener ikke er svaret på det vi ønsker å vinne. Mindre skoler kan få til dels store problemer med å oppfylle kompetansekravene for undervisningsfag og bidra til å presse fram nedlegging av skoler. Strengere kompetansekrav vil øke behovet for videreutdanning av lærere ytterligere, noe som igjen vil medføre økt behov for vikarer, som ofte ikke har relevant kompetanse, og – paradoksalt nok – langt mindre formell kompetanse og realkompetanse enn utdannede lærere, med kanskje 20 års erfaring i klasserommet, som nå blir funnet for lette, eller som er ukvalifiserte. Slik vil skolen gjennom flere år ha flere ukvalifiserte ansatte i undervisninga enn i dag. Det er alvorlig når flere høringsinstanser påpeker at en slik endring med tilbakevirkende kraft vil innebære en svekkelse av lærernes stillingsvern, og det er en fare for at flere lærere vil søke seg bort fra skolen. I proposisjonen ligger det også et forslag om klargjøring av hvilke avgjørelser i skolesammenheng barnevernet kan ta på vegne av barnet, når barnevernet har overtatt omsorgen for Komiteen støtter regjeringas forslag. Særlig når det gjelder avgjørelser vedrørende den faglige og sosiale utviklinga til barnet, er det viktig å la dem som har best forutsetning for å ivareta barnets interesser, ta beslutningen. Komiteen er enig i at dette skal være de som har hovedomsorgen for barnet, og samtidig fremdeles la foreldrene ta avgjørelser i spørsmålet, som regnes som en sentral del av foreldreretten. foreldreretten. Det tredje elementet i proposisjonen er forslaget om endring av navnet på RLE-faget til kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, samt varsling av en sterkere regulering av tidsbruken i faget, slik at om lag halvparten av undervisningstida i faget skal brukes til kristendomskunnskap. Som grunn for forslagene viser regjeringa til den sterke posisjonen som kristendommen har i norsk historie, og ønsket om at det skal legges større vekt på denne religionen i undervisninga enn i dag. Av samme grunn ønsker en å endre navnet på faget. Som innstillinga viser, er det stor uenighet om dette forslaget. Senterpartiet mener at forslaget er uheldig, kan skape ny usikkerhet om innholdet i faget og føre til at flere foreldre velger å søke fritak for sine

stikk i strid med intensjonene i Kunnskapsløftet, der læreplanene skal være styrt av læreplanmål og ikke finfordelt på timer og antall sider i læreboka. Det er verdt å merke seg at det blant høringsinstansene er stor uro over forslagene. Av de 73 høringsinstansene som har uttalt seg om forslagene, er det hele 40 som advarer mot endringene, herunder sentrale instanser med tilknytning til Kirken og kristen virksomhet. virksomhet. Jeg viser for øvrig til Senterpartiets merknader i innstillinga, der partiets standpunkter i saken framkommer. Takk til saksordføreren, som har manøvrert komiteen gjennom en sak som inneholder tre ulike hovedområder. oss sier at læreren er skolens viktigste ressurs, og det sier vi fordi vi er enige om at det stemmer. For Arbeiderpartiet handler dette først og fremst om at vi må ha nok lærere, nok lærere som har tid til å gi barna gode læringsopplevelser. Men lærerne er ikke noen hvem som helst; lærerne er pedagoger og fagpersoner med høyskole- og universitetsutdanning. Det å være lærer er en profesjon som en utdanner seg til, men læreryrket er også et yrke som en utvikler seg i og med. Man lærer så lenge man lever – et noe «svett» uttrykk, men ikke mindre sant av den grunn. Man lærer både gjennom etter- og videreutdanning – som vi sammen og tverrpolitisk har satset stort på – og gjennom læring som skjer i mer uformelle kanaler, gjennom arbeidspraksisen som lærer, gjennom kurs, gjennom kollegabasert læring og gjennom det å være generelt våken med tanke på utviklingen i fagene man underviser i. Det er vanskelig å måle lærerkompetanse kun i studiepoeng, men da vi i 2012 vedtok at lærere skulle ha kompetanse i fagene de underviser i, målte vi det av én grunn – det handlet om å sørge for at lærerne hadde en faglig plattform å bygge videre på. På bakgrunn av dette støtter vi framlegget i proposisjonen om at kompetansekravene skal gjelde alle lærere som underviser i de definerte fagene. Men vi er ikke enig i at kravene kun skal kunne innfris ved å ta høyskolekurs med studiepoeng. Her mener vi at regjeringen har et snevert kompetansefokus. Derfor har vi fremmet forslag om at lærere med undervisningskompetanse etter dagens krav skal få mulighet til å bli realkompetansevurdert for å kunne møte de nye kravene. Forslaget som ligger her fra de borgerlige partiene om at man ikke vil utelukke at lærerne får mulighet til å ta eksamen uten videreutdanning, er etter vårt syn for vagt – ikke med ett ord Vi vil be regjeringen følge nøye med på hvordan de nye kravene virker der ute, ikke først og fremst knyttet til studiepoengutviklingen, men knyttet til om de slår skjevt ut. Derfor er ikke tiårsfristen som er satt for innfrielse av kompetansekrav i seg selv det viktigste, men snarere evnen vi har til å vurdere og justere innsatsen og innretningen av kravene underveis i tiårsperioden, slik at flest mulig på en god måte faller inn under Så over til forslagene om å gjeninnføre K-en i RLE-faget og tydeligere styring av tidsbruken i faget. Egentlig trenger man ikke gjøre dette spesielt langt, for sjelden har en sak vært klarere, sjelden har rådene fra fagmiljøene vært så entydige, sjelden har den historiske utviklingen vist tydeligere hva som er riktig vei. Etter ti år med uro rundt religionsundervisningen i skolen har vi nå fått ro. For Arbeiderpartiet er det avgjørende viktig at denne roen beholdes. I dag er det aksept og felles forståelse for faget i nær sagt alle leirer, og husk: Vi gikk fra en situasjon der mange søkte fritak fra et skolefag, til at alle nå føler seg inkludert. Og mye av grunnen til at man søkte fritak for noen år siden, handlet nettopp om elementer av det regjeringen nå ønsker å gjeninnføre. Jeg vil på det sterkeste understreke verdien av at det er tillit og felles forståelse rundt et fag som nettopp har som formål å skape tillit og forståelse. Jeg vil også advare mot en praksis der vi fra Stortingets side går inn og detaljstyrer hvor mye tid hver enkelt lærer i hvert enkelt klasserom skal bruke på å undervise i ulike delemner innenfor et fag. Det er en grunn til at vi i denne sal ikke sier at en lærer må bruke 30 pst. av naturfagtimene i 9. klasse på biologi, 30 pst. på fysikk og 40 pst. på kjemi. Vi vedtar de overordnede målene, og lærerne må selv få lov til å bestemme hvordan de disponerer tiden i sin klasse på en slik måte at flest mulig av elevene når målene som vi har definert.

all grunn til, i likhet med foregående taler, å takke saksordføreren for å lose gjennom en sak som er krevende – ettersom det er en samleproposisjon med flere forslag, og vi er en komité som har hatt mye å gjøre de siste ukene og månedene. Da er det også grunn til å takke saksordføreren for å få dette gjennom på en god måte. Det er to av mest debatt. Det er kompetansekrav for lærerne og om dette skal ha tilbakevirkende kraft, og det er endringen av RLE-faget til KRLE-faget. De fire samarbeidspartiene som utgjør grunnlaget for Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, sikret også et taktskifte for Lærerløftet da man overtok regjeringsmakten. Som mange har sagt, men som kanskje ikke alle handler etter, er det slik at læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring. Ingenting av andre vedtak eller tiltak vi legger inn, kan kompensere for den gode læreren i klasserommet og den magien som skjer med en flink pedagog som løfter en elev faglig. Gode lærere skal kunne klasseledelse og pedagogikk, men i tillegg skal de også ha kompetanse i de fagene de underviser i. Det etter- og videreutdanningsløftet som de fire samarbeidspartiene gjennom flere budsjetter har rullet ut, er et løft som også er et svar på lærernes eget krav om at dette løftet måtte komme. Derfor er det altså slik at bare i 2015–2016 vil 5 500 lærere få den etter- og videreutdanningen som under den forrige regjeringen bare ca. en tredjedel av lærerne fikk. Det er en kraftig økning som – igjen – mange har snakket om, men som vi gjennomfører. Så er det slik at i skoledebatten opplever man ofte diskusjonen om hvordan man skal kunne gjennomføre en nasjonal politikk så lenge kommunene er skoleeier og arbeidsgiver for lærerne. Jeg mener at det vi ser her, er et veldig godt eksempel på at det er mulig å drive nasjonal skolepolitikk selv om kommunene er skoleeiere sammen med fylkene. Men det betyr også at vi stiller noen krav til kommunene som skoleeier. Når vi sier at dette er et kompetansekrav som ikke bare skal gjelde nyutdannede lærere, men også de lærerne som allerede er i skolen, er det et helt tydelig krav til kommunene om at de skal gi lærerne det de selv har etterspurt, nemlig etter- og videreutdanning. Det er også slik – som representanten Tynning Bjørnø var inne på – at man er redd for at realkompetanse vil bli mindre viktig. Vel, for det første tror jeg vi med sikkerhet kan si at når dette er noe som skal fases inn på ti år, vil man følge denne utviklingen ganske nøye. Men jeg er veldig redd for allerede nå å begynne å uthule det kravet som vi stiller til skoleeierne om å gi lærerne de har ansatt i sine skoler, det kravet som vi stiller til skoleeierne om å gi lærerne de har ansatt i sine skoler, det kompetanseløftet de har krav på å få. Dette var et krav som det var helt åpenbart for alle at skulle innføres for nyutdannede lærere. Det er naturligvis Høyre for, men vi mener at det er et krav som også bør gjelde for de lærerne som allerede er i skolen. Så til saken om å endre RLE-faget til KRLE-faget. Det er verd å minne om at da den rød-grønne regjeringen fjernet 55 pst.-kravet som den gangen var i KRLE-faget – altså at 55 pst. av undervisningen skulle være om kristendom – sa også kunnskapsministeren fra den daværende regjering fra talerstolen her i Stortinget

bekrefter det som var også den forrige regjeringens budskap, nemlig at andelen kristendom i RLE-faget – som nå blir hetende KRLE-faget – ikke skal gå ned. Det finnes mange gode argumenter for å gjøre dette. Det er altså slik at Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. En av de tingene det innebærer, er at det kommer mennesker til Norge som har religion som en mye viktigere del av sitt liv enn mange nordmenn har. Norge er som kjent et av de mest ateistiske landene i verden, og det betyr at religion og utførelse av religiøse ritualer, f.eks., ikke utgjør en viktig del av livet til mange mennesker i Norge. Men nå får vi ikke bare innvandrere som er muslimer, buddhister eller hinduister, vi får også veldig mange som har trosretninger innenfor kristendommen som opplever dette som viktig. Jeg er helt overbevist om at skal man ha toleranse og forståelse for andres religionsuttrykk, må man også kjenne til historien rundt sin egen kulturhistorie og religion. Selv om man ikke selv er troende, vil religionens og kristendommens plass i det norske samfunnet være åpenbar. Derfor er det også en viktig del av RLE-faget at det nå blir KRLE, slik at norske elever lærer – ikke noe forkynnende, men faktisk om religionens plass i Norge. Ønsker representanten å ta opp forslaget som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har i innstillingen? Det ønsker representanten. Da har representanten Henrik Asheim tatt opp det forslaget som presidenten

behov. Resultatene av en kartlegging fra 2014 viser at mange lærere ikke har fordypning i fagene de underviser i. Til tross for dette stilles det i dagens skole kun krav om at lærere som ble ferdigutdannet i 2014 eller senere, skal ha fordypning i fag. Dersom vi i dag ikke hadde vedtatt at alle lærere som underviser fra 1. klasse og oppover, skal ha fordypning i basisfagene som de underviser i,

trinn. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet nå har skiftet mening, og at de nå støtter kompetansekrav til lærerne. Fremskrittspartiet uttrykte den gang at vi var skuffet over at de rød-grønne politikerne ikke hadde større ambisjoner på lærernes vegne. Fremskrittspartiet har ambisjoner og forventninger til både lærere og elever i så jeg er derfor meget fornøyd med det vedtaket vi gjør i dag, som er tydelig på at lærerne skal ha relevant fagkompetanse i fag som de underviser i. Samtidig ber flertallspartiene regjeringen åpne for at lærere som er i skolen i dag, kan få vurdert sin realkompetanse og ta eksamen uten å delta i videreutdanning. Dette viser at regjeringen tenker og handler helhetlig, og forslaget må ses i sammenheng med regjeringens historiske satsing på videreutdanningstilbud til lærerne. lærerne. Denne saken handler også om noe så viktig som å klargjøre hvilke avgjørelser barnevernet kan ta på vegne av unger som de har overtatt omsorgen for. Fremskrittspartiet er positiv til at ansvarsfordelingen mellom barnevern og foreldre endelig blir klargjort i skolesammenheng, og mener på lik linje med det som kom fram i høringssvarene, at foreldreretten blir godt ivaretatt. For Fremskrittspartiet er det svært viktig at skole og barnevern har høye ambisjoner på vegne av barnevernsbarn når det gjelder skoleresultat. En rapport utført av Rambøll har kartlagt holdninger til skolegang for barn og unge med tiltak fra barnevernet. Rapporten gir grunn til bekymring. Den viser at nesten halvparten av ansatte i barnevernet har lave forventninger til barnevernsbarns skolegang, og at én av fem ansatte i skolen har lavere forventninger til barnevernsbarn enn til andre barn. Fremskrittspartiet mener at barnevernsbarna fortjener bedre. Fremskrittspartiet mener at elever må møtes med tillit og forventning, uansett hva slags sosial eller familiemessig bakgrunn de har. Barn og unge med tiltak fra barnevernet har i utgangspunktet samme forutsetninger for å lykkes med skolegang som andre barn. Elever skal ikke dømmes ut fra sin bakgrunn, de må bli behandlet

resultat. Denne proposisjonen inneholder også forslag om å endre navn på faget religion, livssyn og etikk til kristendom, religion og livssyn. I tillegg tydeliggjøres læreplanen ved at ca. halvparten av undervisningstiden skal brukes til kristendom. Fremskrittspartiet er positiv til dette. Skolen er både en dannelses- og en læringsarena, og den kristne kulturarven er innvevd i historien, litteraturen, kunsten og filosofien vår. Undervisning i vår kulturarv stimulerer til allsidig dannelse og gir rom for undring og refleksjon om viktige religiøse, etiske og filosofisk-kulturelle spørsmål. Avslutningsvis vil jeg framholde at faget ikke skal være forkynnende, og at innholdet i faget ikke endres. ikke endres. Fremskrittspartiet mener at det nye KRLE-faget vil gi tydeligere innsikt i at Norge har en kristen og humanistisk

Den gang ble ikke kompetansemålene i faget endret, og daværende kunnskapsminister, Bård Vegar Solhjell fra SV, var tydelig på at det fremdeles ville være behov for å bruke like mye tid på kristendommen som før. Heller ikke nå endrer vi kompetansemålene i faget, men vi legger altså inn igjen en bestemmelse som er rundere enn den gamle, om at kristendommen skal utgjøre om lag halvparten. halvparten. Det har helt siden KRL-faget ble innført, vært bred politisk enighet om at kristendommen bør ha en større andel av faget enn andre religioner, og det handler rett og slett om den betydningen kristendommen har hatt for utviklingen av det samfunnet vi lever i. Kunnskap om kristendom er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet. De foreslåtte endringene i faget innebærer ikke at fagets karakter blir endret. Det er ikke snakk om at faget på noen måte skal bli forkynnende, eller at trosopplæringen skal tilbake til skolen. RLE, eller KRLE, som det nå skal hete, skal fremdeles være et kunnskapsbasert orienteringsfag, og det skal være et fellesfag der elever med ulik religiøs tilhørighet skal kunne møtes og lære om egen og andres tro, ulike livssyn og etisk refleksjon. Kunnskap om tro er viktig for å bygge forståelse og respekt mellom mennesker. Derfor er det viktig at også lærerne har kunnskap om tro og livssyn. Jeg vil derfor benytte anledningen til også å nevne enigheten mellom flertallspartiene om at KRLE-emner skal legges inn som en obligatorisk del av lærerutdanningen, som en del av fellesfaget pedagogikk og elevkunnskap. Dette vil bidra til at alle lærere i framtiden har en grunnleggende kjennskap til feltet, og forhåpentligvis en økt forståelse for de elevene de skal jobbe blant. Dette blir stadig mer viktig i en skole der elevmassen blir stadig mer flerkulturell og flerreligiøs. Når det gjelder navneendringen, mener jeg det er naturlig at faget får et navn som i større grad gjenspeiler innholdet i faget. Så over til kompetansekrav til lærerne: Kristelig Folkeparti er opptatt av at vi skal ha kompetente og faglig sterke lærere i den norske skolen. Derfor er vi fornøyd med at Stortinget har skjerpet kravene om faglig fordypning for nyutdannede lærere, og vi mener også at satsingen på etter- og videreutdanning er positiv, og at denne vil bidra til et kompetanseløft også blant de lærerne som har vært ansatt lenge i skolen. Men det er problematisk å kreve at en lærer som har fullført en offentlig godkjent utdannelse, som har fått et offentlig godkjent-stempel til å kunne undervise i skolen, og som har fungert i jobben i mange år, skal kunne pålegges videre utdanning for å kunne fortsette i jobben sin. Jeg mener det er prinsipielt problematisk, jeg mener det er en økonomisk ufornuftig prioritering, og jeg frykter at det vil bidra til at en del gode lærere mister motivasjonen og velger å forlate læreryrket. Og det – mener jeg – har vi ikke råd til. Selv om det skal kunne gis en disposisjonsadgang til den enkelte skole, er det ikke sikkert det vil bety så mye for den enkelte lærer. Og hvis en mattelærer ved en ungdomsskole som har fått innvilget dispensasjon, har et ønske om å bytte arbeidsgiver og jobbe ved en annen skole isteden, vil det kanskje være naturlig at den nye arbeidsgiveren først og fremst vil se seg om etter kandidater som oppfyller de formelle kravene, slik at man slipper å drive på dispensasjon. Dette vil derfor kunne svekke lærernes mobilitet, og det er ikke bra. Forslaget tar heller ikke inn over seg at en lærer som har jobbet i mange år i skolen med å undervise i et fag, har opparbeidet seg mye realkompetanse. Representanten Tynning Bjørnø sa at man lærer så lenge man lever, og sa selv at det var et litt «svett» ordtak. Det er kanskje ikke mye mindre «svett» å si at man lærer så lenge man har elever, men jeg tror at det også er sant. Jeg mener derfor at dersom disse kravene blir innført, så lenge man har elever, men jeg tror at det også er sant. Jeg mener derfor at dersom disse kravene blir innført, må det legges til rette for at lærere som er utdannet før 2014, må få en mulighet til å få sin realkompetanse vurdert og eventuelt en mulighet til å avlegge en eksamen – uten å delta i undervisningen. Og så er vel det forslaget som vi står bak, allerede tatt opp. Det er allerede tatt opp, så det skulle være i orden. Jeg er

med kompetanse i faget de underviser i, mens det for andre – enten det er fordi de bor på landsbygda, eller fordi den kommunen eller den byen ikke fikk det til – ikke er så viktig. Dette er viktig for alle elever, og det er vår oppgave å sørge for å legge til rette for at alle elever får en lærer som har kompetanse i det faget som han underviser i. Det handler om å ha lærere som er motiverte, og som kan formidle kunnskap til elevene sine. så viktig. Dette er viktig for alle elever, og det er vår oppgave å sørge for å legge til rette for at alle elever får en lærer som har kompetanse i det faget som han underviser i. Det handler om å ha lærere som er motiverte, og som kan formidle kunnskap til elevene sine. Vi har mange gode lærere i skolen i dag, og hvis vi som storting har et ønske om at alle skal ha formell kompetanse i faget de underviser i, er det også vår oppgave å sørge for at det blir lagt til rette for at alle kan ta den videre- og etterutdanningen som kreves for å få den

for så å oppfylle de kravene som er stilt. Jeg mener man må ha litt fleksibilitet med hensyn til hvordan man kommer seg dit. Det kan ikke bare være én vei. Jeg vil kort knytte noen ord til K-en i det nye KRLE-faget. Det er neppe noen hemmelighet at dette er en sak Venstre ikke har vært sterk tilhenger av. Vi synes RLE-faget har fungert godt og skulle sånn sett ønsket at det ble videreført som det var. Men vi har inngått en avtale med regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, og det

mangfoldig. Da er kunnskap om tro og livssyn en viktig del av elevenes hverdag, og det er viktig at lærerne har kompetanse i det. RLE-faget er eit viktig fag. I tillegg til å lære om

Faget er også viktig fordi det tar opp grunnleggjande filosofiske og etiske spørsmål og reflekterer over tema knytte til identitet, menneskeverd, liv og død, rett og gale. RLE-faget er eit fag der elevane kan diskutere spørsmål som er viktige og vanskelege i ungdomstida: relasjonar, familie, venner, samliv, homofili, seksualitet. er eit heilt sentralt fag for å oppfylle skulen sin formålsparagraf: at elevane kan utvikle kunnskap og haldningar for å meistre både samfunnslivet og sitt eige liv, at elevane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk, at utdanninga skal fremje lærelyst og danning og motarbeide alle former for diskriminering. Når ein skulle endre eit viktig fag som RLE, korleis Kanskje skulle ein starte med å spørje lærarar, elevar og skuleforskarar om korleis faget verkar, og gå i dialog med dei for å høyre om noko kunne gjerast annleis – og gjere faget meir relevant, oppdatert og sterkare i samarbeid med desse miljøa. Måten regjeringa og kunnskapsministeren behandlar RLE-faget på, er nesten ikkje til å tru. Eg håpar – for

– framtidas lærarar – seier nei. Ei lang rekkje høgskular og universitet, som NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen, seier nei. Fagmiljøa rundt RLE – Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap, Norsk Religionspedagogisk Forskningsforum, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – seier nei. Foreldre, representert ved Foreldreutvalet for grunnskolen, seier nei. Likestillings- og diskrimineringsombodet seier nei. Likevel tar kunnskapsministeren sats og hoppar over alle faglege råd. Det er ein fullstendig uakseptabel måte å drive fagutvikling på og respektlaust overfor lærarar, forskarar og fagmiljø. Tenk viss ein hadde gjort det same, og godtatt det, i fag som norsk eller matematikk – at regjeringa i strid med alle faglege råd føreslo å innføre meir algebra og mindre RLE-faget kan tydelegvis brukast som ein politisk kamparena, som eit reint verkemiddel for betre samarbeidsklima på borgarleg side. Representanten frå Venstre innrømde det. Venstre var eigentleg imot, men på grunn av avtalen gjekk dei inn for dette. Slik kan ein leike med hovuda til elevane. Slik kan ein leike med fag i norsk skule. Det betyr at det er nokre svært få personar som avgjer kva elevar rundt omkring i heile landet skal drive med i timane – personar utan nokon kva elevar rundt omkring i heile landet skal drive med i timane – personar utan nokon som helst fagleg legitimitet. Det er berre trist. No skal det altså bli meir kristendom i skulen. Da blir det mindre tid til andre ting, som etisk refleksjon, livssynsdialog og spørsmål om liv og død. Den endringa blir gjord i 2015 i eit land med stadig større livssynsmangfald. Det er ei prioritering eg trur svært få ungdommar vil forstå.

med 2017 tar vi sikte på en ny masterutdanning for lærere. Det blir enda et steg bort fra ideen om allmennlæreren – allmennlæreren som kunne gå inn i hvilket som helst klasserom og undervise i hvilket som helst fag, nærmest på hvilket som helst klassetrinn. Vi ønsker å styrke faglæreren – læreren som er en god pedagog, og læreren som har et trygt og solid faglig grunnlag med seg og Vi har hatt en massiv satsing på videreutdanning, nærmest en tredobling av antall plasser – hvorfor? Det er ikke fordi studiepoengene i seg selv er viktige, men fordi faglig påfyll, det å samles med andre kollegaer, det å få nye ideer og det å få oppdateringer om hva som har skjedd på fagfeltet, er viktig for å utvikle seg i profesjonen, og det er viktig for å utvikle seg som lærer. Så kommer kompetansekrav, hvor vi sier at hvis du underviser i norsk, matematikk og engelsk, skal du også ha fordypning i de fagene, og det er en tilsvarende satsing på faglæreren, på faglig innhold og tyngde. Så er det en selvfølge når man innfører et slikt krav for alle som er i skolen, at man må følge utviklingen nøye.

ute. Det er et poeng at hvis vi skulle forsøkt å gjøre dette på to år eller tre år, som i utgangspunktet ikke ville vært meg imot, ville det blitt for mange vikarer i klasserommene, og det ville kunne gått på bekostning av dem som er i skolen nå. Men samtidig er det en klar og tydelig beskjed til skoleeiere der ute om at stortingsflertallet satser på fag, og jeg er veldig glad for at det er et bredt flertall for å innføre de kompetansekravene som regjeringen foreslår. Vi strammer også inn ved allerede nå å lukke en unntaksordning. Vi viderefører den alminnelige unntaksregelen, dispensasjonsmuligheten, som den ofte omtales som, og så må vi vurdere når og hvordan den skal lukkes. Når det gjelder hvilke avgjørelser barnevernstjenesten kan ta på vegne av barnet når barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for barnet, skal jeg ikke kommentere det nærmere, for det er stor enighet om det i komiteen. Så til endring av navnet RLE til KRLE. KRLE – og for den saks skyld RLE – er ikke de kristnes fag. Det er ikke Den norske kirkes fag i skolen. Det er vårt felles religions-, livssyns- og etikkfag. Jeg synes det er merkelig at representanten fra SV eksplisitt argumenterer som om mer oppmerksomhet på kristendom skal gå på bekostning av etisk refleksjon, som om det å kunne noe om og lære mer om den desidert største religionen i Norge, den som har formet norsk kultur og norsk historie mer enn noen annen religion – nærmest mer enn noen annen filosofisk retning, hvis man vil se på det på den måten – den raskest voksende religionen i verden, den største religionen i verden og den religionen som også svært mange av dem som kommer til Norge, tilhører, skulle innebære en motsetning til etisk refleksjon. Det kan jeg ikke forstå. Jeg synes også det er merkelig – all den tid flere har tatt det opp – at det ble understreket så tydelig fra den forrige regjering at når man fjernet kravet om 55 pst., skulle det ikke innebære mindre tid brukt på kristendom. Allikevel er det viktig at stortingsflertallet igjen slår fast noen helt uomtvistelige ting, nemlig at dette ikke er et forkynnende fag. Det har ikke til hensikt at man skal bli kristen eller utøve en bestemt religion. Det er et fag på lik linje med alle andre fag i skolen. Kristendommen skal heller ikke behandles kvalitativt annerledes. Det betyr også at i kristendomsdelen av KRLE-faget er det rom for både etisk refleksjon og kritikk av praksiser som har blitt utført i religionens navn, slik det også må være innenfor de andre områdene av faget. Jeg vil også understreke at vi ikke foreslår noen endringer i innholdet i faget ellers. Den gode lærer har fortsatt gode og store muligheter til å se de forskjellige kompetansemålene i sammenheng, og på den måten også få oppmerksomhet om det å sammenligne kristendommen med andre religioner og tankesett som har vært viktige for oss, eller som kan bli viktige for oss i fremtiden.

for replikkordskifte. RLE-faget er foreslått endret uten at man helt skjønner hvorfor. For på høring i komiteen var det ganske tydelig massiv motstand og advarsler fra lærere, elever, foreldre, interesseorganisasjoner og ikke minst et samlet fagmiljø. Likevel foreslår altså statsråden at RLE-faget skal skifte navn, og man vil gjennom vedtak i denne sal tydeligere styre hvor mye tid lærerne skal bruke på undervisning i deler av faget, det som vi i utgangspunktet er enige om at det er læreplanmålene som skal definere. Hvis man i tillegg tar fagets historie i betraktning, med uenighet, splittelse og fritak, ser man hvor ukloke disse forslagene er. er. Det jeg lurer på, er: Hva mener statsråden er det kloke i dette forslaget – så klokt at det trumfer både erfaringene fra historien og elevenes, lærernes, foreldrenes og fagmiljøenes advarsler for framtiden? En teknisk ting først: Det er ikke vedtak i denne sal som sier at man skal bruke om lag halvparten av tiden – det er en forskrift. Så det er utelukkende navnet på faget som behandles nå. Jeg mener at det er rimelig, som jeg også nevnte på talerstolen, at det som er den desidert største religionen i Norge, det som er den desidert største religionen og dermed religiøse tankesettet i verden, og også, basert på mye statistikk, den raskest voksende religionen i verden – og har påvirket norsk historie i 1 000 år – har en stor og sentral plass i faget vårt, ikke fordi man skal drive forkynnelse, ikke fordi man skal være ukritisk, men fordi kunnskap om kristendom er viktig. Så ser jeg også at mange av høringsinstansene er bekymret for at dette skal skape uro i faget. Derfor er jeg veldig glad for at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, har bidratt til mindre usikkerhet og uro ved at han for bare få uker eller måneder siden sa at han ikke så for seg å fjerne K-en i KRLE hvis Arbeiderpartiet skulle komme til makten igjen i

Mener statsråden med dette at han ikke stoler på lærernes faglige og pedagogiske vurderinger knyttet til hvor mye tid han eller hun skal bruke for at elevene skal nå sine læreplanmål? Og vil statsråden foreslå samme styringsmetode i andre fag? Statsråden vil ikke foreslå samme styringsmetode i andre fag, men RLE-faget har jo også en historie for at det var et krav om hvor mye tid som skulle brukes på kristendom. Så vidt jeg husker, var det fra 2005 til 2008 mer detaljert enn det kravet vi fremsetter nå, som sier «om lag halvparten». Det gjør vi i stor tillit til den norske lærerstanden og til det som blir KRLE-lærere rundt om i hele landet, men jeg vil også si at det er en pekepinn på at man ikke skal bruke for mye tid på én del av pensum. Så synes jeg også det er verdt å gjenta at mange har vært bekymret for at dette skal skape veldig stor uro rundt faget. Derfor synes jeg det er veldig positivt når Jonas Gahr Støre så klart og tydelig i flere medier har sagt at han ikke ser for seg at man skal endre KRLE-faget tilbake til RLE hvis Arbeiderpartiet skulle ta over regjeringsmakten i 2017. Det bidrar nettopp til en type ro og stabilitet rundt dette faget som jeg mener er veldig bra.

innholdet i den paragrafen vil bety at det er mange lærere som er kvalifisert i dag, som vil bli ukvalifiserte. Det vil si at en allmennlærer som har jobbet i skolen i f.eks. 20 år med engelsk og har sin kvalifikasjon, ikke lenger vil være kvalifisert. Jeg lurer på om statsråden mener det vil bli bedre kvalitet for elevene i overgangstida, som han sjøl har sagt er ti år, med en fersk student fra videregående enn med en lærer med for få studiepoeng, men med 20 års erfaring. Det er en type kvalifikasjon for å kunne bli lærer, og så handler dette om kompetansekravene i bestemte fag: norsk, matematikk og engelsk – norsk da med tegnspråk, samisk Jeg oppfatter vel representantens spørsmål som relativt retorisk. Det er klart at det helt sikkert er mange gode lærere i Norge i dag som ikke nødvendigvis har studiepoeng i faget sitt. Men jeg synes det er litt merkelig at man skal presentere det at man i løpet av ti år skal få videreutdanning – at man skal få ta et år hvor man jobber mindre, har redusert arbeidstid, samles med andre kollegaer på en utdanningsinstitusjon eller enda bedre kanskje lokalt, og få nye faglige innspill, få oppdatert seg på faget sitt – at det skal presenteres som en slags trussel mot Lærer-Norge, kan jeg ikke forstå. Når det er sagt, er jeg helt enig i at det er helt nødvendig når vi foretar en så viktig og stor endring som vi gjør nå, å følge utviklingen nøye – hvis det skulle dukke opp individuelle eksempler lik dem representanten tar opp. Kunnskapsministeren seier at det er opp. Kunnskapsministeren seier at det er veldig viktig med meir kristendom i skulen for å ta vare på den norske kulturarven. Samtidig er det ingen faginstansar, som eg har fått med meg, som har sagt noko av det same, og det er mogleg eg har gått glipp av noko her. Vi kan jo ikkje ha ein situasjon der innfalla til ein kunnskapsminister bestemmer kva innhaldet skal vere i norsk skule. Kan ministeren oppklare for meg og nemne

Den siste tidsbruksundersøkelsen om faget, som var for noen år siden, viste at det var et veldig stort spenn i hvor mye tid man brukte på kristendom. Noen steder kunne det være 60–70 pst., andre steder kunne det være 30–40 pst. Så om lag halvparten gjør at det blir en veileder og en pekepinn på det, altså et krav om det, men ikke nødvendigvis mer alle jeg helt enig i at det har vært motstand i høringsrunden, men igjen vil jeg peke på at mange peker på at endringene i seg selv ikke er problematiske, men de er bekymret for ny uro i faget. Og der kan jo alle partier på Stortinget bidra ved å ikke male opp dette som noe mer enn det faktisk er. Innholdet i faget endrer seg ikke, kompetansemålene endrer seg ikke, fritaksreglene blir akkurat de samme som før – med andre ord er dette et RLE-fag. Det er to endringer, det er navnet og det er om lag halvparten.
Det er jo ikkje vi som er på Stortinget, som maner til motstand mot dette forslaget – alle faglege instansar seier nei til å gjeninnføre KRLE og at om lag halvparten av faget skal vere om kristendom. Så er det ministeren som finn på dette argumentet med kulturarv, som han ikkje svarer på kor kjem frå. Vi må berre anta at det kjem frå ministerens eige hovud, og det er jo ein ganske skummel måte å utvikle norsk skule på.

kristendom? Nei, det mener jeg ikke, men jeg hørte representantens innlegg, hvor han mente og sa rett ut at hvis det ble – som representanten formulerte det – mer rom for kristendom, så ble det mindre tid til etisk refleksjon. Den motsetningen klarer ikke jeg å se. Så er det sånn at nesten bestandig når jeg er i Stortinget, vil jeg ha æren for veldig mye. Men å ta æren for begrepet «den kristne kulturarven», det kan jeg altså ikke gjøre. At det er noe som jeg som statsråd skulle ha funnet opp, en tusen år lang historie i Norge med kristen kulturarv, at det ikke skulle være brukt før det dukker opp som en begrunnelse for at vi skal ha et fag med litt mer rom innen kristendom, det kan jeg dessverre ikke ta æren for. Så revolusjonerende har nok ikke min statsrådsperiode vært. vært. Det er ingen som påstår det, og svaret frå statsråden var nok meir av det retoriske slaget enn svar på det eg stilte spørsmål om. Etisk refleksjon er best når du kan gjere det på eit fritt grunnlag. Du kan gjere det med utgangspunkt i kristendommen, du kan gjere det med utgangspunkt i seksualitet, du kan gjere det med utgangspunkt i andre typar religionar, livssyn osv. Når Når ministeren seier at det er massevis av etisk refleksjon i kristendommen, så seier han jo at det skal ta plass frå etisk refleksjon med anna type utgangpunkt. Mitt spørsmål handlar om mengda av faget her, for etter å ha tenkt litt over det finn eg det litt overraskande at det ikkje kjem til å bli meir kristendom. Kan ministeren garantere at det ikkje blir mer kristendom i skulen med dette forslaget?
Nei, jeg kan ikke garantere det, rett og slett fordi resonnementet er at det i siste tidsbruksundersøkelsen vi hadde, var store forskjeller på hvor mye vekt man la på de kompetansemålene som handlet om kristendom, som for øvrig er ganske brede kompetansemål. Det er ikke bibelhistorie disse kompetansemålene dreier seg om, det dreier seg om den kristne kulturarven, det dreier seg om kristen virkningshistorie, det dreier seg om både skyggesider og positive sider, misjonshistorie f.eks. – en rekke ting. Det er nok en mer grunnleggende uenighet mellom representanten Knag Fylkesnes og meg som ikke bare dreier seg om at vi nå følger opp en avtale mellom de fire samarbeidspartiene. Representanten sier at man reflekterer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 minutter. Jeg registrerer at det er en samlet komité, og det er gledelig at ansvarsfordelingen mellom barnevern og foreldre nå blir godt ivaretatt. Men det fortjener å bli presisert på denne talerstolen, for vi vet at barnevernsbarn skårer dårligere i skolen og de skårer dårligere helsemessig,

jeg det er interessant å se det i perspektiv med andre saker, bl.a. mobbing i skolen og mobbing av barn. Det som er så alvorlig, er at det er voksenpersoner som stigmatiserer. Vi må slutte å stigmatisere barnevernsbarn. Barnevernsbarn er helt ordinære barn, som har helt vanlige drømmer. De vil også oppnå resultater, de vil også bli vinnere. Og da må vi hjelpe dem til å bli vinnere. Da

skolen. Da må også vi, som lovgivende forsamling, sørge for at det blir fulgt opp og øke presset også ute i kommunene. Vi kan ikke ha det slik at vi stigmatiserer barnevernsbarn. Skal vi få dem opp, må vi heie på dem, alle sammen, hver og en. Jeg tror heller ikke barnevernsbarn ønsker å bli satt i en bås eller i en gruppe. Ingen av oss ønsker det. Vi ønsker å være en del av fellesskapet. Vi ønsker å nå våre mål. Vi ønsker å bli vinnere på hvert vårt felt, på hvert vårt område. Da har vi et ansvar, og jeg håper inderlig denne forsamlingen bidrar til det: å løfte dem opp og heie dem fram, alle sammen, og få slutt på at man skal stigmatisere, og få slutt på at man føler seg uønsket i skolen. Navneendringen fra RLE til KRLE er

tid brukt på kristendomsundervisningen, er det fordi vi mener det er viktig å få grundig kunnskap om vår tros- og tradisjonshistorie. Den kristne tro har i stor grad preget hele det norske samfunnet i mange hundre år. Det er også en sentral del av vårt samfunn i dag, og som størsteparten av den norske befolkningen har et eller annet forhold til. til. At kristendommen har en viktig betydning for kulturarven, er nok ikke noe som kunnskapsministeren har funnet på i sitt eget hode. Det er også flere høringsinstanser som har berørt dette i høringen. Jeg kan bl.a. nevne Arendal kommune. Målet med faget er å skape læring og inkludering. Det å bli kjent med Norge er også å bli kjent med våre tradisjoner knyttet til tro ja det er faktisk nøkkelen til å forstå viktige deler av den norske kulturen. Når vi kjenner betydningen av vår egen trostradisjon, er vi også i stand til å forstå hvor viktig det er for andre med tro, og betydningen av den. Til slutt vil jeg minne om at i fagene historie og samfunnsfag er det helt naturlig at norsk historie er i fokus – i samfunnsfag at det også er norsk samfunnsliv som er i fokus. På samme måte er det naturlig å lære mest om det som har vært, og som i stor grad er norsk trostradisjon. Derfor mener Kristelig Folkeparti at vedtaket som vi kommer til å fatte i dag, vil være en viktig endring for framtidig KRLE-undervisning. Selv er jeg lærer og jobber i norsk skole – og gleder meg til å ta fatt på
Neste taler er representanten

som er allmennlærere, og det er også veldig mange som underviser i fag som de ikke har kompetanse i. Det jeg reagerer litt på, er at når statsråden sier at det er veldig viktig med kompetanse i fagene norsk, matte og engelsk, så betyr det at det er andre fag som ikke er så viktige. Da har jeg bare lyst til å minne salen om at vi har sett tall fra SSB som sier at 70 pst. av

allmennlæreren, og det er viktig i flere sammenhenger, men ikke minst også for at en skal kunne undervise på veldig mange små steder rundt omkring i hele landet. Jeg skjønner at det er veldig mange som er imot definisjonen på hva en liten skole er – det er veldig ulikt fra det ene fylket til det andre. Men vi vet at Sogn og Fjordane har mange små skoler, og vi vet at resultatene der er bra. Jeg tror det er veldig viktig at vi har allmennlærerne og ikke underkjenner deres kompetanse, og det er det vi er redde for når vi sier at det skal ha tilbakevirkende kraft i denne sammenhengen. Det er ikke lærerne det er en trussel mot, som statsråden var inne på innlegget sitt til meg – det hørtes som det var en trussel mot lærerne at de skulle få etter- og videreutdanning. Jeg er ikke noe redd for at de skulle få etter- og videreutdanning. Jeg er ikke noe redd for at lærerne skal få etter- og videreutdanning. Jeg tror mange kommer til å glede seg over det. Noen kommer nok til å kvi seg også. Det er elevene vi er bekymret for. Vi er redde for at elevene vil få et dårligere tilbud. Vi mener også at det er feil å diskvalifisere noen som har når vi samtidig sier det er ok å ikke ha kompetanse i andre fag. Takk for debatten, har jeg lyst til å si. Jeg har også lyst til å sende en hilsen til representanten Stordalen, som kom med et godt innlegg, synes jeg, om barnevernsbarn og deres situasjon i skolen og at det er viktig at vi også er opptatt av det i denne komiteen. denne komiteen. I frykt for å forlenge ein debatt og ein dag som kjem til å bli lang, skal eg prøve ikkje å provosere for mykje. Kristendom har ein sentral rolle og plass i dagens RLE – ein kjempesentral plass og rolle. Det reflekterer den betydinga kristendomen har i det norske samfunnet og i norsk kultur og historie – tilstrekkeleg. Det meiner alle faginstansar om dette. Alle som meiner at det er for lite, har antakeleg ikkje sett seg inn i korleis det er i skulen i dag, eller har kanskje ikkje tatt den praten med alle desse faginstansane som kan denne saka. Dei meiner altså at det er tilstrekkeleg, at ein ikkje skal gjere justeringar i dette faget. Likevel gjer ein det.

Sånn kan ein ikkje halde på i Noreg, verken i fortida, i framtida eller i dag. Det er rett og slett ein skam at ein berre glatt kan oversjå alle faglege råd i eit så stort fag i den norske skulen og berre køyre igjennom eige opplegg. Det åtvarar eg sterkt mot i framtida, og eg synest at det er ein skam at det skjer i dag. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at debatten

Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 15 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter og regjeringen 5 minutter.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
vedtatt. Denne saken gjelder endringer i privatskoleloven. Som sakens ordfører vil jeg begynne med å takke komiteen for samarbeidet i behandlingen av denne saken. De ulike partiene er enige i veldig mye i skolepolitikken. Det er en samlet komité som uttrykker at den offentlige skolen er og skal være bærebjelken i det norske skolesystemet. Men det er også en samlet som peker på at Norge gjennom internasjonale konvensjoner har forpliktet seg på foreldrenes rett og mulighet til å velge et annet skoletilbud for sine barn enn det offentlige, og en utdanning som er i tråd med egen religiøs, moralsk og filosofisk overbevisning. Så er det ulike meninger i komiteen når det gjelder enkelte aspekter ved friskolepolitikken, som eksempelvis endringer i godkjenningsgrunnlagene og endringer av navnet på loven. Jeg vil nå gjøre rede for Kristelig Folkepartis syn på denne saken. Foreldreretten er utgangspunktet for Kristelig Folkepartis friskolepolitikk. Vi mener at vi trenger private skoler i Norge som et supplement til det offentlige skoletilbudet. Det må være mulig å velge alternativt, derfor er vi opptatt av å legge forholdene til rette for friskolene og gi dem gode og forutsigbare rammevilkår. rammevilkår. For at alle skal ha en reell mulighet til å velge alternativt, er vi også opptatt av en god offentlig finansiering av friskolene, slik at foreldrebetalingen kan holdes på et lavt nivå. Jeg er derfor glad for at et flertall av partiene nå ber regjeringen utrede hvordan kostnader til bygg kan innlemmes i tilskuddsgrunnlaget til friskolene. Vi vet at mange friskoler har trange økonomiske rammer, og vi vet at alle friskoler trenger gode, funksjonelle skolebygg for å kunne gi elevene et godt opplæringstilbud. Jeg er også glad for at flertallet ber regjeringen se på muligheten til å la skolene opparbeide seg noe mer egenkapital enn det de har mulighet til i dag, for å kunne sikre en forutsigbar økonomi og tillate noe mer tilleggsvirksomhet knyttet til skolevirksomheten, som f.eks. skyssordninger for egne elever og utleie av ledige lokaler. Samtidig som vi ønsker å gi skolene mer fleksibilitet, ønsker vi å være krystallklare på at vi ikke ønsker kommersielle friskoler i Norge. Skolen er ikke en arena som egner seg for profittjag og økonomisk gevinst. Disse skolene drives i stor grad av fellesskapets midler, og pengene skal komme elevene til gode. Derfor synes jeg det er fornuftig å tydeliggjøre utbytteforbudet og også utvide innsynsadgangen ved tilsyn til også å omfatte nærstående selskaper. Kristelig Folkeparti ønsker friskoler, men vi ønsker ikke noe frislipp. Vi inngikk et privatskoleforlik med de rød-grønne partiene på Stortinget i 2007, og det dannet grunnlaget for dagens privatskolelov. Men de fire partiene som ble enige i 2007, har ikke lenger flertall sammen i Stortinget. Solberg-regjeringen varslet en vesentlig liberalisering av privatskoleloven. I Sundvolden-erklæringen ble det varslet at alle som oppfyller lovens krav til kvalitet, skal ha en lovfestet rett til å starte offentlig finansierte friskoler. Denne politikken var det ikke aktuelt for Kristelig Folkeparti å støtte. Jeg vil derfor rose kunnskapsministeren for at han valgte en løsning som kunne gi et bredere forlik i Stortinget. Regjeringens ønske om mer mangfold blir ivaretatt ved at det innføres to nye godkjenningsgrunnlag i loven, samtidig som hovedlinjene i dagens privatskolelov videreføres. Det blir ingen rettighetslov, det gis ingen rett til å starte friskole. Man må fortsatt søke om godkjenning, man må fortsatt søke på bakgrunn av definerte grunnlag i loven, og det skal fortsatt foretas en skjønnsmessig vurdering før godkjenning gis. Kommunene skal fortsatt uttale seg, og skoler skal ikke godkjennes dersom dette vil få negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet på stedet. stedet. Jeg mener dette er en god løsning. Det er en løsning som innebærer en fortsatt streng friskolelov, samtidig som det åpnes for noe mer mangfold i sektoren enn det vi har i dag. Og jeg mener det er en god løsning fordi den ligger nær sentrum. Ingen er tjent med en friskolepolitikk som trekkes langt ut til høyre når det er et blått flertall på Stortinget, og langt ut til venstre når flertallet er rødt.

rødt. Takk til saksordføreren, som har loset oss gjennom denne store saken på en god måte. Det denne saken egentlig handler om, er om man ønsker å åpne for mange flere privatskoler i Norge eller ikke. Regjeringen har kommet med et nytt lovforslag fordi de ønsker flere private skoler. Arbeiderpartiet er imot det. Vi vil heller bruke tid, energi og penger på den skolen som de aller, aller fleste barn og unge går i, nemlig fellesskolen. Som skolepolitiker for Arbeiderpartiet er et av mine mål at alle barn skal få de samme sjansene i livet og like muligheter til å utvikle seg forskjellig, og da er det få ting som er viktigere enn en god, felles offentlig skole – en skole som sikrer at du ikke må dra for langt unna der du bor for å få et opplæringstilbud av god kvalitet, en skole som du kan velge å gå på sammen med dem du leker med i gata, en skole som ikke koster penger, en skole der du lærer av å omgås andre, en skole der du lærer av å omgås dem som enten er like eller ulike deg selv, en skole som har høye ambisjoner for hvert enkelt barn, en skole som ved å omstille seg tenker nytt. For Arbeiderpartiet er denne skolen nettopp fellesskolen, og vi vil bruke vår tid, vår energi og våre ressurser på at den skal bli enda bedre. Har man slike skyhøye ambisjoner, må man ha fokus – rett fokus. Og jeg legger merke til at representanter fra regjeringspartiene stadig argumenterer med at privatskoleloven må endres for å skape mer mangfold i skolesektoren og gjøre plass til nytenking og de gode ideene. ideene. Jeg mener regjeringen abdiserer når den overlater mangfoldet og nyskapingen i skolen til de private aktørene. Jeg mener det er et uttrykk for feil fokus. Jeg synes heller at regjeringen burde konsentrere seg om å skape mer mangfold og nyskaping i den skolen som de aller, aller fleste elevene går i. i. Ved å åpne for flere private skoler og ved å skape et skolemarked tilsier erfaringene, bl.a. fra Sverige, at mangfoldet og valgfriheten blir større for noen, men samtidig mer begrenset for andre. Det er en kjensgjerning at ved tidligere liberaliseringer av privatskoleloven, som f.eks. den Høyre gjennomførte sist de satt i

tape. Dersom regjeringen virkelig ønsker å hindre dette, oppfordrer jeg dem i hvert fall til å stemme for vårt forslag om lokal vetorett mot skoleetableringer basert på de utvidede grunnlagene. Alt annet blir bare bortforklaringer og dårlig kamuflasje av det man faktisk ønsker: flere privatskoler i Norge. Sist gang Høyre liberaliserte loven, endte det f.eks. med at i mitt fylke, Telemark, ble flere skolesøknader i Grenland godkjent, på tross av at fylkestinget sa nei. Regjeringen sier at den loven de nå foreslår, er en helt annen lov enn den de foreslo sist. Blant annet poengterer de gang på gang at godkjenning fortsatt kun skal gis basert på visse grunnlag og kriterier. Det er i og for seg riktig, men realiteten er at regjeringen ønsker flere private skoler og derfor foreslår å utvide med to nye godkjenningsgrunnlag, profilskoler og skoler med yrkesfaglig studieprogram – med en høyst uklar definisjon av hva disse grunnlagene egentlig betyr. Betyr det at dersom man har et parti ekstra med dans i uka, er man profilskole i dans? Betyr det at dersom man plukker sopp i naturfagtimene og leter etter figurer i naturen som ser ut som bokstaver, og så lenge dette er tydelig formulert i skolens læreplan, er man profilskole i natur og friluftsliv? Det hjelper lite med grunnlag og kriterier hvis disse er så vage og upresise at alle som søker, i realiteten kan passe inn. Kanskje er det sånn at grunnen til at dette ikke er definert klarere i loven, er at statsråden selv ønsker å fylle dette med sitt eget innhold og ha definisjonsmakten, uten innblanding fra Stortinget. Hvis svaret er ja på det siste, da blir i hvert fall jeg bekymret. La oss heller snakke om profilskoler i den offentlige skolen. La oss heller bygge videre på det vi vet funker: på forskerlinja på Skien videregående skole, på ballettlinja på Ruseløkka, kanskje også blåse liv igjen i friluftslivklassen på Tveten ungdomsskole i Porsgrunn. Og til dem som sier «slapp av, Christian, vi kan jo gjøre begge deler, ha to tanker i hodet på en gang», er svaret: Hvorfor ha to tanker i hodet som omhandler det samme, og samtidig risikere at den ene ambisjonen spenner bein på den andre? For hvis målet med å endre privatskoleloven er mer mangfold og nyskaping for alle,

I denne saken beviser de nok engang at det ikke er tilfellet, for det finnes få, om noen, eksempler på at økt privatisering av skolen er det som skal til for å få en bedre skole, der alle, uansett forutsetninger, lærer mer. Tvert imot viser erfaringene fra flere andre land negative tendenser. I Sverige har vi oftere og oftere hørt ord som «karakterinflasjon» bli brukt i den offentlige skoledebatten. Vi har også sett fall i skoleresultater. Ser vi imidlertid til land som vi vet gjør det bra, f.eks. Finland, har de nesten fravær av private skoler. Det er altså ingen grunn til å trekke konklusjonen om at flere private skoler betyr en bedre skole totalt sett. Dette betyr ikke at Arbeiderpartiet er imot alle private skoler. Det vi diskuterer, er omfanget av private skoler finansiert med offentlige midler. Arbeiderpartiet mener at dagens privatskolelov er en balansert lov som aksepterer alternativer til den offentlige skolen, samtidig som det er en restriktiv praksis for godkjenning. Arbeiderpartiet står derfor fortsatt på privatskoleforliket fra 2007. Arbeiderpartiet vil likevel stemme for enkelte mindre justeringer i loven, bl.a. det som omhandler voksne søkere, alternative kompetansekrav og foreslåtte modeller for finansiering av toppidrett. Vi støtter også endringene i loven som omhandler dokumentasjonsplikt og økt innskuddskapitalgrense og innføring av karantenebestemmelser. Når vi ser av tilsyn at en overveldende stor andel av privatskolene har blitt dømt for brudd på regnskapsregler og bruk av statstilskudd,

Vi fremmer derfor forslag om at lovens tittel skal bevares som den har vært til nå, og at benevningen på skoler godkjent etter loven skal være «private skoler». De store endringene i denne loven knytter seg til hva man ønsker skal kunne godkjennes som privatskoler og ikke. Arbeiderpartiet er imot å utvide grunnlagene for godkjenning av private skoler fordi vi er redd for at det vil skape et mer delt skolemarked, et skoletilbud for noen, ikke for alle, flere skoletilbud som koster penger, som vil konsentrere seg rundt byene og gå ut over distriktene – som kan få konsekvenser for den skolen som de aller fleste elevene går i. Jeg tar opp de forslag Arbeiderpartiet har, alene eller sammen med andre. Representanten Christian Tynning Bjørnø har tatt opp de forslagene han refererte til. til. Jeg vil også begynne med å takke saksordføreren for et godt arbeid. Dette er en sak som skaper mye debatt i norsk politikk, og derfor er det også imponerende det arbeidet som er lagt ned for å lose denne loven trygt gjennom i Stortinget. De aller fleste elevene i den norske skolen går i den offentlige skolen. Det er bra, og det er en styrke ved Norge. Men så finnes det noen elever som ønsker seg eller faktisk trenger noe litt annet enn det det offentlige kan tilby. Og det finnes også mennesker ute i samfunnet vårt, idealister, engasjerte skolefolk, som ikke jobber i kommunen eller i fylket, men som likevel har gode ideer om hvordan de ser for seg å kunne tilby noe litt annet til de elevene som har behov for noe litt annet.

friskoler. Det er en stor forskjell på det og på de rene private skolene som hvem som helst kan starte i Norge, og som alle partiene på Stortinget er for at de kan gjøre, og som det koster 50 000–60 000 kr i året å gå på. Det vi nå snakker om, er offentlig finansierte friskoler, som er underlagt ganske strenge regler. Sist gang man endret det som den gangen het privatskoleloven, var i 2007. Det ble gjort av den forrige regjeringen i samarbeid med Kristelig Folkeparti. Folkeparti. Den gangen strammet man inn til at det igjen ble en formålslov, hvor man sa at det kun var lov å starte religiøse skoler og skoler som tilbød en forhåndsgodkjent pedagogikk, toppidrettsgymnas og internasjonale skoler. Med andre ord betyr det at alle partiene i denne sal er for offentlig finansierte alternativer til den offentlige skolen. Det vi nå diskuterer, er hvilke formål som skal være forutsetningen for å få en godkjenning til å starte en slik skole. Det er ingen hemmelighet at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gikk til valg på, og i realiteten har flertall for i denne sal, det man kan kalle en rettighetslov, en lov som ikke baserer seg på at det må være bestemte formål som er oppfylt, men at kvaliteten må være god nok for at de skal kunne vurderes å starte opp. Kristelig Folkeparti har på sin side gått til valg på og vært opptatt av å ha en formålslov. De fire partiene har hatt tett kontakt med sektoren, både med dem som går på friskoler, og dem som driver friskoler. De har ønsket seg én ting fremfor noe annet, og det er forutsigbarhet.

Stortinget. Derfor er jeg veldig glad for at de fire samarbeidspartiene i dag kommer til å stemme for det som er et bredt friskoleforlik. Det som tidligere utgjorde friskoleforliket i norsk skole, gikk mellom SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Det nye brede forliket går mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det betyr også at dette forblir en formålslov, men at man åpner for flere typer skoler. Representanten Bjørnø sa at formålet med denne loven er å få flere friskoler. Vel, jeg ser ikke bort fra at det blir noen flere friskoler, men det viktigste for oss er at det skal bli flere typer friskoler – et større mangfold, mer valgfrihet for elevene. Vi åpner f.eks. for det man kaller for profilskoler – skoler som går særskilt inn i en fagretning utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet, Kunnskapsløftet, som har egne læreplaner, og som kan eksemplifiseres med realfagsgymnas eller en skole som tilbyr flere språk enn den offentlige skolen gjør, med egne utvekslingsprogram. Så tillater vi det man kaller for yrkesfagskoler, egne skoler startet av bransjene selv, eller i tett kontakt med bransjene, og som da vil innebære et supplement til det yrkesfagløftet vi nå skal gjennomføre i den offentlige skolen. Et eksempel på en slik skole er det søkt om her i Oslo. Der har et opplæringskontor gått sammen med 80 restauranter i denne byen for å få lov til å starte en skole med 30 elevplasser innenfor servitør- og kokkefag. De sier: Vi vet noe om hva denne bransjen trenger, og vi har noen ideer om hvordan undervisningen kan foregå. Vi tror at vi kan være et supplement til den offentlige skolen. Vi kan kanskje til og med lære den offentlige skolen noen nye måter å undervise på, og vi kan lære noe av den offentlige skolen om hvordan de gjør ting. Sannheten er at dette er en skole som kunne startet opp med dagens lov, men kun hvis de da underviste kokkene i Bibelen mellom kokkekursene, eller hvis de sa at du kan gå på servitørlinjen, men du skal gjøre det med steinerpedagogikk. Da kunne man startet den skolen i dag. dag. Jeg tror simpelthen ikke at den yrkesfagskolen blir bedre av det kravet. Men jeg er helt overbevist om at disse entusiastene, de 80 restaurantene i Oslo, har noen ideer som det er bra at elevene får mulighet til å bruke, og som den offentlige skolen kan lære noe av.

Det var ikke noe frislipp den gangen heller, naturligvis. Det er strenge kriterier som skal være på plass, men vi utvider formålene noe. Bare for å gjenta det: Vi tillater ikke utbytte. Man kan ikke sortere elever. Man kan ikke ta høyere egenandel enn i dag. Forskjellen er at vi forlanger ikke at skolen skal være religiøs eller tilby en bestemt forhåndsgodkjent pedagogikk. sier samtidig at kommunene skal få en større tyngde til å si ja eller nei til disse skolene enn det de har med dagens lov. Det igjen betyr at når man ser på alle alternativer som en trussel mot den offentlige skolen, handler dette i realiteten om et supplement som ikke kan erstatte den offentlige skolen, men det kan være et godt alternativ for Sektoren selv er veldig tydelig overfor oss på at de ønsker seg en streng lov. Det er viktig også for dem som i dag driver friskole, at ikke useriøse aktører tar plass og ødelegger for alle de gode alternativene som vi har i dag, og som vi nå også kommer til å få med den nye loven.

skolebygg. Derfor har vi bedt departementet om å se grundigere på hvordan man kan finansiere det. I dag gjøres dette gjennom kapitaltilskudd. Man kan eventuelt se på hvordan noe av dette kan legges inn i tilskuddet friskolene får for å kompensere for utgifter de har til skolebygg. Vi ønsker også at departementet kommer tilbake til oss og ser på hvordan 20-dagersregelen fungerer i praksis. I en situasjon der man har en elev som er borte i 20 dager eller mer, mister friskolen automatisk tilskuddet sitt. Det kan hende det fungerer mot sin hensikt – kanskje er det akkurat da man trenger tilskuddet, for å sørge for at den eleven kommer seg tilbake på skolen. Jeg vil påstå at i den offentlige skolen, hvis noen er borte i 20 dager, får man en ekstra helsesøster. Da er det litt urettferdig hvis de som driver offentlig finansierte friskoler, mister statsstøtten når de har noen elever med noen ekstra utfordringer. Så til slutt til dette som kom på slutten av representanten Bjørnøs innlegg, nemlig at man viser til Sverige. Jeg må si at jeg synes det er ganske spesielt. Én ting er hva som foregår i mediene og ute i samfunnsdebatten, men inne i stortingssalen synes jeg det er mye mer interessant å diskutere de lovforslag regjeringen faktisk fremmer, og som vi skal behandle, i stedet for å diskutere situasjonen i et helt annet land med et helt annet system. system. Man kan godt snakke om Sverige – det er en veldig interessant debatt hva som foregår i Sverige, men det er en friskolelov som tillater utbytte, og som er finansiert ved at pengene følger eleven, ikke ved rammefinansiering, som vi har i Norge. Med andre ord – det er en helt annen modell. Jeg mener at skal vi ha en fruktbar debatt om norsk friskolesektor, bør vi diskutere den norske friskolesektoren, ikke den svenske. Representanten Bjørnø sier også at det er mye bedre å ha nytenking innenfor den offentlige skolen enn å tillate disse alternativene. Vel, slutningen av et slikt resonnement må være at Arbeiderpartiet starter offentlige montessoriskoler, eller at man sier at kommunene skal tilby religiøse offentlige skoler. Eller kan det hende at den offentlige skolen har lært noe av montessoriskolene, har lært noe av steinerskolene, har sett at den offentlige skolen, som skal være der for alle, ikke alltid klarer å fange opp alle de nyansene som elevene har behov for?

er for at elever og foreldre bør ha mulighet til selv å velge den skolen som passer elevens ferdigheter og ønsker. Fremskrittspartiet er derfor positiv til at det nå er flertall på Stortinget for å åpne for at det kan etableres flere typer friskoler i Norge. Fremskrittspartiet mener forslaget slik det nå ligger, er et godt og bredt kompromissforslag som vil stå seg over tid. Grunnlaget for godkjenning utvides. De to nye grunnlagene er videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil. Jeg synes det er verdt å merke seg at et flertall av høringsinstansene støtter en utvidelse av grunnlaget for godkjenning. Fremskrittspartiet mener at flere friskoler bidrar til økt mangfold og læring mellom skoler. Offentlig finansierte friskoler bidrar også til å sikre den enkeltes reelle mulighet til å velge en privat skole. Flere aktører har vist interesse for å kunne etablere skoler som ikke faller inn under dagens grunnlag, slik som realfagsgymnas, private Fremskrittspartiet mener at den endringen vi nå skal vedta, vil rette opp det som vi oppfattet som urimeligheter i nåværende privatskolelov. Yrkesfagopplæringen i Norge foregår i tett samarbeid mellom skolen og bransjene gjennom

skoler skal ha mulighet til å starte opp, er en viktig liberalisering av loven. Det gir rom for at nye og kvalitativt gode skoletilbud får adgang til å starte og dermed sikre et større mangfold og valgfrihet for elevene. Dette mener vi er positivt. Fremskrittspartiet vil understreke at den nye loven gir både trygghet og forutsigbarhet for elever og ansatte. Det har spesielt fra arbeiderpartihold vært hevdet at det nå åpnes for et frislipp av privatskoler, og en sammenlikner loven med svensk lovgivning på området. Det er ikke mulig å sammenlikne. Reguleringene i den loven vi skal vedta, er helt annerledes og langt strengere enn i den svenske skoleloven. skoleloven. Å drive skole er et stort ansvar, og Fremskrittspartiet mener derfor det er viktig at det skal stilles krav om både registrering og innskuddskapital før godkjenning. Fremskrittspartiet mener at friskoleloven legger til rette for seriøse aktører som ønsker å drive skolevirksomhet av høy kvalitet gjennom et godt regelverk og effektive og tydelige virkemidler. Blant annet inneholder loven en ny bestemmelse som gir tilsynsmyndighetene mulighet til å pålegge juridiske enheter og enkeltpersoner karantene. Fremskrittspartiet støtter også regjeringens forslag om å presisere at ikke bare drift av annen virksomhet, men også eierskap i slik virksomhet er omfattet av lovens forbud mot annen virksomhet enn skole. Fremskrittspartiet vil understreke at det i loven er en viss fleksibilitet, slik at det der det er hensiktsmessig, kan tillates noe tilleggsvirksomhet, herunder utleie av lokaler i skoletiden. Fremskrittspartiet har i mange år arbeidet for å bedre finansieringen for friskoler, og vi mener det bør vurderes å innføre en utvidet adgang for friskolene til å bygge fri egenkapital, som på kort og lang sikt vil komme elevene til gode ved hjelp av skolens ordinære inntekter, når den økonomiske situasjonen ligger til rette for det. Disse midlene må det ikke være lov å ta ut av skoleselskapet. Friskolene kan ha behov for en noe utvidet adgang til å bygge opp egenkapital for å sikre trygghet og forutsigbarhet i skolens økonomi. økonomi. Muligheten til å bygge opp egenkapital med inntekter fra tilleggsvirksomhet må vurderes i forbindelse med forskriftsreguleringen. Fremskrittspartiet vil påpeke at også private skoler har behov for gode, funksjonelle skolebygg. Tilskuddsgrunnlaget til friskolene tar utgangspunkt i Avskrivingskostnader for varige driftsmidler som skolebygg er ingen driftsutgift, men en kostnad knyttet til driften, og den er dermed ikke innlemmet i tilskuddsgrunnlaget. Fremskrittspartiet mener at tilskuddsgrunnlaget i større grad bør ta utgangspunkt i reelle kostnader knyttet til skoledrift, og at private skoler skal få tilskudd som sikrer mulighet for gode, funksjonelle lokaler. Med bakgrunn i dette ber flertallet regjeringen om å utrede hvordan kostnader til bygg bør innlemmes i tilskuddsgrunnlaget og utrede innlemming av avskriving av varige driftsmidler i tilskuddsgrunnlaget til friskolene. Jeg vil videre vise til at regjeringen har varslet en egen stortingsmelding om livslang læring og utenforskap i løpet av 2015. Livslang læring er noe Fremskrittspartiet lenge har ment at det er behov for å få en grundig gjennomgang av, fordi innholdet i yrker endrer seg, og fordi flere av ulike grunner har behov for å skifte yrke. Med dette som bakgrunn mener Fremskrittspartiet at Stortinget i arbeidet med denne må foreta en grundig gjennomgang av tilrettelegging for skole og utdanning for voksne elever i tråd med den enkeltes og samfunnets behov. I den forbindelse bør også voksnes tilbud i friskoler utredes. For å kunne gi et reelt tilbud til voksne elever i friskoler ser Fremskrittspartiet det som avgjørende at man ved slike tilbud får muligheten til å prioritere voksne elever uten skolerett foran søkere med skolerett. Disse skolene gir i dag en god opplæring som er tilpasset den enkelte. Fremskrittspartiet vil også påpeke at det i dag er svært få offentlige skoler som tilbyr utdanning i verneverdige fag. Elever som ønsker utdanning i disse fagene, kan i liten grad velge et offentlig tilbud. Samtidig er det et stort behov for den kompetansen og kunnskapen som disse fagene representerer. Det påhviler også Norge en forpliktelse til å ivareta denne kunnskapen, bl.a. gjennom UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. elever uten rett til videregående opplæring utgjør en viktig elevgruppe for skoler som tilbyr utdanning innen små og verneverdige håndverksfag. Fremskrittspartiet regner med at regjeringen kan finne gode måter for å legge til rette for skoler med verneverdige fag. De aller fleste elevene i Norge går i offentlige skoler, og

fag. De aller fleste elevene i Norge går i offentlige skoler, og det er vi glade for. Senterpartiet mener det er en styrke ved den norske skolen og samfunnet vårt. En av grunnene til at vi er kåret til et av verdens beste land å bo i, er at det ikke er lommeboka som avgjør om man skal få utdannelse eller ei. Vi går i samme skole, uavhengig av lommebok, kjønn, religion, klasse, kulturell bakgrunn, interesser og funksjonsnivå. Sjøl om bare 3 pst. av grunnskoleelevene og 7 pst. av elevene i videregående skole går i private skoler, er det en menneskerett å kunne velge alternativer for sine unger. Dagens privatskolelov dekker et tilbud med lange tradisjoner som er et supplement til fellesskolen. På den måten sikrer dagens privatskolelov en god balanse mellom en sterk fellesskole og hensynet til foreldreretten. Kjernen i foreldreretten handler om å kunne velge en skole med et annet innhold enn det offentlige tilbudet, ikke å velge et tilbud som opprettes i direkte konkurranse med det offentlige. Senterpartiet forstår regjeringens ønske om å utvikle gode skoler, men vi mener at det gode skoletilbudet skal utvikles i offentlig regi. Senterpartiet har kritisert regjeringa for å gjøre for lite, for seint, i Regjeringa, Kristelig Folkeparti og Venstre åpner nå for yrkesfagskoler for å svare på behovet for gode yrkesfagprogram. Det er for oss noe ulogisk og uforståelig at regjeringa åpner for dette nå, når Stortinget for to år siden vedtok at det nettopp skulle foretas en gjennomgang av studieprogrammene for å tilpasse dem bedre til arbeidslivets behov. Særlig er det uttrykt at bl.a. salg og service og restaurant- og matfag sliter med rekruttering og treffsikkerhet. Vi kritiserer fortsatt regjeringa for å følge opp Meld. St. 20 for 2012–2013 for dårlig. Hvorfor i all verden tenker man at det er greiere at private ordner opp med yrkesfagene enn å ordne opp med dem sjøl? Dette kunne regjeringa tatt tak i med det samme de overtok kontorene, hvis man mente at man prioriterte yrkesfag. Vi har også i skarpe ordelag kritisert regjeringa for ikke å gjøre noe med vekslingsmodellen, sjøl om denne også ble vedtatt for to år siden. 4,5 mill. kr dekker jo knapt fire lærerstillinger, og det sier seg sjøl at det er en mikrosatsing på veksling. Det betyr at det ikke er mulig å tilrettelegge for veksling mellom skole og bedrift. Verken fylkeskommuner, opplæringskontor eller bedrifter har midler å sette inn for å få organisert dette på en god måte. Det er der vi mener at pengene skulle vært brukt. Å åpne for såkalte profilskoler har en god intensjon – et ønske om å spisse og trene på spesielle ferdigheter eller spesialisering. Det kan være kunstskoler, idrettsskoler, forskerskoler osv. osv. Men vi må til liks med Arbeiderpartiet stille spørsmålet: Hvorfor må det være i privat regi? Hvorfor må det være i privat regi? Hvorfor kan ikke de offentlige skolene i større grad stimuleres og gis anledning til å utvikle sine skoler innenfor områder der de mener de har et fortrinn? Senterpartiet mener det er fleksibilitet nok innenfor dagens lovverk til at offentlige skoler kan fordype seg innen f.eks. kunst og håndverk, idrett, språk eller realfag. Jeg synes det er litt rart at i Oslo først blir tatt på alvor og lyttet til når de lager sin egen skole. De burde vært inne og gitt råd mye før. Det er bra at det i proposisjonen understrekes at nye private skoler ikke skal gis godkjenning dersom det vil få negative følger for skoletilbudet i kommunen eller fylket. Flere høringsinstanser mener at dette kan forstås som at kommunene gis vetorett, og at det kan bli vanskeligere å oppfylle foreldreretten og ønsket om å etablere privatskoler. Senterpartiet mener det her bør differensieres mellom godkjenningsgrunnlagene. Når det gjelder skoler som søker om etablering etter gjeldende grunnlag – alternativ pedagogikk, religion og livssyn – mener vi at kommunens innvendinger skal tillegges betydelig vekt. Derimot mener Senterpartiet at når skoler søker om etablering i direkte konkurranse med det offentlige tilbudet ut fra det godkjenningsgrunnlaget som flertallet nå åpner for, skal vi åpne for at kommunene skal ha vetorett. La meg understreke at Senterpartiets utgangspunkt er at dagens privatskolelov er tilstrekkelig for å ivareta kjernen i foreldreretten. Vi mener det er unødvendig å åpne opp for såkalte profilskoler, vi mener det er å utvanne formålsgrunnlaget. I tillegg er det veldig uklart hvordan såkalte profilskoler skal forstås og defineres. Det er også påpekt av flere høringsinstanser. I denne saken har Venstre blitt enig med regjeringen og flere høringsinstanser. I denne saken har Venstre blitt enig med regjeringen og Kristelig Folkeparti om en ny friskolelov – først blitt enige om et nytt navn på loven og så blitt enige om to nye godkjenningsgrunnlag. For oss i Venstre er det viktig at det er den offentlige skolen som skal være det foretrukne tilbudet for de aller fleste elevene i Norge. Men privatskolene – eller friskolene, som vi nå kaller dem – er et viktig supplement for dem som ønsker seg noe annet. Dette ser vi ikke på som en trussel mot den offentlige skolen. Vi ser heller på det som et mangfold og en berikelse for skolen som helhet. Når man inngår en avtale, er det slik at hvis Venstre skulle ha gjort disse endringene helt alene, hadde det sett litt annerledes ut. Vi hadde nok i utgangspunktet ønsket oss rettighetslov og ikke bygd det ut med to nye godkjenningsgrunnlag. Til gjengjeld hadde vi også ønsket oss mer makt til kommunene og fylkeskommunene og mer innflytelse til dem som kjenner best til hvordan skolene i deres kommune eller i deres fylke er. Så hadde det vært viktig for oss at vi hadde fått på plass et forbud mot direkte og indirekte utbytte, slik at disse skolene ikke hadde blitt kommersielle, men var friskoler, for å styrke og gjøre skolen som helhet mer mangfoldig. Det er dette vi har i vårt program, og det er dette vi har gått til valg på. Allikevel er vi godt fornøyd med det resultatet som foreligger her i dag. Vi åpner faktisk for to nye godkjenningsgrunnlag. Det betyr at vi får mer mangfold inn i skolen enn det vi har i dag. dag. Så er vi veldig fornøyd med at vi har fått regjeringen og komiteen med på at det skal utredes krav om at pedagogisk personale må være ansatt i skolen. Det er jo lønnen til pedagogisk personale som tar mesteparten av en skoles budsjett. Ved å ansette dem i skolen reduserer man muligheten for å ta indirekte utbytte. Vi er også fornøyd med at vi skal få

opp, og som er tydelig på det som går på det kommersielle. Da tenker vi i alle fall at det er viktig å gi sektoren forutsigbarhet, og at ting kan stå seg over tid – gjerne også over flere valg. Så vil jeg helt til slutt bare løfte fram både forslaget til vedtak og merknaden til komiteen som går på dette med små og verneverdige fag og finansieringen av Jeg er veldig glad for at disse blir trukket ut og pekt på spesielt. De er få, men det er viktig kunnskap. Det er også viktig for samfunnet vårt at en slik kunnskap som det undervises i her, blir ført videre. Først: Det har jo vore ein prosess med omsyn til arbeidet i komiteen, og vil eg berre be om at ministeren klargjer korleis regjeringa vil arbeide vidare med dei innspela som kom frå Sametinget, og som dei ønskte ein konsultasjon om, men som dei ikkje I 2005 skilde Noreg og Sverige lag i utdanningspolitikken. Det første SV gjorde da vi tok over Kunnskapsdepartementet i 2005, var å slå ring om fellesskulen og stramme inn moglegheita til å få statsstøtte til private skular. 22 000 privatskuleplassar låg godkjende, klare til oppstart, men vi stansa Høgres privatiseringseksperiment. Derfor er delen privatskular i Noreg framleis svært låg samanlikna med andre land berre 3 pst. av grunnskuleelevane og ca. 7 pst. av elevane i vidaregåande går i private skular. SV og den raud-grøne regjeringa valde å bruke ressursane på den offentlege skulen. Sverige valde ein annan veg. I dag går ein fjerdedel av vidaregåande elevar på privatskule. Sverige er av landa i OECD som har hatt aller størst nedgang i alle fag, målt som PISA-resultat. Skuleforskarar konkluderer med at konkurransen på privatskulane ikkje har ført til betre kvalitet i den svenske og at dei kommunale kostnadene har auka, mest i små kommunar. Kvalitetsforskjellane mellom skulane har også auka betydeleg, samtidig som heimebakgrunnen har fått meir å seie for kva rolle skulen har for elevane. No vil Høgre og regjeringa igjen satse meir på private skular, trass i erfaringane frå Sverige, trass i at dei aller fleste elevane går i den offentlege skulen, trass i at det på ingen måte er noko rop blant lærarar, elevar og foreldre etter privatisering av skulen, og trass i at ei rekkje forskarar peikar på negative konsekvensar av privatisering av offentleg utdanning. I ein fersk artikkel i tidsskriftet Skolelederen skriv dei innflytelsesrike skuleforskarane Pasi Sahlberg og Andy Hargreaves: «Hva PISA viser er at utdanningspolitikk, som er avhengig av konkurranse, standardisering, testing og privatisering av offentlig utdanning, er en feil vei å gå.» Høgre forsøkjer å bagatellisere erfaringa ein no gjer seg. Men problemet er at godkjenningsgrunnlaget for såkalla profilskular er så vagt at det kan føre til godkjenning av ei lang rekkje nye Slik loven er utforma, kan ein privatskule godkjennast dersom ein satsar litt meir på språk, kultur eller realfag. Mange private aktørar vil søkje, og vi veit av erfaring frå andre land kva resultatet vil bli: større segregering av elevane og ei gradvis svekking av den offentlege skolen. Utbytteforbod er vel og bra, men vi veit at skuleselskapa er svært kreative når det gjeld å finne moglegheiter for er Kristelig Folkeparti og Venstre som no gjev Høgre og Framstegspartiet stor fridom til privatisering av norsk skule. Eg er overraska over at spesielt Kristelig Folkeparti vel å ta ein slik skulepolitisk høgresving. Privatskuleloven i 2007 blei eit kompromiss Kristelig Folkeparti burde ha vore fornøgd med. No vel dei å setje privatskulane i spel på ny

Det bidreg til eit samfunn med større forståing, større tillit og sterkare fellesskap. Fleire elevar i private skular betyr færre barn i fellesskulen. Erfaringane frå Sverige og andre land viser at større innslag av private skular fører til auka segregering. Eit mål med lovendringa er å gje meir nyskaping i skulen. Men ein OECD-rapport konkluderer med at privatskulemarknaden først og fremst fører til innovasjonar i marknadsføring, ikkje pedagogikk.

i utdanningspolitikken. Sjølv om Røe Isaksen ikkje vil innføre ein svensk modell, tar han no skritt i retning av svenskegrensa. Vi veit ikkje kor stort skritt det blir, men vi veit at det er skritt i feil retning. retning. Det har blitt godkjent private skoler i Norge under denne regjeringen, og det ble godkjent private skoler i Norge under den forrige regjeringen, i de åtte rød-grønne årene. Så har ikke jeg tenkt å dra på harryhandel i Sverige etter privatskolelov. Det er derfor vi har lagt frem denne loven, som nå får et flertall, med Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet bak seg. seg. Det er en lov som åpner for større mangfold i typen skoler, men som samtidig skjerper regelverket på flere områder. Det blir altså strengere regelverk bl.a. for å dokumentere at man ikke tar en for høy pris hvis man skal kjøpe tjenester fra et søsterselskap, og det blir strengere regler for å ta dem som misbruker dagens regelverk. Så er det riktig, som flere her har påpekt, at det er få i Norge som går i friskoler. Det er 3 pst. av grunnskoleelevene, 7 pst. av elevene på videregående skole. Det betyr at den store, viktige jobben vår er å gjøre kunnskapsskolen, den offentlige skolen, bedre. Det er jobb nr. én. Samtidig er det ikke noen motsetning mellom det og samtidig å sikre at den enkelte familie og den enkelte elev har en mulighet til å finne alternativer til den offentlige skolen. De private skolene som er i Norge i dag, har stort sett vært viktige supplementer til det offentlige. De har vært viktige for mange grupper og familier som tenker litt annerledes rundt utdannelse, selv om mange av dem, også de som i dag regnes som etablerte privatskolegrunnlag, har blitt motarbeidet gang på gang. Privatskoleloven som kom i 2007, har etter min mening gitt noen urimelige utslag. Det er f.eks. lov å starte private skoler spesielt tilrettelagt for talenter innenfor alpint eller fotball, men for talenter i matematikk, fysikk eller kjemi er det samme strengt forbudt, med mindre skolen driver på religiøst grunnlag eller på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning. Samtidig har regjeringen foretatt en grundig gjennomgang av lovverket på dette området, og vårt utgangspunkt har vært at arbeidet med ny friskolelov skal kunne bidra til mer mangfold, utvikling og læring mellom skoler. Det blir offentlig finansierte friskoler med klare begrensninger i hvor mye som kan kreves i elevbetaling. Det bidrar også til den enkeltes mulighet til å kunne velge en friskole. Samtidig er det ingen grunn til å legge skjul på at dette ikke var Høyre og Fremskrittspartiets opprinnelige forslag. Dette er et kompromiss, hvor vi også har strukket oss langt for å få et bredt flertall. Det mener jeg er en god ting, og jeg ser også at de forskjellige organisasjonene på området i stor grad slutter opp om den nye friskoleloven. Vi foreslår å kalle det friskoler fordi det i dag finnes helt private skoler som ikke får offentlig støtte, og mener at det er en grei opprydding. En av de tingene vi har kompromisset på, er at vi beholder dagens godkjenningsordning med krav til formål – grunnlag, som det egentlig er – for å kunne godkjennes. Det betyr at det fortsatt skal være en skjønnsmessig vurdering – det innføres ingen rett til godkjenning. Lovforslaget slår også tydelig fast at en skole ikke skal godkjennes hvis dette vil føre til negative konsekvenser for vertskommune eller vertsfylke – en videreføring av dagens praksis. Så foreslår vi å legge til to nye godkjenningsgrunnlag i loven. Det ene er yrkesfaglige utdanningsprogram, og det andre er særskilt profil, profilskoler. I den grad det innebærer et frislipp, er det et misbruk av ordet frislipp. I den grad det innebærer – og noen hevder det – at låvedøra nå står på vidt gap, er det streng inngangskontroll Begge grunnlagene er avgrenset i loven og i forarbeidene, og på vanlig måte, som i dagens lov, skjer en ytterligere avgrensning gjennom godkjenningspraksis. Yrkesfagskoler skal gi en opplæring som er jevngod med opplæringen i offentlig skole, vertsfylket skal ha uttalerett, og gjennom yrkesopplæringsnemndas syn skal man også ivareta fylkets uttalelse. Det andre godkjenningsgrunnlaget, profilskoler, må representere noe som er vesentlig annerledes enn hva som er normal praksis i offentlige skoler og skoler godkjent etter andre grunnlag i friskoleloven. Det er i hovedsak to hovedkategorier. Det er skoler som ønsker å rette en spesiell oppmerksomhet mot et emne, f.eks. realfag, idrett, språk, kunst og kultur. Det andre er skoler med en annen pedagogikk enn det som brukes i offentlige skoler eller skoler godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning. For det førstnevnte, profilskolene, gjelder det at det krever mer enn bare glasur på kaken – man må ha spesiell faglig oppmerksomhet rettet mot et fag, og man må få godkjent egne læreplaner som synliggjør dette. Det holder altså ikke bare å bruke det som i dag er i læreplanene i Kunnskapsløftet. Det blir replikkordskifte. I den nye loven innføres det to nye godkjenningsgrunnlag. Ett er at man rett og slett driver yrkesfagskole, selvfølgelig med de formalkrav som stilles til replikkordskifte. I den nye loven innføres det to nye godkjenningsgrunnlag. Ett er at man rett og slett driver yrkesfagskole, selvfølgelig med de formalkrav som stilles til at man skal gi et jevngodt tilbud med den offentlige skolen, at man skal ha læreplaner og formål osv. Det er tilfellet også i den svenske loven, så her følger man jo Sverige fullt ut. Det er ikke noen innstramming eller noen annerledeshet, verken i forhold til den loven Clemet foreslo i 2004–2005, eller i forhold til det svenskene gjør. Men det andre er at man har et grunnlag som heter profilskoler. Det er pedagogisk, eller det er innholdsmessig. For begge skolene står det at man skal ha «skoler som ønsker et tilbud utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet». Det står det på side 24 i proposisjonen. Hvilken pedagogikk er det som er utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet, all den tid det Hvilken pedagogikk er det som er utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet, all den tid det er metodefrihet i den offentlige skolen? Det skal bli interessant å høre kunnskapsministeren definere hvilke pedagogiske alternativ som er utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet. Som jeg sa i mitt innlegg, innebærer det at man har et tilbud som er vesensforskjellig fra det som i dag er normal praksis i skolen. Men så har representanten Giske rett i at det i dag er metodefrihet i den offentlige skolen, og det er jo en av grunnene til at vi har en god diskusjon og et ønske her om et større mangfold innenfor den offentlige skolen. Men allikevel kan det være grunn til å tro at miljøer som ikke nødvendigvis er i det offentlige fra før, kan tilføre nye ideer, at de kan ha andre måter å gjøre ting på, at det er enklere for dem, f.eks. fordi det ikke er en skole som er så tett knyttet til et geografisk område som mange av de offentlige skolene er, å komme til alternative profiler, f.eks. innenfor kunst, realfag, andre typer fagområder. Det er en god innramming i loven, og det er en god innramming i loven, og det er en innramming som etter hvert også vil tydeliggjøres gjennom praksisen, altså når man godkjenner de enkelte søknadene med det skjønnet som ligger der. Det er ikke noen innramming i det hele tatt i loven. Der står det «særskilt profil», men så må man se på forarbeidene, og det er altså fra side 24. Nå må kunnskapsministeren slutte å snakke som om han var på en skoledebatt, men begynne å snakke som om han er i stortingssalen, hvor man behandler en lov. Der står det man godkjenner skoler «som ønsker et tilbud utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet.» Et av disse godkjenningskriteriene er pedagogikk. Jeg gjentar spørsmålet – og dette er forarbeidet til debatt i stortingssalen: Hvilken pedagogikk er utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet? Hvilken pedagogikk er det som skal gi grunnlaget for å bli godkjent som profilskole, all den tid lovens og forarbeidenes krav er at det skal gå utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet har metodefrihet. Jeg gjentar spørsmålet: Hvilken pedagogikk er dette? Vi må jo få avklart i stortingssalen hva som på en måte er rammen for å bli godkjent som profilskole på pedagogisk grunnlag. Det må kunnskapsministeren definere her. Det behøver ikke kunnskapsaministeren definere her, på samme måte som det i loven heller ikke står presisert at det er montessoripedagogikk eller steinerpedagogikk som skal regnes som anerkjente pedagogiske retninger. Det er en klar innramming på profilskoler. Som jeg også sa i mitt innlegg – litt enkelt, riktignok – holder det ikke å ha profil som en glasur på toppen. Man må ha en klar profil i læreplanen, man må bruke handlingsrommet som ligger i lovverket, for å kunne flytte på timer og på den måten styrke en faglig profil. Så kan det også være andre typer ting. En representant her nevnte om man hadde egne utvekslingsprogrammer hvis man hadde språkskole. Den type ting vil også måtte vektlegges hvis det skal være vesensforskjellig fra det som er

og steinerskoler som har blitt godkjent. Det er derfor vi foreslår at man også med andre pedagogiske opplegg, hvis det kommer søknader om det som godtgjør at det er alternativ pedagogikk, skal få muligheten til det. Så gjentar jeg igjen at representanten Giske må se på hele innrammingen av profilskolene, både kommunens uttalerett og fylkeskommunens uttalerett, at man må se på kravet om at det skal være vesentlig forskjellig fra det som drives i skolene, også eksemplifiseringen av hva det kan innebære i praksis.
Neste taler er representanten

viktig å kunne si ja til privatskolen i Oslo på restaurant- og matfag, for der var det åtte bedrifter som gikk sammen, og de kunne lære den offentlige skolen noe. Da lurer jeg på hvorfor statsråden ikke har lagt til rette for at mat- og restaurantbransjen kan lære den offentlige skolen noe uten at åtte bedrifter må gå gå sammen med samme opplæringskontor for å undervise 30 elever. Hvorfor har en ikke valgt å avvente den gjennomgangen av studieprogrammene som Stortinget sjøl har vedtatt?
Nå skal ikke jeg tolke hva representanten Asheim egentlig mente, men jeg tror det var ett argument for at man også burde tillate yrkesfaglige friskoler, ikke det eneste argumentet for det. Så er det helt åpenbart – representanten nevner jo selv den gjennomgangen vi nå skal ha av de yrkesfaglige studieprogrammene, særlig de som har vist seg å ha dårlig tilknytning til arbeidslivet – at noe av poenget nettopp er å få frem hva som er arbeidslivets behov, og hvordan utdanningstilbudet vårt svarer på det.

skolen. Vi blei vel ikkje klokare av den spørsmålsrunden der. Det er ein annan ting som vi har blitt usikre på i komiteen i prosessen, og det er konsultasjonsordninga mellom Sametinget og regjeringa. Sånn som ein skal forstå konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og regjeringa, som er fundamental for Noregs arbeid og internasjonale forpliktingar, osv., er at i dei sakene der Sametinget vurderer sjølv at dette er relevante spørsmål for Sametinget, skal dei få innvilga konsultasjon. Det sjølv at dette er relevante spørsmål for Sametinget, skal dei få innvilga konsultasjon. Det er det ikkje anledning til å avvise, ifølgje våre internasjonale forpliktingar. I denne prosessen har Sametinget tatt kontakt og fått avvist konsultasjon i denne saka og har hatt ein serie innspel. Sånn som eg oppfattar vurderer ministeren å kome tilbake til dei spørsmåla som blir reiste av Sametingsrådet, men eg er ikkje heilt sikker på om eg har forstått det rett. Kan ministeren utdjupe det? Konsultasjonsordningen fungerer begge veier. Det betyr at det også er en vurdering av hva som er relevant å konsultere om. Da skal det være saker i lovproposisjonen eller i saken som direkte involverer samiske interesser. men eg er ikkje heilt sikker på om eg har forstått det rett. Kan ministeren utdjupe det? Konsultasjonsordningen fungerer begge veier. Det betyr at det også er en vurdering av hva som er relevant å konsultere om. Da skal det være saker i lovproposisjonen eller i saken som direkte involverer samiske interesser. Så har jeg hatt et møte med Sametinget, for jeg synes det er helt naturlig at når Sametinget mener at konsultasjonsordningen ikke er oppfylt, og at kommunikasjonen med departementet kunne vært bedre, er det mitt ansvar å sørge for at den blir bedre. Vi hadde et møte med Sametinget som var veldig bra, veldig nyttig og

forbedre. Jeg spurte om grunnlaget for profilskole og pedagogikk, men fikk ikke noen avklaring på det. Jeg tror knapt jeg har vært med på en behandling av en lov hvor resultatet av loven har vært så svevende, så uklart, som dette. Kanskje vi kan få en avklaring på dette med faglig innhold. Man slår om seg med at en skole må ha en læreplan – det er ikke et veldig imponerende krav. må ha et formål – det er ikke så veldig imponerende. Den må ha lærere med pedagogisk kompetanse. Dette burde være selvfølgeligheter. Det som er kjernen, er: Hva slags krav stiller man til fag og timeinnhold på såkalte profilskoler? Representanten Tynning Bjørnø ramset opp en masse gode eksempler som han lurte på var grunnlag for profilskoler – igjen tilbake til kravet på side 24 om at det skal avvike fra Kunnskapsløftet. I Kunnskapsløftet kan en variere timetallet med inntil Det betyr én time i uka. Men en skole som har en egen profil, en egen satsing på et tema, og avviker to timer i uka fra Kunnskapsløftets timetall, er det et godt nok grunnlag for å kunne bli profilskole? Svaret på det er nei, det er ikke et godt nok grunnlag. Her gjelder det igjen: Man må se på hele lovteksten som er foreslått, og alle innrammingene som er. Og det kanskje aller viktigste elementet her er at det også er en skjønnsvurdering. Med andre ord: Det fins ikke et skjema man kan krysse ut, og idet man har oppfylt alle kravene i det skjemaet, får man automatisk godkjenning. Grunnen er at dette ikke er en rettighetslov, det er en lov som beholder det prinsippet som lå i forrige privatskolelov, nemlig en skjønnsmessig vurdering. Så er det avgjørende kriteriet også her at det skal være vesentlig forskjellig fra det som er praksis i eksempler man finner i den offentlige skolen. skolen. I tillegg kommer, som ved alle andre lover av denne typen, innsnevringer etter hvert som man får søknader på bordet. Vi hadde den samme diskusjonen i forbindelse med dispensasjonsmuligheten som regjeringen la fram, og som Stortinget vedtok, hvor Giske også var redd for at det skulle bli frislepp. Det har det ikke blitt, nettopp av samme grunn. Replikkordskiftet er over. Når vi i dag stemmer over privatskolesaken, vil flertallet i denne sal – med Kristelig Folkeparti på laget – ta skolen i feil retning. De vil stemme for endringer som truer den
forstått? Neste taler er representanten
over. Når vi i dag stemmer over privatskolesaken, vil flertallet i denne sal – med Kristelig Folkeparti på laget – ta skolen i feil retning. De vil stemme for endringer som truer den fellesskolen vi kjenner i dag, som er en del av bærebjelken i den norske modellen: den skolen som skal gi alle barn samme sjanse i livet, der alle skal få lære og bli tatt vare på ut fra sine forutsetninger, den skolen der barn og unge fra forskjellige samfunnslag møtes, samarbeider og bygger sosiale fellesskap. De store endringene som nå skjer med ny privatskolelov, gjøres uten å ha evaluert følgene av den kortvarige reformen fra Bondevik II eller å ha sett på konsekvensene av det svenske frislippet av privatskoler. At man ikke henter kunnskap om de alvorlige følgene reformen har hatt i Sverige, er særlig bemerkelsesverdig, og det er interessant å høre på representanten Asheim når han ikke på noen måte vil snakke om hva som skjer i andre land. Men det er ikke oppsiktsvekkende, og det er heller ikke overraskende. For denne regjeringa og høyresiden i norsk politikk er tydeligvis valgløfter og ideologi viktigere enn kunnskap om og forskning på hva som tjener samfunnet best, og i dette tilfellet hva som er best for norske elever. Regjeringa og Kristelig Folkeparti hevder at denne loven kun er en forsiktig endring av loven fra 2007. Vi hørte også fra Asheim at det bare er en liten endring i norsk skolepolitikk. Dette har vi også hørt i andre saker. Vi har til og med hørt at det er en stor innstramning dette handler om. Det De to nye grunnlagene åpner for et stort antall nye privatskoler – i realiteten et frislipp. Å forsøke å framstille dette som noe annet er feil, rett og slett feil. De som deltok på høringen i saken, inkludert Utdanningsdirektoratet, pekte på at kriteriene til de såkalte profilskolene er svært utydelig definert. definert. Vi får heller ikke i dag noen avklaring av begrensninger med hensyn til hva en profilskole kan være, eller disse to timene som man kan ha, som skal skille disse skolene fra den offentlige skolen, for å kunne bli godkjent. Det er heller ikke klart hvordan man skal sikre at de store dimensjoneringsproblemene innen yrkesfag ikke forverres når det skal bli fritt fram for å opprette private yrkesfaglige skoler. Med flere skoleplasser som ikke gir læreplass, gjør vi yrkesfagene mindre attraktive og rekrutteringssituasjonen verre. I tillegg vil dette gå ut over fylkeskommunens midler til å drive god yrkesfagskole innen store og ressurskrevende fag. Disse lovendringene er verken små eller pragmatiske, de endrer selve kjernen i den privatskoleloven vi har i dag. Det skal nå gis statsstøtte til privatskoler som ikke har som formål å være et alternativ, altså tvert imot: Nå skal det gis statsstøtte til private skoler hvor formålet er å konkurrere med den offentlige skolen. Vi Norge trenger fagarbeidere med en bred yrkesfaglig utdanning som gir grunnlag for selvstendighet, videre utdanning, jobb- og bransjeskifter og omskolering. Faglig råd for elektrofag – som representerer det tredje største yrkesfaget – er svært kritisk til privatiseringen av fagutdanningene. De frykter at sterke fagmiljø som er bygd opp gjennom mange år i hele landet, nå står i fare for å forvitre og bli borte over tid. De viser til Sverige, der privatiseringen har gitt mange private skoler innenfor og i tett befolkede områder. Fagrådet frykter at flere private yrkesfagskoler vil svekke utdanning og fagmiljøer ved at det kommer bransjeskoler, som ikke deler den samme brede intensjonen med opplæring som den offentlige skolen har. Norsk fagopplæring bygger på den europeiske fagopplæringstradisjonen, satt inn i den norske arbeidslivsmodellen med trepartssamarbeidet, hvor fylkene utgjør en viktig samarbeidspartner. Dette er den beste garantien for sterke, brede og solide fagmiljøer i skolene, som igjen kan arbeide tett sammen med de ulike bransjene. Privatisering vil svekke den norske arbeidslivsmodellen innenfor fag- og yrkesopplæringen. En utvanning av trepartssamarbeidet i utdanningen vil på sikt kunne føre til en utvanning av fagopplæringen. Med andre ord: Partssamarbeidet er en bærebjelke i den norske yrkesfagopplæringen. Vi er bekymret for at det flertallet vedtar i dag, svekker denne rollen. For oss er det viktig å ta vare på og videreutvikle partenes rolle i yrkesfagopplæringen, ikke motsatt. Når det blir fritt fram for private å drive fagutdanning, frykter vi dårligere kvalitet og nedgang i På sikt er det vi alle som betaler prisen for det, når vi ikke får de dyktige fagarbeiderne som landet trenger videre. Helt til sist til utbyttesaken: Det er uansett helt klart at det vil bli mindre penger til offentlig skole når de private har fått sitt. Et mangfold i skolesektoren skal vi glede oss over. Mangfold bidrar positivt til inspirasjon, kreativitet og sitt. Et mangfold i skolesektoren skal vi glede oss over. Mangfold bidrar positivt til inspirasjon, kreativitet og nyskapende aktivitet. De mange ideelle enkeltmenneskene som ønsker å bidra til en bedre skole, som ønsker å skape noe nytt og gi elevene gode utdanningstilbud, gir vi i dag en håndsrekning til. Nye didaktiske strategier kan utfordre tradisjonelle pedagogiske rammer.

Derfor er regjeringens arbeid med tidlig innsats, kvalitetsløft i barnehagene, tidlig innsats i grunnskolen og helt fram til yrkesfagløftet på videregående veldig viktig arbeid. I dag bidrar vi ytterligere til å fremme de positive kreftene som finnes i Skole-Norge. Når lovendringen nå åpner for profilskoler og yrkesfagskoler, vil vi kunne få de mange engasjerte og offensive bransjene med på en ny og spennende måte. I møte med hører vi om nye og spennende samarbeidsmodeller mellom skole og næringsliv som kan bidra til faglig utvikling, spennende pedagogiske modeller og ikke minst garantier for læreplasser og utplassering i bedrift. Ungdom som tidlig bestemmer seg for en yrkesfaglig vei, som har et spesielt talent, og som tidlig ønsker å utfordre seg på et bestemt område, kan forhåpentligvis finne tilbud som løfter dem tidlig inn i et spennende og inspirerende skoleløp. skoleløp. Når vi i dag også sikrer at friskoleloven beholder dagens godkjenningsordning med krav til særskilt grunnlag for å kunne godkjennes, hvor godkjenning fortsatt skal gis etter skjønnsmessig vurdering, og hvor vi ikke skal gi godkjenning dersom det har negative konsekvenser, viser det at vi har en moderat lovendring som bør kunne stå seg over tid, og sikre den forutsigbarheten vi ønsker. Det er derfor ganske skuffende at Arbeiderpartiet i denne saken velger å ramle ned i den litt ensidige og gamle historiefortellingen hvor de mener at dette er et frislipp og en trussel mot den offentlige skolen. Det blir litt spesielt å holde på denne retorikken når den gamle loven, som Arbeiderpartiet kunne akseptere, nå – i den nye friskoleloven – er strammet inn når det gjelder mulighet for kommersiell drift, og fortsatt har de samme skjønnsmessige krav og vurderinger. Det handler vel kanskje mer om verdier. Noen av oss mener nemlig at mangfold er positivt, at enkeltmennesket kan bidra i samfunnsutviklingen, at foreldreretten er sentral når muligheter og framtid skal formes i den enkelte familie, at næringslivet kan spille på lag, bidra til nyskaping og løfte offentlig tjenesteyting – at man kort sagt tør åpne for at flere stemmer, og samfunnet som helhet, kan gi positiv utvikling også på skolesiden. «Vi lærer mest av å være ute i bedrift», sa den unge sortlendingen og rørleggereleven Hans Martin til Bladet Vesterålen etter å ha blitt intervjuet om valget av yrkesfag – et valg han åpenbart ikke angrer på. Han har valgt framtidsrettet. Som flere ganger tidligere påpekt, har SSB sagt at vi i Norge vil mangle 110 000 fagarbeidere bare innenfor bygg, elektronikk og At vi nå kan se nye, spennende yrkesfagskoler under friskoleloven, er derfor et positivt grep for å møte denne utfordringen. Et av regjeringens viktigste mål er å arbeide videre for å styrke kunnskapssamfunnet. Norge er i omstilling, noe som stiller høye krav til utdanningssystemet vårt. Det vil kreve vilje til å satse på kvalitet i hele utdannings- og opplæringssektoren, og da må alle positive krefter få lov til å bidra – ikke bare innen toppidrett, men også innenfor nytenkning og styrking av yrkesfagopplæringen, eller gjennom f.eks. et realfagsgymnas. Norge konkurrerer globalt, og i den sammenhengen vil jeg også trekke fram det viktige med internasjonale utdanningsløp. Stadig flere bedrifter har behov for dyktige akademikere og fagarbeidere med internasjonale utdanningsløp og grader, som sikrer dem den kompetansen som etterspørres, i markedet de konkurrerer På samme måte som våre bedrifter må hente inn internasjonal kompetanse og har behov for tilgang på skoler for barna til sine ansatte, er det viktig at vi nå i dag får de kjente IB-skolenes utfordringer inn i en løsning, ved at det ellevte skoleåret i grunnskolen tas inn i finansieringsmodellen. Dermed slipper man utfordringen med ulike forvaltningsnivå og dermed uforutsigbare rammer for den enkelte elev. elev. I dag vedtar vi en framtidsrettet lov for et Norge i omstilling.

omstilling. I mange tiår har det vært en ganske bred og forutsigbar politikk på privatskoleområdet. Vi hadde et unntak i årene 2004 og 2005, hvor det ble sluppet til mange tusen privatskoleplasser, men dette ble reversert igjen i 2005 og 2006, og det var igjen i 2007 et bredt kompromiss. Det har gitt trygghet for den offentlige skolen, det har også gitt trygghet, tror jeg, for de private skolene, særlig dem vi har hatt som en del av vårt skolesystem i veldig mange år – de kristne, de pedagogiske alternativene Steiner og Montessori, toppidrett, de små yrkesfagene og andre. Det har vært fornuftig, som det også ble sagt tidligere her av saksordføreren, at man ikke har svingt fra den ene grøften til den andre med vekslende flertall. Da er det rart at det er nettopp det stortingsflertallet og saksordføreren velger å gjøre i denne saken. I stedet for å si at vi fortsetter å skape et større mangfold, en større utvikling, gjerne også flere profilskoler og mer utvikling i den skolen som statsråden og vi har ansvaret for, nemlig den offentlige skolen,

Så sies det at det må fortsatt skje en godkjenning, det må fortsatt fylle vilkårene i loven, og det må fortsatt være en skjønnsvurdering. Vel, dette lå også i loven fra 2004/2005. Det er ikke noe nytt, det gjelder også privatskoler i tidligere tider og i andre land. Saksordføreren sa at dette nå ikke ble en rettighetslov. Vel, han kan ikke ha lest lovproposisjonen side 26 og 27. Der står det: «I høringsnotatet uttalte departementet at det i praksis har liten betydning om retten til godkjenning er lovfestet eller ikke. Flere av vilkårene for å få godkjenning må vurderes skjønnsmessig; dette gjelder blant annet om kravet til grunnlag er oppfylt, om det er behov for skolen og om en godkjenning vil innebærer negative konsekvenser». Man fortsetter med «en lovfestet rett som det knytter seg flere vilkår til vilkår som langt på vei vurderes skjønnsmessig – vil fremstå som nokså illusorisk». Og så konkluderes det: «Departementet legger til grunn at hovedregelen skal være at dersom vilkårene anses oppfylt, skal godkjenning gis.» Mitt spørsmål til saksordføreren er om han har gått glipp av denne setningen når han sier at dette ikke blir – i praksis – en Hvis man begynner å gi skoler statsstøtte ut fra en skjønnsvurdering, må andre som oppfyller de samme kravene, også få samme rettighet. Det sies fra statsråden – det var oppklarende – at dette ikke var regjeringens primærpolitikk, dette var et kompromiss for å imøtekomme særlig Kristelig Folkeparti, men jeg formoder også Venstre. Det er litt rart at når de fire partiene lager kompromisser på andre områder, f.eks. politireform, presenterer man det faktisk som et kompromiss når proposisjonen kommer. Her opptrer de to andre opposisjonspartiene – selv om Asheim omtaler de fire som posisjonspartiene og de andre som opposisjonspartiene, antar jeg at Venstre og Kristelig Folkeparti fortsatt faktisk formelt sett er i opposisjon – som om dette var nytt fra regjeringen, og at man da i Stortinget har funnet ut at man sluttet seg til det. Det hadde vært ryddigere om man hadde sagt som sant var, at dette hadde man snakket om på forhånd og kommet fram til. Det er en ny linje. Man sier her fra statsråden at dette er noe de store organisasjonene slutter seg til. Det er feil. Utdanningsforbundet er klart mot, Elevorganisasjonen er skeptisk, og KS slutter seg til det forslaget som opposisjonspartiene, i hvert fall Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, fremmer her, nemlig at man skal gi avgjørende vekt til lokalsamfunnet når man eventuelt skal gi godkjenning til profilskoler. Det kan man stemme for. Jeg tror Venstre nevnte dette, at man ønsket større innflytelse. Det forslaget ligger på bordet, og det er mulig å stemme for det en eller annen gang i natt. Det er ironisk at Venstre-representanten som sitter på det samme setet som den legendariske skolepolitikeren Johannes Steen, som var en av arkitektene bak folkeskolelovene i 1889, er med på dette. Jeg overtok selv statsrådsstolen i Kunnskapsdepartementet etter en annen legendarisk utdanningspolitiker, Jon Lilletun. Jeg er ganske overbevist om at Jon Lilletun ikke hadde sluttet seg til det Anders Tyvand i dag gjør. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Sist gang Høyre innførte en privatskolelov, ble det søkt om mange tusen nye privatskoleplasser over hele Norge. Situasjonen i mitt fylke, Troms, var egentlig ganske symptomatisk. Der ble det søkt om 1 200 private skoleplasser. Samtlige ville starte i fylkets og Nord-Norges største by, Tromsø – ingen i distriktene. Til opplysning er det rundt 6 000 elever på videregående skole i Troms. En slik endring ville endret skoletilbudet i Troms drastisk, med størst konsekvenser for distriktsskolene. På samme måte ville den privatskoleloven, hvis den hadde fått lov til å virke lenger enn høsten 2005, endret Skole-Norge betydelig. Forskjellen på loven fra Kristin Clemet og den loven vi behandler i dag, er relativt liten. Når Høyre og Fremskrittspartiet, men også Venstre og Kristelig Folkeparti, kaller dette «kun moderate endringer», tenker jeg at da må utgangspunktet de kom fra, vært ganske så ekstremt.

at ordet «frislipp» var misbrukt her i dag. Vel, et ord som har blitt mer misbrukt enn det, er ordet «vesentlige», for når det sies at profilskolene innebærer «vesentlige endringer», er det vanskelig å få øye på dem. Kriteriene for å være profilskoler skiller seg såpass lite fra en offentlig skole at det er snakk om kun små justeringer en privat aktør eventuelt må gjøre. To timer i uka i timefordeling f.eks. er ikke en vesentlig endring, det er en ganske liten endring. Og konklusjonen er at terskelen senkes betydelig. På samme måte som for ti år siden kan denne loven ha potensial til å endre skolestrukturen i en kommune eller et fylke ganske drastisk. Hvorvidt det er bra for en kommune eller et fylke, er den kommunen og det fylket best egnet til å avgjøre selv. Da bør de få bestemme Arbeiderpartiet vil gi kommuner og fylker den avgjørende retten til å bestemme om skoler etter de nye godkjenningsgrunnlagene faktisk skal godkjennes. Jeg ser at tilliten til at lokalpolitikerne vet best i lokalpolitikken og i skolepolitikken, er særdeles lav hos Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre. Derfor vil disse partiene nekte de lokale folkevalgte den avgjørende stemmen i spørsmålet om hvorvidt det skal opprettes flere privatskoler i deres lokalsamfunn. Jeg hadde egentlig forventet noe annet fra Venstre og Kristelig Folkeparti, men jeg hører gjerne deres forklaring på hvorfor de velger å ikke stole på vurderingsevnen til lokale skolepolitikere. Det er ikke alltid enkelt å begripe seg på regjeringens alle reformforslag og lovforslag. Grunnen til at det kan være vanskelig å holde følge med i hva de skolepolitikere. Det er ikke alltid enkelt å begripe seg på regjeringens alle reformforslag og lovforslag. Grunnen til at det kan være vanskelig å holde følge med i hva de egentlig mener, er at det mangler, mildt sagt, en sammenheng i alle forslag som kommer. I det daglige og i festtalene til regjeringen og deres representanter hører vi de snakker i store bokstaver om tillit til lokaldemokratiet, mer makt til kommunene, mer makt til kommunene, mer innflytelse over egen hverdag og mindre innblanding fra staten. Oppgavemeldingen, som kom forleden dag, og som ble debattert her i Stortinget, skulle beskrive nye oppgaver til kommunene, og det var et hovedpoeng for regjeringen at det kommunale selvstyret skulle styrkes, og flere oppgaver skulle komme til kommunene. Oppgavemeldingen endte i et mageplask, hvor kommunene stort sett får overført administrative oppgaver som notarialforretninger, idrettsfunksjonell godkjenning av svømmebasseng, vigselsrett til ordførere samt noe som går på forvaltning av enkelte fiskearter. Disse forslagene imponerte stort sett ingen ute i kommunene og var i det store og hele ingen reell overføring av makt til kommunestyrene. Men nå, når regjeringen virkelig har mulighet til å åpne opp for lokalt selvstyre i en sak som er svært viktig for kommunene, og hvor kommunestyrene sitter med førstehånds kunnskap og kjennskap til problemstillingen, nei da vil ikke regjeringen la lokaldemokratiet få bestemme. Da mener Høyres og Fremskrittspartiets regjering og stortingsrepresentanter at de vet bedre enn alle kommunestyrer til sammen. Forslaget fra regjeringen og støttepartiene er altså i denne saken ikke annet enn total overkjøring av det lokaldemokratiet de selv sier at de har sterk tillit til. At ikke kommunene selv skal få siste ordet i en så viktig lokalpolitisk sak som skolestruktur, er jo helt håpløst. Denne regjeringen har ikke snev av reell tillit til dem som representerer det kommunale og i dag får vi bevist utenfor enhver tvil at regjeringspartiene med sine støttepartier utgjør en sterk trussel mot lokaldemokratiet og den offentlige skolen som en grunnplanke i den norske velferdsmodellen. På toppen av det hele sender de regningen til kommunestyrene. kommunestyrene. I dag skriver vi enda et kapittel i historien om en regjering som endrer Norge i feil retning. Det innebærer at viktige verdier som fellesskapsløsninger, like muligheter for alle og små forskjeller må vike for privatisering, spisse albuer og større forskjeller. Offentlige velferdsløsninger som er blitt bygd opp gjennom generasjoner, skal erstattes av mer marked, privatisering og konkurranse. Regjeringa skriver jo selv dette i

om fellesskap, om like muligheter, om integrering, om nærhet, om trygghet, om tilpasset opplæring til den enkelte osv. Nå vil sikkert regjeringa med støttepartiene hevde at endringene som gjøres i dag, ikke vil kommersialisere norsk skole. Jeg er mer usikker på det, både med hensyn til denne regjeringas verdisyn angående velferd og hva historien har lært oss. Sist gang høyrekreftene åpnet for privatisering av skolen, lovte de at det ikke ville være mulig å ta ut profitt av skolene. Problemet var at det gjorde selskapene som eide skolene. Noen gjorde det i strid med regelverket, mens andre fant mer kreative måter å tjene penger på på skoledriften. Jeg tror ikke at en politisk klarer å tette alle hull for mulig profitt. Det viser seg at dette er aktører som finner løsninger på dette, og jeg er heller ikke så sikker på at regjeringa har et ønske om å unngå profitører på velferdsområdet, når de så tydelig i Sundvolden-erklæringen presiserer at «produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester». For oss i Arbeiderpartiet er det av avgjørende betydning at skolen forblir en arena hvor barn med ulik bakgrunn møtes, og hvor like muligheter tilstrebes. Vi erkjenner imidlertid at dagens regjering har et annet verdisyn og en politikk på skole- og velferdsområdet som er annerledes. Representanten Tone Merete Sønsterud harselerte med at valgløftet var viktig for regjeringen. Ja, det er

Noen sektorer trenger sterk styring. Utdanningssektoren er en slik sektor. Man kan si at vi er heldige i Norge, selv om «heldig» blir et litt feil ord å bruke. Utdanning som muliggjør deltakelse for alle gjennom skattefinansiering, er resultatet av en bevisst politikk. Den store utdanningssatsingen til regjeringen er den offentlige skolen. Det er der den store majoriteten av elevene går. Å satse på skolen gjør at alle får mulighet til å lykkes i voksenlivet, det gir oss bedre grunnlag for omstilling, og det er strengt tatt nødvendig etter åtte rød-grønne år, der man bl.a. var ute av stand til å gjennomføre et løft for etter- og videreutdanningen lærerne ønsket og fortjente. Regjeringens storstilte satsing på utdanning er med på å ruste Norge for framtiden. Så i dag er det ikke regjeringens satsing som er tema – den er utvilsom. I dag diskuterer vi hvordan alle gode krefter kan slippe til, bidra til mer mangfold, nye spennende miljøer som kan trekke lærdom fra det offentlige, men som også det offentlige kan trekke lærdom av. Dette forslaget balanserer hensynet mellom nødvendig styring av utdanningssektoren og muligheten for mer mangfold på en måte som er vinn–vinn. Det er et moderat forslag, et forslag som er en konsekvens av det virkelighetens faktum at det også utenfor offentlig sektor av og til er noen som har noe vettug å komme med. Leser man merknadene til de rød-grønne partiene, og det gjør man jo – om enn ikke med glede, men de står nå der – får man inntrykk av at det kun er offentlig sektor som bidrar til mangfold. Det står: «Disse medlemmer mener regjeringen inntar en passiv rolle i styringen av skolesektoren dersom man overlater mangfoldet og nyskapingen til private aktører.» Det er en svøpe, Det er en svøpe, en svøpe man blir vant til som konservativ, men det er altså en svøpe for konservative å være nødt til å forsvare folks evne og vilje til å være initiativrik og drive ting utenfor offentlig sektor – men det får jammen meg være grenser! Man overlater altså ikke mangfoldet til friskolene, men man sier at «det bidrar til mangfold». Det er to forskjellige ting. Til slutt: Det er noen diskusjoner om at det er for få kvinnelige entreprenører. Jeg er enig i at det er en utfordring. Samtidig er det et faktum at i overkant av 400 000 kvinner i norsk arbeidsliv jobber i sektorer der dét i praksis er en umulighet. Så får det være noe å tenke på for dem som ønsker å gjøre det. det. Representanten Knag Fylkesnes mener at Kristelig Folkeparti har tatt en «skulepolitisk høgresving» og gir oss et godt råd om at det ikke er noen skam å snu. Det kan være fristende å si at når veien til venstre viser seg å være en blindgate, kan det være fornuftig å velge veien til høyre isteden. Med det mener jeg ikke å si at vi ikke har vært fornøyd med privatskoleforliket fra 2007. Tvert imot: Det er veldig mye godt i dagens privatskolelov, men så er situasjonen den at de fire partiene som sto sammen om privatskoleforliket og privatskoleloven fra 2007, ikke lenger har flertall sammen i Stortinget. Flertallet ligger et annet sted, hos to regjeringspartier og Venstre, som alle tre i utgangspunktet ønsker seg seg en liberalisering som går mye lenger enn det som i dag blir resultatet. Det er nettopp derfor vi har valgt å være konstruktive og gått i dialog med regjeringspartiene og Venstre; det er for å forsøke å klare å videreføre hovedlinjene i dagens privatskolelov, og det har vi klart, og det skulle man tro at representanten Knag Fylkesnes og resten av SV og Arbeiderpartiet burde sette pris på. Så synes jeg det er litt underlig stadig å høre sammenligning med Sverige, for det er ikke den svenske loven vi innfører. Og jeg synes det er underlig å høre representanter fra Arbeiderpartiet og SV si at nå blir det «fritt fram». Jeg tror aldri jeg har hørt en representant fra Arbeiderpartiet eller SV si at med dagens privatskolelov så er det fritt fram for å starte en religiøs skole, eller at det er fritt fram for å starte en steinerskole.

Jeg er absolutt med på tanken om mer mangfold i den offentlige skolen, men om jeg ønsker meg profilskoler – altså skoler som går utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet – i offentlig regi, er jeg faktisk ikke helt sikker på. Det handler jo om at den offentlige skolen skal være en skole for alle, og hvis man da f.eks. spisser seg for mye faglig, er det slett ikke sikkert at det er egnet for alle som sogner til den offentlige skolen, men det kan være greit å ha det som et alternativ, i privat regi, for dem som ønsker det. Det var flere av innleggene fra venstresidens politikere i denne debatten som fikk meg til å be om ordet. For igjen

Den private skolen er et supplement til den offentlige, og de to fungerer svært godt side om side. Det er ikke slik som det forsøkes fremstilt her, kyniske eiere med profitt for øye, uten tanke for elevene eller uten tanke for å skape gode skoler med gode resultater. Det er feilaktige påstander, og ikke så lite freidige heller. I mitt eget hjemfylke, Vestfold, finnes det et rikt utvalg av private skoler, enten med ulike pedagogiske plattformer eller ulike livssyn som bakgrunn. I tillegg finnes det en skole som ikke virker ønsket i lys av argumentene som fremføres her. Det er Skagerak International School. Denne ble godkjent etter daværende lovgivning i 1991. Den har etter hvert utviklet seg og tilbyr nå alle trinn. På videregående tilbyr Skagerak IB. Den er allment akseptert som en av Ikke mange meter unna ligger Sandefjord videregående skole. Skulle vi tro på venstresiden her i dag, burde denne skolen være så sterkt truet av den skumle privatskolen at den knapt nok skulle kunne klare seg – ja, nærmest stå til nedfalls. Det motsatte er tilfellet. Sandefjord videregående skole er landets største videregående skole – en moderne skole med fornøyde elever, gode resultater og en av landets beste IB-linjer. Sunn konkurranse gir mangfold. mangfold. For at dette ikke skal bli stående alene som et eksempel fra lille Vestfold, kan jeg fra samme fylke løfte frem Wang toppidrettsgymnas. Da de skulle etablere seg i Tønsberg, møtte vi de samme argumentene, det samme skremmebildet ble malt: Nå ville den offentlige skolen bli utfordret, og toppidrettstilbudet ved f.eks. Re videregående skole ville trues. Det motsatte skjedde også her. Selvfølgelig gjorde det det. Skolene lever godt. I samme opptaksområde blomstrer begge skolene og leverer gode resultater både i teoretiske fag og innenfor de idrettsområdene de tilbyr. Ryggmargsrefleksen hos venstresiden er å stanse, hindre og kjempe mot private skoler som et supplement til den offentlige skolen. At virkeligheten kan levere eksempel etter eksempel på at tilbudet blir bedre og mangfoldet større, synes dessverre ikke å etterlate så mye som en bitte liten ettertanke.
Neste taler er
ettertanke. Til siste taler kan jeg bare si at dagens lov ivaretar menneskerettighetene og Norges internasjonale forpliktelser om at foreldre skal kunne velge skole for sine barn. Den ivaretar de forpliktelsene fullt ut. Det er ingen egen begrunnelse for å gjøre denne lovendringa. Men så har det blitt stilt flere spørsmål, som vi ennå ikke har fått svar på, uklarheter som det hadde vært greit om regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti klargjorde før vi skal vedta denne loven i dag – eller i kveld eller i natt. Jeg spurte bl.a. om Venstres og Kristelig Folkepartis begrunnelse for ikke å stole på lokale myndigheter, at de skal ha den avgjørende stemmen i slike skolesaker. Når det blir sagt at det skjer innstramming på dette feltet, at det går fra negative til særlig negative konsekvenser, vil jeg bare vise til Kunnskapsdepartementets egne merknader til paragrafene i lovforslaget, der de sier at denne såkalte innstramminga, det at det kommer en ny tekst i lovforslaget, «samsvarer med dagens praksis», som det står, altså ingen realitetsendring. Vi har foreslått at lokale myndigheter skal ha den avgjørende stemmen. Venstre og Kristelig Folkeparti vil ikke være med på det. Det er greit. Men så stilte representanten Giske kunnskapsministeren spørsmål om bl.a. det pedagogiske grunnlaget, pedagogiske metoder – pedagogikk – utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet. Det er det ennå ikke blitt gitt et svar på. Når saksordføreren, Tyvand, tar ordet og snakker om pedagogikk som går utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet: Kan en kommune, kan et fylke, starte en skole med pedagogikk som går utover handlingsrommet i Kunnskapsløftet, eller er det stengt for det? Dersom svaret er nei på det, vil jeg si at mange av oss får rett i påstanden om at nyskaping skal være forbeholdt private aktører. Så reagerer jeg på begrunnelsen representanten Tyvand gir, der han sier at han personlig mener at kommuner ikke skal ha den muligheten, for han sier at nei, de offentlige skolene skal ikke bli så spissede, for de skal være for alle. Da må jo konklusjonen på det være at de nye privatskolene også etter nytt godkjenningsgrunnlag ikke skal være det samme. Uansett: I dag skal vi vedta denne loven. Det ville vært en fordel om de uklarhetene og de spørsmålene som er om bl.a. pedagogisk metode, ble besvart i dag.
Neste taler er
dag. Jeg mener at private skoler skal kunne opprettes som profilskoler. Men jeg er slett ikke sikker på at jeg ønsker at alt det som skal ligge til grunn for å kunne starte en privat skole, en friskole, nødvendigvis også bør inn i den offentlige skolen. Jeg har f.eks. valgt å sende min datter på en kristen friskole i Tønsberg, Granly skole på Eik i Tønsberg. Den ligger noen hundre meter fra Eik skole, som er den offentlige skolen. Jeg synes det er flott at jeg har muligheten til å velge Granly skole som et kristent alternativ for mine barn, men jeg synes det ville vært feil om Eik skole skulle vært det kristne alternativet som alle måtte gå på. Så til spørsmålet om hvorvidt vi stoler på lokale myndigheter eller ikke. Jo, vi stoler på lokale myndigheter, men jeg synes at forslaget om å innføre en generell vetorett er et dårlig forslag. Det handler om at det må ikke være fargen på kommunestyret som avgjør om det skal være en mulighet for private initiativ eller ikke. Vi skal ta hensyn til det offentlige skoletilbudet. Kommunene skal på banen, de skal uttale seg. Dersom en privat skole får negative konsekvenser for den offentlige skolen, skal den ikke få godkjenning. Slik var det før, slik er det nå. Dersom vi nå ikke stoler på lokale myndigheter ved å videreføre denne politikken, sier man også indirekte at heller ikke den rød-grønne regjeringen stolte på lokale myndigheter. Jeg mener at dette er en veldig fornuftig balansering av hensyn til kommunene og den offentlige skolen. Til slutt vil jeg si at jeg synes det er veldig bra at vi nå endrer navnet på loven igjen, tilbake til «friskoleloven». På den måten skaper vi en tydeligere forståelse av at det er forskjell på en friskole som mottar offentlig finansiering, og de rent private skolene. Jeg nøyer meg med det og vil helt til slutt bare få takke alle som har deltatt i debatten, for en god debatt.

debatt. Eg vil først og fremst takke Kristeleg Folkeparti for eit ærleg svar. Eg tolkar det dit hen at Kristeleg Folkeparti heldt seg litt for nasen da dette forliket kom på plass, men samtidig klappa seg sjølve litt på skuldra for at det ikkje blei så ille som ein kunne ha frykta med Venstre, Høgre og Framstegspartiet. Det som skjedde, var at Kristeleg Folkeparti sikra ei viss breidd i forliket, og viss det er noko ingen i heile sektoren ønskjer, så er det eit jojo-spel, at det ikkje er føreseieleg, at det går frå det eine fleirtalet til det andre, at det endrar seg, at det kjem nye reglar, osv. Eg trur at ein kunnskapsminister med eit så syltynt fleirtal som med Venstre, Høgre og Framstegspartiet aldri i verda ville gått inn for

at privatskular ikkje bidreg med innovasjon i pedagogikk, men med mangfald og innovasjon i marknadsføring. Altså: Ein skal vere relativt prinsipielt overtydd om at dette vil gå, for erfaringar viser noko anna. Det mangfaldet ein er på jakt etter, får ein ikkje frå dei private. Da er det store spørsmålet:

at også dei fekk avgjerande vekt når det skulle avgjerast om det skulle innvilgast søknad om privatskule eller ikkje. Og alle festtalar om at no må vi stole på kommunepolitikarane, no skal vi ikkje øyremerkje meir, dette må vere opp til lokalpolitikarane sitt skjøn, det må vere opp til skuleeigaren, osv., det er – vips, forlate i denne saka, for her er det snakk om noko Eg synest ikkje den prinsipielle tilnærminga til skulestruktur i denne saka er særleg imponerande. Eg synest heller ikkje svaret til Kristeleg Folkeparti er det. Her har ein faktisk i realiteten gjeve Høgre og Framstegspartiet stor fridom til privatisering utan at Kristeleg Folkeparti har kontroll på det. Det er

det. Det er veldig mange ting vi ikke har fått svar på, verken i debatten, i innstillingen eller i lovproposisjonen, når det gjelder hva som skal være grunnlaget for å bli godkjent som profilskole. I realiteten sier Venstre og Kristelig Folkeparti: Vær så god, statsråd, dette bestemmer du, dette kan du lage forskrift for, det blir ditt skjønn, det blir din vurdering. Altså: En regjering som har gått til valg på – og har i regjeringserklæringen sin – at det egentlig skal være en rett til støtte, får nå fritt spillerom til å definere innholdet i disse privatskolene. Så sier Anders Tyvand, og også statsråden, at dette jo ikke er en rettighet, her gjelder jo skjønn, osv. Vel, det er akkurat den samme lovoppbyggingen som det som gjelder kristne skoler. Jeg minner om statsrådens berømte – eller kanskje famøse – SMS til skolebyråden i Oslo: «du vet vi ikke kan ta klagen til følge. Det vil kun forlenge en dårlig sak for oss.» Det var ikke mye skjønn der. Det var en rettighet, fordi det følger av praksis, det følger av loven. Nå får man altså nøyaktig samme lovoppbygging rundt disse profilskolene. Det som er merkelig med Kristelig Folkeparti, er at på den ene siden snakker man om foreldreretten og valget og internasjonale rettigheter, som var grunnlaget for forliket i 2007 om de kristne skolene – vi har også lagt steinerpedagogikk inn i dette – og så bruker man nærmest den samme teknikken nå for å legitimere profilskoler, som Tyvand selv har sagt i intervjuer at ikke har med menneskerettighetene og foreldreretten å gjøre. Dobbelt parodisk blir det jo når kommunene ikke skal få lov til å starte profilskoler, men hvis man er privat, da skal man få lov til å starte en profilskole. Det må sies å være utrolig ironisk at man strammer til for de offentlige skolene med tester, strømlinjeforming og standardisering, men hvis man er privat, da skal man få lov til å være profilskole og gå utover Kunnskapsløftet. Vi fikk ett svar, og det var at et timetall med to timer ekstra ikke var nok til å være profilskole. Vi kunne jo fortsatt med tre og fire timer, men sannheten er at dette fortsatt er helt flytende, og vi vet veldig lite om dette svaret. Til slutt til dette med lokal handlefrihet: Stortinget har behandlet en stor oppgavemelding. Der overføres store og viktige oppgaver til kommunene, f.eks. forvaltning av sjeldne fiskearter i fjellvann, godkjenning av svømmehaller – som det kanskje er noen få av i året – og andre store, viktige demokratiske spørsmål. Men når det gjelder skolestrukturen i kommunene – når det ikke engang går ut over foreldrerett eller menneskerett – skal altså ikke kommuner og fylker få lov til å ha et avgjørende ord med i laget. Det skulle vært hva som er grunnlaget for profilskoler – pedagogisk grunnlag som går utover Kunnskapsløftet, med pedagogisk frihet? – og hva som er grunnlaget for fag og timetall. Men verken statsråden, saksordføreren eller stortingsflertallet har i denne debatten avklart det viktigste spørsmålet: Hva er framtidens grunnlag for privatskoler? Det er privatskoler? Det er egentlig innleggene fra både SV og Arbeiderpartiet som gjorde at jeg tegnet meg igjen. Jeg må begynne med å vise til representanten Fylkesnes, som mente at Kristelig Folkeparti holdt seg for nesen, og nærmest hadde blitt tvunget til å gjennomføre et forlik. Når SV snakker om det, skal man lytte, men forskjellen på Kristelig Folkeparti og SV er at Kristelig Folkeparti har flyttet denne politikken betydelig gjennom det forliket de deltar i. i. Det kan jeg bekrefte som en av dem som har vært med på å diskutere dette med Kristelig Folkeparti, at her har de fått mye gjennomslag, og derfor kan de også være stolte av den loven som de er med på å vedta i dag. Til denne voldsomme omsorgen for det lokale selvstyret fra dem som mener at her skal det være vetorett: Hvorfor er de da ikke for vetorett for kommunene når det gjelder pedagogiske alternativer og religiøse skoler? altså om man skal ha vetorett når det gjelder noen, men ikke andre. Så langt strekker altså omsorgen for det lokale selvstyret seg. Kommunene får større innflytelse med denne loven enn den rød-grønne loven ga. Om yrkesfagsskolen sier man at yrkesopplæringsnemnda skal være med på å diskutere om denne bør godkjennes eller ikke, og det rådet skal lyttes til. Det betyr at ikke yrkesfagsskolene skal gå utover dimensjoneringen. Representanten Giske viste til SMS-en fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Da var statsråden forholdsvis ny i jobben, og SMS-en viste jo dårlig skjønn, også fordi det var feil. Den religiøse skolen fikk nei fordi nettopp regelverket gir rom for å si nei basert på skjønn. Ikke bare burde han ikke sendt SMS-en, men konklusjonen i SMS-en han sendte, var også gal. Det er jo noe som representanten Giske kan bruke som et argument for at det går an å behandle denne typen lover strengt. Representanten de Ruiter begynte å snakke om at den loven som man vedtok i 2005–2006, åpnet for misbruk av offentlige midler. Punkt én: Det er forbudt å misbruke offentlige midler, og det er forbudt å ta ut utbytte. Det andre er: Da de rød-grønne laget ny lov – eller forandret den loven – forandret de ikke ett komma på regelverket rundt utbytte og bruk av offentlige midler. Det er faktisk vi fire partier som nå går sammen om å stramme inn, og sørger for å tydeliggjøre regelverket slik at det blir vanskeligere å misbruke de midlene.

vi skulle ikke ha fritt skolevalg, ikke ha temaskoler, ikke ha profilskoler innenfor den offentlige skolen – er de samme tre partiene som i dag stemmer imot denne loven. Hvis man er så for det mangfoldet, som jeg også er, innenfor offentlig skole, bli i det minste med på å innføre fritt skolevalg – og si så at skolene kan få utvikle seg friere enn det de kan i dag – men det er de rød-grønne som stemmer det ned, også lokalt. Representanten Martin Henriksen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort

minutt. I kompromisset fra 2007 som vi bygger på, er det sånn at opprettelsen av kristne skoler handler om foreldreretten og derfor ikke omfattes av vetoretten, slik vi ser det. Men fremdeles har verken statsråden, fraksjonslederne for de ulike flertallspartiene eller andre bidratt til å avklare hva definisjonen er på grunnlaget for profilskolene. De profilskolene som saksordføreren fra Kristelig Folkeparti, Anders Tyvand, nå er med på å innføre i den nye privatskoleloven, har han ikke vært med på å definere og gitt klarhet i til oss, eller omverdenen. Det tar vi med oss videre når vi skal til avstemningen senere i dag, men det er altså sånn som representanten Giske sier, at da blir det opp til forskriften, statsrådens arbeid og regjeringas skjønn å innføre det grunnlaget.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

vedtatt. Jeg vil gjerne få lov til å takke forslagsstillerne bak dette representantforslaget for å rette oppmerksomheten mot et tema som vi alle er opptatt av. Denne saken dreier seg om hvordan vi skal sikre opptakskravene til lærerutdanningene, slik at de bidrar til å rekruttere gode lærerstudenter til framtidas skole. Jeg vil samtidig få takke komiteen for engasjement og godt samarbeid. samarbeid. Vi ser alle at det er en klar sammenheng mellom faglig sterke lærere og elevenes læring. En god lærerutdanning er nødvendig for å gjøre studentene rustet til å møte den hverdagen som møter dem i klasserommet. I komiteen anerkjenner vi at det er en sammenheng mellom hva studentene kan når de kommer inn i lærerutdanninga, og hva de kan når de går ut og avslutter. Jeg regner med at forslagsstillerne vil gjøre rede for sitt syn, så jeg vil nå gå nærmere inn på regjeringspartienes syn i saken. I Sundvolden-erklæringa varslet regjeringa at den vil skjerpe opptakskravene for å komme inn på lærerutdanninga, i både norsk, matematikk og engelsk. Og i Lærerløftet, som ble lansert høsten 2014, står det at regjeringa vil heve karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 fra videregående opplæring. Dette er et skrittvis ledd i den politikken som er varslet i Sundvolden-erklæringa. Som en konsekvens av dette er forskriften om opptak nå endret. Opptakskravet til grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene vil fra 2016 være 35 skolepoeng, karakteren 3 i norsk og karakteren 4 i fellesfaget matematikk fra videregående opplæring. Det ser ut til at forslagsstillerne til dette representantforslaget deler regjeringas intensjon om å skjerpe opptakskravene for å komme inn på lærerutdanninga fra dagens krav. Det mener jeg er positivt. Forslagsstillerne ønsker riktignok å be regjeringa om å sørge for at karakteren 3 i norsk og matematikk blir stående som minstekrav for opptak, men samtidig vil de be regjeringa om å innføre krav om at søkerne til lærerutdanninga som ikke har karakteren 4 eller høyere i disse fagene, skal bestå et obligatorisk forkurs i både norsk og matematikk for å kvalifisere for opptak. Det ser dermed ut som de i realiteten ønsker skjerpede krav – høyere enn karakteren 3 i norsk og matematikk – men med en litt Forslagsstillerne ønsker to obligatoriske forkurs, som skal kompensere for manglende kompetanse utover det som kan forventes med karakteren 3 fra videregående skole. Jeg viser til statsrådens svarbrev av 12. mai 2015, der han kommenterer representantforslaget og påpeker utfordringene som er knyttet til omfanget av forslaget og til avviklinga av to sett forkurs, og da særlig forkursene i norsk, i tillegg til de konsekvenser dette vil kunne ha for søkningen og inntaket til studiene. Statsråden understreker i brevet at regjeringa i Sundvolden-erklæringa har satt høye ambisjoner for lærerutdanninga, med økte opptakskrav i de tre fagene norsk, matematikk og engelsk, og at regjeringa nå tar første trinn med å øke karakterkravet i For å kompensere for eventuell rekrutteringssvikt legges det opp til et forkurs i matematikk. Sånn er tanken å gå gradvis fram, vinne erfaring og finne gode løsninger. Vi vet alle at den gode læreren ikke bare er faglig sterk, men også må ha evne til å lære bort, til å kommunisere, til å bry seg om barn og unge og til å være en tydelig leder i klasserommet. Det er viktig både for elevenes læring og for å få et trygt læringsmiljø i skolen. Utfordringa er å få de rette studentene til å søke seg til lærerutdanninga, gjennomføre den på en god måte og til å bli i skolen. Derfor er det spennende at komiteen i denne saken også legger fram et forslag til vedtak der vi ber regjeringa legge til rette for at de utdanningsinstitusjoner som ønsker det, får muligheten til å gjennomføre opptaksintervjuer for kandidater til Det vil kunne være et godt supplement til opptakskrav knyttet til poeng og karakterer. Jeg ser fram til en god debatt.

La meg først takke saksordføreren for en god utgreiing om sakens innhold og vår innstilling. Jeg tror vi står sammen om det viktigste, nemlig at vi ønsker faglig gode, motiverte, relasjonssterke og flinke lærere i norsk skole, som har god god evne til å motivere og evaluere elevene, god relasjonskunnskap og god evne til å kommunisere. Gode lærere er viktig. Men det er ikke bare viktig at de har en god utdanning – det er også viktig hvem som kommer inn i utdanningen, og at vi klarer å rekruttere de beste ungdommene våre inn i lærerprofesjonen. Det handler overordnet sett først og fremst om å gjøre skolen attraktiv, gjøre yrket interessant, ha tillit til læreren som fagperson, ha en kommuneøkonomi som gjør at man har handlingsrom for å gjennomføre det man ønsker og drømmer om i læreryrket, hjelpe hver enkelt elev og ha tid til å følge dem opp. Det er heller ingen tvil om at å ha et faglig godt grunnlag fra videregående skole når man går inn i en lærerutdanning på et høyt nivå, og dermed få et størst mulig utbytte av det du lærer gjennom de fire eller fem årene, også er vesentlig. Det var bakgrunnen for at det under regjeringen Stoltenberg ble innført krav til opptak – 35 poeng nå. Vi har krav om 3 i matematikk og 3 i norsk. Dette har det vært enighet om i mange regjeringer, også i Bondevik-regjeringen, men i valgkampen sa Høyre at dette skulle vesentlig skjerpes. I Høyres stortingsvalgprogram 2013–2017 står det Høyre vil «kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen Dette sa Kristin Halvorsen nei til og fikk skarp kritikk fra Høyres folk. Vi fra Arbeiderpartiet sa: La oss beholde karakteren 3, men innføre forkurs for dem som har bare karakteren 3. Nå når Røe Isaksen har inntatt stolen, full av handlekraft og gjennomføringsevne,

Det har i ettertid blitt klargjort fra statsråden at det ikke var meningen, så her skal man beholde kravet om 3 for å komme inn på forkurset. Så realiteten blir at man kommer rett inn hvis man har 4, og hvis man har 3, må man ta et forkurs. Høres dette kjent ut? Ja, det er nøyaktig det Arbeiderpartiet foreslo i valgkampen, men som altså var altfor dårlig. Tidligere skolepolitisk talsperson for Høyre, Ine M. Eriksen Søreide, sa det slik i et intervju: «Å innføre skjerpede karakterkrav er noe Regjeringen bare kan gjøre.» Så skulle man jo tro, etter at et slikt klart og tydelig løfte i en programformulering ble belønnet med valgseier, og at man så legger stort sett alle disse løftene til side, at man gikk litt stille i dørene. Nei da, i et stort oppslag i VG sier kunnskapsministeren at man må ha minst 4 for å komme inn,

Og jeg vil tro at de fleste fagfolk vil si at norskfaget er minst like viktig for en god lærer som matematikkfaget. Man kan, tror jeg, klare seg ganske godt som lærer i engelsk, kunst og håndverk og mange andre fag uten å være mattespesialist, men norskfaget går igjen i absolutt alle fag. Det er vel det faget, med lesing og skriving, som er grunnlaget for det meste av læring. at man da skal innføre et forkurs i dette – vi kunne selvfølgelig hjulpet statsråden med forslaget om karakteren 4, men vi tar det forsiktig, slik at handlekraften ikke blir for utfordret, og gir ham en mulighet til å stemme for et slikt forkurs i norsk – er svaret fra statsråden at det skal man ikke ha noe av. Det er rett og slett å gå for langt. Dette skal vi stemme Det er likevel hyggelig å registrere at bl.a. Kristelig Folkeparti i denne saken står bak et forslag som har støtte fra et mindretall, og som ikke vil få flertall, stikk i strid med det saksordføreren i forrige sak sa, at han bare forholder seg til å gå inn der han kan prøve å få flertall. Da er taletiden ute. Jeg antar at representanten vil ta opp forslagene fra Arbeiderpartiet? Ja, det vil jeg. Da
saken. I Sundvolden-erklæringa varslet regjeringa at den vil skjerpe opptakskravene for å komme inn på lærerutdanninga, i både norsk, matematikk og engelsk. Og i Lærerløftet, som ble lansert høsten 2014, står det at regjeringa vil heve karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 fra
I første omgang skjerpes opptakskravet i matematikk, og det vil gjelde fra høsten 2016. Det er nødvendig. Fremskrittspartiet mener at instituttdirektør Arild Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet hadde rett da han 26. januar uttalte til Aftenposten: «Et yrkes status avgjøres også av kompetansekravene. Jo vanskeligere det blir å komme inn på studiet, og jo færre studieplasser som er tilgjengelig, jo mer vokser statusen.» Det er en del av løsningen. En statusheving av læreryrket er nødvendig. Læreren er den enkeltperson som spiller størst rolle for elevens læring. Da må vi ha tillit til lærerne og ambisjoner på læreryrkets, skolens og elevenes vegne.

Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å gi sine studenter solid faglig kompetanse innenfor alle fagområder. Utvidelsen av grunnskolelærerutdanningen til en femårig mastergrad gir gode muligheter for bygging av nødvendig fagkompetanse samt rom for mer praksis og mer faglig fordypning. Vi mener at vi må se på satsingen på

Norske barn bor i verdens beste land. Da har de også krav på å få verdens beste undervisning. Fremskrittspartiet vil ikke være med på å snakke ned norske lærere eller norsk lærerutdanning. Tvert imot tar vi norske lærere, utdanningsinstitusjoner, elever og studenter – framtidens lærere – på alvor og tar det egentlig for gitt at de viser vilje til styrket innsats. Innsatsen må styrkes i alle ledd. Økte karakterkrav innebærer at elever må stå på mer for å bli gode nok til å komme inn på lærerutdanningen. De må særlig bli bedre i realfag, der vi nå øker kravene. Vi må ikke bli så blindet av oljerikdommen at vi i nasjonal selvgodhet tror at Norge kan møte framtidens velferdsutfordringer ved å være gode i Det er de harde fagene, nemlig realfagene, som er konkret verdiskapende og innovasjonsdrivende. Norges verdiskapende næringer er kompetansebaserte og vil bli det enda sterkere i framtiden. Olje og gass, fornybar energi, maritim, offshore, marin, finans og IKT er verdidriverne som skal sikre framtidens velferdssamfunn. Dette er ulike bransjer, men alle har én ting til felles: De bygger på

eller en som har en drøm om å undervise i samfunnsfag og historie, kan risikere å ikke komme inn på lærerutdanningen fordi man ikke er flink nok i algebra eller ikke er flink nok til å løse likninger med tre ukjente, selv om man ellers har gode karakterer, et godt vitnemål og er sterk i de fagene som man ønsker å fordype seg i og undervise i. Jeg er redd for at vi kan gå glipp av gode lærere i framtiden med en slik politikk. Ved å heve mattekravet sikrer vi oss kandidater som er sterke i matte. Men det er nok en lite treffsikker metode for å rekruttere de beste norsktalentene og de beste norsklærerne. Forslagsstillerne fra Arbeiderpartiet har en annen tilnærming, men grunntanken er den samme. For å få de rette kandidatene inn på lærerutdanningen må karakterkravene heves. De har en noe bredere tilnærming. De vil se på både norsk- og De vil beholde kravet om karakteren 3 i norsk og matte, men krever at kandidater som ikke har karakteren 4 eller bedre, må bestå et obligatorisk forkurs før de er kvalifisert for opptak. Jeg mener det er vel så fornuftig å stille krav om gode norskkunnskaper som å stille krav om gode mattekunnskaper, for gode kunnskaper og ferdigheter i norsk vil ha betydning og verdi uansett hvilket fag du skal fordype deg i, og uansett hvilket fag du skal undervise i. Vi kan nok ikke si det samme om matematikk, i samme grad i hvert fall. Jeg mener uansett at det å stille strengere karakterkrav er feil medisin. Det å være faglig sterk er selvsagt viktig for å kunne bli en god lærer, men gode karakterer er ikke det eneste som skal til. Det at man har en sekser i matte, betyr ikke nødvendigvis at man kommer til å bli en god mattelærer. mattelærer. Det betyr definitivt ikke at man nødvendigvis kommer til å bli en god norsklærer. Det å bli en god lærer krever mye mer. Det krever evnen til å formidle, evnen til å skape en relasjon til andre mennesker, evnen til å kommunisere og evnen til å være en tydelig leder i et klasserom. Dette er kvaliteter som ikke kommer til syne gjennom en karakter eller i et vitnemål. Jeg er derfor glad for at en samlet komité nå ber regjeringen legge til rette for at de utdanningsinstitusjonene som ønsker det, skal få muligheten til å innføre en ordning med opptaksintervjuer. På den måten får man en bedre mulighet til å danne seg et inntrykk av kandidatenes personlige egenskaper, egnethet og motivasjon til å gå inn på lærerstudiet. Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre obligatorisk eller presse institusjonene til å gjennomføre, men vi vil legge til rette for det for dem som ønsker det. Jeg mener at kravet for å bli tatt inn til intervju bør være 35 poeng og karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk. Det kan jo godt tenkes at det blant søkerne kan finnes kandidater som man ser at det er mulig å gjøre til en god norsklærer, selv om man ikke har en firer i matte. matte. Jeg ønsker med det å ta opp forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV, slik det framkommer i innstillingen. Kristelig Folkeparti kommer ikke til å støtte forslaget fra Arbeiderpartiet. Stortinget har skjerpet kravet om faglig fordypning i undervisningsfag, og det er på lærerutdanningen at studentene skal tilegne seg den faglige kunnskapen som er nødvendig. nødvendig. Jeg tror det er helt andre ting enn skjerpede karakterkrav som skal til for å heve statusen til læreryrket og lærerutdanningen. Da tror jeg først og fremst at vi må se på rammene rundt lærernes yrkesutøvelse. Mer tid til hver elev og færre tidstyver er to viktige stikkord for å gjøre lærernes arbeidshverdag bedre. Det vil bidra til at flere lærere vil trives i jobben, at flere lærere vil trives i jobben, at flere lærere velger å bli i jobben, og i sin tur til at flere vil ønske å bli lærere. Da vil kanskje karakterkravet for å komme inn på studiet presses opp uansett, uten at det er noe vi behøver å vedta politisk. Representanten Anders Tyvand har hatt opp det forslaget han refererte til. Det er

Som kjent har det siden 2005 vært krav om at søkere til lærerutdanninga som et minimum skal ha karakteren 3 i fagene matematikk og norsk og minst 35 skolepoeng for å bli tatt opp ved lærerstudiet. Regjeringa har varslet det de mener er strengere opptakskrav fra 2016, og Arbeiderpartiet mener regjeringas forslag i realiteten innebærer at man fjerner kravet om karakteren 3 i matematikk, og åpner for at alle med karakterene 2 eller 3 i matematikk kan komme inn, forutsatt at de gjennomfører et forkurs. Kravet om karakteren 4 er således ikke reelt. Senterpartiet mener at dagens krav til opptak er gode nok. Vi deler ikke regjeringas eller Arbeiderpartiets tro på at om vi setter opp karakterkravet sentralt, vil vi automatisk få bedre lærerutdanning. Det hadde kanskje vært viktigere å stille seg spørsmålet: Er dette et virkemiddel for å rekruttere de studentene som vil bli de beste lærerne? I rekrutteringskampanjen for lærerutdanninga stilles spørsmålet: «Har du det I rekrutteringskampanjen for lærerutdanninga stilles spørsmålet: «Har du det i deg?» Spørsmålet er godt og går til kjernen i utfordringa: Hvordan motivere de som har det i seg, til å bli lærer? Matematikk er viktig – ingen tvil om det. Men mange som søker til lærerstudiet, skal ikke undervise i matematikk. Sånn sett burde det bekymre regjeringa og flertallet mer at det ikke er karakterkrav til ettersom sykepleiere faktisk skal regne ut og stå for riktig medisinering til pasienter. Lærerutdanninga er et krevende studium. Senterpartiet er enig i at det er viktig at studentene som tas opp, har forutsetninger for å gjennomføre studiet. Men det er flere hensyn som må balanseres opp mot hverandre, som også representanten Tyvand var inne på. Vi mener det er viktigere hva studentene kommer ut med av kompetanse, enn hva de kommer inn med. Lærerstudiet skal sørge for at de ferdig utdannede lærerne tilfredsstiller kompetansekravene og er skikket til yrket. God kvalitet i sjølve utdanninga er derfor viktigere enn å drive symbolpolitikk og sette strengere opptakskrav. Vi er mer bekymret for at potensielt dyktige lærerstudenter vil la være å søke lærerutdanning fordi de ikke oppfyller opptakskravene i matematikk. Økte karakterkrav og polemikk rundt dette gir bare et signal om at dagens lærerstudenter ikke holder faglig mål. Det blir feil. Holder man ikke kvalitetsmål verken faglig eller personlig, må man veiledes ut av studiet. Jeg har lyst til å vise til en uttalelse fra studieleder og førsteamanuensis i matematikk ved lærerutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus som understreker at strengere opptakskrav i seg sjøl ikke er avgjørende: «Alle som har undervist matematikk i

og ikke klarer å forstå bakgrunnen godt nok til å forklare matematikken til elever.» Formålet med utdanning er faktisk læring. Det er altså mulig å bli bedre i et fag som du har fått karakteren 3 i på videregående. Framskrivinger viser at det vil være for få kvalifiserte lærere i årene framover. Strengere opptakskrav vil, i alle fall på kort sikt, kunne føre til svakere rekruttering til læreryrket. Tall fra departementet viser at 30 pst. av de som fikk studieplass i 2014, ikke ville fått plass dersom kravet var karakteren 4 i matematikk. Til slutt: Vi er positive til Kristelig Folkepartis forslag om forsøk med opptaksintervju for de institusjonene som ønsker det, og vi er glade for at Kristelig Folkeparti også mener at dagens krav om 3 i norsk og matematikk og 35 grunnskolepoeng er et godt nok utgangspunkt for å bli en god lærer.

men det å stille karakterkrav ved opptak til lærerutdanningen – som denne saken handler om – er bare en del av en større helhet. Jeg er helt enig med komitéleder Trond Giske, som sier at dette handler om mange flere ting også. Det handler om å løfte hele skolen. For oss i Venstre er opptakskrav ved lærerutdanningen en av mange ting vi må gjøre for å løfte skolen og for å løfte statusen til læreryrket. Dette henger bl.a. sammen med en femårig lærerutdanning. Det er også naturlig å se dette i sammenheng med karriereveier i klasserommet, videre- og etterutdanning og andre ting man gjør i skolen, for å løfte skolen, løfte læreren, og på den måten bevege skolen i den retningen som man ønsker. Karakterkrav 4 i matematikk er ett skritt på veien der vi ønsker

Jeg synes forslaget til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV om opptaksintervjuer er et veldig spennende forslag når det blir et supplement til karakterkravene. Vi har som komité vært på studiereise til Finland, der de bruker opptaksintervjuer som en del av kriteriene for å komme inn på utdanningen. Nå har Finland et litt annet utgangspunkt enn det vi har, i og med at lærerutdanningen i Finland er en av de mest attraktive utdanningene man kan ta, men det er jo egentlig dit vi ønsker oss også. Når vi kan velge med det samme utgangpunktet som i Finland, har vi virkelig lyktes med lærerutdanningen, med læreryrket og med statusen til læreryrket. Så jeg synes det er et spennende forslag og et godt supplement til karakterkrav. Å ha karakterkrav til lærerutdanningen er

Som jeg også har skrevet i kommentaren til dette innspillet, trekker det absolutt i samme retning som regjeringen. Jeg skal likevel kommentere kort hvorfor jeg mener vi ikke bør gjøre dette nå. La meg først bare dvele et par sekunder ved historien. Da Kristin Clemet i sin tid i Bondevik II foreslo de karakterkravene som gjelder i dag, var det veldig kontroversielt. Mindretallspartiene på Stortinget skrev den gangen at det ikke er påvist noen sammenheng mellom karakterer og hvorledes man fungerer som lærer. De mente at det kunne risikere å ta oppmerksomheten bort fra innholdet i lærerutdanningen. Det er det ingen som bruker som argument lenger i dag, det er ingen som ønsker å fjerne den karaktergrensen vi har i dag for å ta opp lærerstudenter. Snarere tvert imot er det nå stor enighet om at man burde ha enda strengere krav. Så er vi i gang, og jeg skal begrunne litt hvorfor jeg ikke mener vi skal gjøre dette med en gang. La meg ta den lille grunnen først, med representantforslaget til Arbeiderpartiet. Det er litt semantikk og ikke av avgjørende betydning, men Arbeiderpartiet foreslår her at man skal beholde karakteren 3, men at man skal ha en prøve som gir deg en slags kompetanse til karakteren 4 – altså at karakteren 4 blir det reelle opptakskravet. Da mener jeg det er ryddigere med vår modell, som sier at det er karakteren 4 som er opptakskravet, men at man gjennom å ha karakteren 3 kan kvalifisere seg til en forprøve, som man så tar. Men som sagt: Det er en mindre sak. Det vi har sendt ut, er en skjerping av karakterkravet fra 3 til 4 fra og med studieåret 2016/2017. Det er nå fastsatt i forskrift for opptak til høyere utdanning. Vi har også vurdert kompenserende tiltak, og det er rett og slett fordi vi også må ta hensyn til rekrutteringen i en reell og ikke ideell verden. Derfor er det nå fastsatt i forskrift at søkere som har et karaktergjennomsnitt i matematikk på minst 3, og som består et nasjonalt forkurs i matematikk før studiestart, også vil oppfylle det nye kunnskapskravet. Så er det, som i dagens ordning, andre regler for dem som har programfag, altså fordypning i matematikk. Den store grunnen til at jeg mener vi ikke skal gjøre dette nå, handler ikke om – som representanten Giske sa – at vi har lagt bort ambisjonen om å skjerpe karakterkravene. Den ambisjonen har vi fortsatt. Men det er ikke til å legge skjul på at dette også har vært et kontroversielt forslag. I andre saker vi har hatt her i dag, har man lagt avgjørende vekt på innspill fra faginstanser, fra organisasjoner, innspill som har kommet i høringsrunden. Det er en avveining mellom høye karakterkrav og rekruttering. Jeg er ganske overbevist om at høyere karakterkrav på sikt også kan gi bedre rekruttering, rett og slett på grunn av signalet det sender. Men det å ha en gradvis opptrapping av karakterkravene er etter min mening klokere som fremgangsmåte enn å innføre alle karakterkravene på en gang. Det er ikke en vurdering av fagenes viktighet, for jeg er helt enig med representanten Giske, som sier at norsk er et helt avgjørende og helt sentralt fag. Det handler rett og slett om at når politiske idealer møter realitetene ute i sektoren, mener jeg det er ansvarlig å gjennomføre det gradvis, å gjennomføre det gradvis, og å gjennomføre det slik at vi både kan sikre høyere opptakskrav og samtidig ikke få større rekrutteringsproblemer enn det det kan se ut som vi har i dag. Det åpnes for for replikkordskifte. Ikke bare i Høyres program, men faktisk også i regjeringserklæringen står det at man skal kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen. Nå sier statsråden at grunnen til at man ikke kan gjøre det, er at idealene må veies opp mot virkeligheten. Det er et godt prinsipp, men spørsmålet er hvor Høyre var i alle de årene Kristin Halvorsen, Bård Vegar Solhjell, Øystein Djupedal, Jens Stoltenberg og mange andre forklarte Høyre at dette var virkeligheten. Visste man ikke i 2013 at dette var virkeligheten? Måtte man faktisk inn i Kunnskapsdepartementet og få de dyktige embetsfolkene der til å få seg forklart at Høyres politikk ikke var gjennomførbar? Mitt spørsmål er: Hva var grunnen til at man skrev dette inn i visste man rett og slett ikke bedre? Ambisjonen vår er akkurat den samme, ambisjonen vår er det som står i regjeringserklæringen, og det handler om å balansere det opp mot rekruttering. Hvis man hadde gitt den forrige regjeringen et par år, hvis man hadde startet i f.eks. 2007 med et karakterkrav 4 i matematikk,

forkursordning, som Arbeiderpartiet også er for. Etter det skal vi se hvordan vi skal gå videre, ta neste steg. Jeg tror dette må sies å være lagt i samme skuffen som et annet krav, nemlig at lærere fra 1. trinn skal ha fordypninger i basisfagene de underviser i. Det skal ikke tas opp fra skuffen – fullt ut på alle skoler – før i 2029. I samme skuff ligger selvfølgelig også forslag fra et regjeringsparti – den gang i opposisjon – om å fjerne alle bompenger, fjerne NRK-lisensen, sørge for at pensjonistene følger lønnsutviklingen osv. Det er en skuff som begynner å bli ganske full. Det som likevel er et interessant spørsmål, er hvorfor matematikk er viktigere enn norsk. Nå får altså Høyre en mulighet til å få flertall her i salen for også å innføre et forkurs i norsk. Statsråden gjør et poeng av at det er bedre å 4, men unntak for dem som har karakteren 3, enn å si karakterkrav 3, men med krav til dem som har karakteren 4. Det er noe som heter den kommutative lov i matematikken, som sier at rekkefølgen i slike addisjoner er likegyldig, så det går vel ut på det samme. Men hva er grunnen til at man ikke gjør det samme med norskfaget? Det må være en glimrende mulighet til i hvert fall å ta et skritt i retning av det som står i regjeringserklæringen. Det er et veldig godt spørsmål, og det er noen begrunnelser for at vi startet med matematikk. Jeg trenger sannsynligvis ikke begrunne hvorfor matematikk også er viktig. Det er sannsynligvis representanten Giske enig i. Én begrunnelse er at man avslutter matematikk etter to år, i hvert fall for studentene som her er aktuelle, siden programfag ikke er aktuelt. Men andre ord har man da god tid til å forberede seg på et forkurs. Matematikk er etter vår vurdering også lettere å lage et forkurs i. Norsk har 393 timer fordelt over tre år, det er dobbelt så stort som fellesfaget i matematikk. Vår vurdering er at det er langt vanskeligere å få gjennomført et forkurs i norsk enn det er i matematikk. Men siden vi er opptatt av å komme i gang – vi har ikke åtte år der vi kan la være å handle, vi er opptatt av å komme i gang, vi er opptatt av å skjerpe opptakskravene – så starter vi med matematikk nå. Det er bra at representanten Giskes parti, som var i mindretall og imot opptakskravene da de ble foreslått av tidligere statsråd Clemet, nå er en ivrig pådriver for strengere

et veldig viktig spørsmål som enda ikke er avklart, og det er om disse studentene først skal tas opp på lærerstudiet og deretter ta et forkurs som de må bestå for å fortsette lærerstudiet? Jeg så statsråden beskrive at dette var etter inspirasjon fra ingeniørutdanningen, der er det som oftest slik. Eller skal man først ta et forkurs som man består, og så søke om å komme inn på lærerutdanningen? I tilfellet at det er det siste, hvorfor kan man ikke like godt ta opp igjen fagene fra videregående og bedre karakteren på den måten? Man må ta forkurset for å få opptak til studiet, det er den modellen vi kommer til å legge opp til. Jeg må også si at representanten Giske har vært veldig ivrig etter å stille spørsmål om denne saken, og det har vært veldig bra, for da så vi bl.a. at det ikke var helt presist, som representanten Giske sa, at det stod eksplisitt at det skulle være karakterkrav 2 for å komme inn. Men det sto ikke eksplisitt at man ikke kunne komme inn på forkurs med lavere karakter enn 3. Da fikk vi en sjanse til å tette det. Det er et viktig og godt bidrag fra representanten Giske til regjeringens politikk. Vi er utålmodige, vi starter dette fra 2016. Ideelt sett burde sånne ordninger settes i verk sånn at elever som starter på videregående, fra første stund vet hva man har å forholde seg til.

Nå sier statsråden – det er en grei avklaring – at kurset skal tas først, deretter skal man søke opptak og komme inn. Man har jo noen frister osv. å forholde seg til. Spørsmål rundt dette er: Er det høyskolen som skal tilby dette forkurset? Skal man søke på den institusjonen man skal gå på? Skal man ha en eksamen som man består? Hvis man skal ha det, hvorfor kunne man da ikke bare si til elevene at de skal ta opp igjen det faget som de har for lav karakter i og få en videregående-skole-karakter som er 4, i stedet for et forkurs og det som statsråden kaller et kompetansenivå som tilsvarer karakteren 4? Det er en veldig underlig måte å gjøre det på all den tid man ikke skal velge ingeniørutdanningsmodellen, med opptak først og så forkurs. Man skal faktisk ha forkurs først og så søknad om opptak. Dette begynner å minne meg om en annen sak vi hadde, hvor det også var enighet, i hvert fall mellom våre to partier, men hvor det likevel var veldig mange spørsmål. Det er i og for seg gode spørsmål representanten stiller. Jeg ber om forståelse for at ikke alle detaljer om forkurset er klare. Det som er viktig, og grunnen til at man burde ha et forkurs og ikke simpelthen si til elevene at de skal ta privatisteksamen, er at forkursets hensikt er at man skal komme opp på karakternivå 4, altså nivå tilsvarende karakteren 4 eller høyere. Vi vurderer også om man kan kombinere det med løsninger for dem som ønsker å ta privatisteksamen. Det går an å gjøre, nettopp fordi man avslutter etter to år på videregående skole. Jeg ble litt usikker på hvorfor representanten Giske mente at dette var uklart, for som jeg oppfatter det, er nettopp forkursideen kjernen i Arbeiderpartiets politikk, som egentlig ønsker et opptakskrav om karakteren 3, men et forkurs som jeg antar skal ha nivået 4. Jeg synes det er flott at Høyre lærer, for det er ikke så mange år siden at daværende skolepolitisk talsperson, Elisabeth Aspaker, gikk til forkurs som jeg antar skal ha nivået 4. Jeg synes det er flott at Høyre lærer, for det er ikke så mange år siden at daværende skolepolitisk talsperson, Elisabeth Aspaker, gikk til kraftig angrep på Kristin Halvorsen fordi Nesna hadde innført et forkurs i matematikk. Men la nå det ligge. Det er ikke helt uvesentlig, verken tidsfaktoren eller muligheten for dette forkurset f.eks. for elever som ikke bor på et sted hvor en høyskole er etablert, hvordan dette tilbudet faktisk skal gis. Vi har ikke i våre forslag sagt spesifikt om dette skal tas før eller etter opptak. Det kan godt hende at man skal få opptak, men så måtte gjennomføre et forkurs. Det er faktisk ganske vanlig – det er den mest vanlige måten å ta forkurs på i høyere utdanning. Nå sier statsråden at man skal lage en annen modell for dette. dette. Da er det egentlig litt rart, siden man også understreker poenget med at det må ta et år, når det er i andre man er ferdig med matte, at man ikke bare kan ta opp igjen karakteren. Men det kan hende at det har blitt for dyrt å ta privatisteksamen under nåværende regjering. Nå var det et bredt flertall på Stortinget som sa ja, og så vidt jeg registrerte, var det ingen da budsjettbehandlingen var, som for å forklare resonnementet for representanten Giske: Det er nettopp fordi vi ønsker et klart og enhetlig karakterkrav å forholde seg til. Med andre ord: Hvis man har et forkurs som er innbakt i utdanningen, kommer man inn på lærerutdanningen med karakteren 3. Vi ønsker at det skal være et klart, enhetlig, forståelig krav. Det betyr at man kommer inn med karakteren 4 – hvis ikke kommer forkurset. Da må det forkurset ligge foran, ikke i, utdanningen. utdanningen. Så vil jeg når denne ordningen kommer, komme til Stortinget og gjerne svare på alle detaljer og alle spørsmål om hvordan dette fungerer, men jeg ber om forståelse for at når dette kommer i 2016, har vi kommet et godt stykke lenger på vei, selvfølgelig, enn man har gjort i forbindelse med et Dokument 8-forslag. Men alle detaljer er ikke spikret ennå, og da vil det være feil av meg å spekulere mer enn jeg allerede har gjort.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

Diskriminering og forfølgelse av jøder har en århundrelang historie bak seg, og nazistenes utryddelse er kanskje den verste delen av den historien. Dessverre ser vi at antisemittismen er økende i Europa i dag, på tvers av det vi alle ønsker. Hvis vi tar 2011-tall fra Osloskolen, ser vi at hver tredje med jødisk bakgrunn har minst to til tre negative opplevelser i måneden knyttet til sin religiøse bakgrunn. Sånn vil vi ikke ha det. De siste årene har vi ute i Europa også sett flere angrep der jøder er rammet bare fordi de er jøder, og et eksempel på det er angrepet i København, som vi alle kjenner til. Arbeidet med å bekjempe antisemittisme og rasisme er noe som har pågått lenge, både under denne regjeringen og under forrige regjering. Men det er åpenbart, nå som vi ser at antisemittismen er økende, at vi fortsatt trenger å ha fokus på dette, og at vi trenger å forsterke innsatsen mot dette. Komiteen har samlet pekt på skolens unike mulighet til å drive holdningsskapende arbeid, ettersom skolen er en viktig fellesarena der alle unger deltar. På vegne av komiteen vil jeg si at vi ser fram til det viktige videre arbeidet som skal skje med handlingsplanen mot antisemittisme. Det er

skal ha en skole, en oppvekst, en hverdag hvor alle elever føler seg hjemme, hvor alle føler seg trygge, hvor ingen blir diskriminert. Vi har i de siste årene sett at jødehatet har økt i Europa. Vi har sett fremmedfiendtlighet av mange slag, og også i Norge hører vi historier om unger og ungdommer som føler at de må skjule sin jødiske bakgrunn, eller som får slengt skjellsord etter seg i skolegården. La meg derfor også som komitéleder sende en tverrpolitisk beskjed fra denne talerstolen så det ikke levnes noen som helst tvil: Dette godtar vi ikke, dette skal vi stoppe, dette skal vi stå opp for og være aktive på, både i den norske skolen og i samfunnet for øvrig.